Folk vert forferda når noko slikt skjer når ein minst ventar det. For mange vert Kyrkja symbolet på noko trygt som er der uansett. Kanskje vi ikkje nyttar oss av kyrkja sine tilbod til dagleg, men når det røyner på, veit vi kvar vi kan gå. Kyrkja har omsorg for folket, uansett. Det er noko støtt og stabilt i ei For det andre fortel oppslutninga oss om kva slags fellesskap den lokale kyrkjelyden er. Det er folka som utgjer kyrkjelyden, ikkje bygningar. Kyrkjelyden er ein viktig bidragsytar til å skape sterke fellesskap både i bygd og by. Dette synest ikkje alltid i kvardagen, men det synest når noko skjer. Den norske kyrkja har 3,8 millionar Sjølv om ikkje alle er like ivrige til å gå på gudstenester, er det enormt mange som er innom kyrkja gjennom veka og nyttar seg av andre tilbod. Kor, aktivitetar for barn og unge, konfirmasjonsundervisning, eldretreff og sjelesorg er berre noko av det ulike kyrkjelydar tilbyr. Det er oppgåver for alle i ein kyrkjelyd, og alle bidrag er viktige. Det vert utført eit formidabelt frivillig arbeid i dei lokale kyrkjelydane. Kva er så folkekyrkja? Kyrkjelydar som bind folk saman uavhengig av aktivitetsgrad. Kyrkjelydar som fører folk saman, ved sorg eller i glede. Kyrkjelydar som er til stades der folk er. som har plass til alle og oppgåver til alle. Dette er folkekyrkja på sitt beste! Vi må gjere det vi kan for at kyrkjelydane ute i kommunane skal kunne fortsetje å vere det dei kan aller, aller best, det å vere ei open, raus og inkluderande

For at dette skal være mulig, må valgordningen gi reelle valgmuligheter. Som en digresjon kan nevnes at den måten kirkevalget var lagt opp til i 2009, er den måten som gir de stemmeberettigede mest makt. Men tydeligvis var det en del misforståelser blant velgerne som medførte at mange stemmer ble forkastet. Derfor skal valgordningen nå behandles og vedtas på ny. For Fremskrittspartiet er det viktig at Kirken får styre seg selv uten politisk innblanding i ansettelser, liturgi eller andre temaer som Kirken finner viktig. Det kan godt medføre at medlemmer og ikke-medlemmer reagerer negativt og kommer med meninger og kommentarer når det gjelder kirkelige utspill, men det må Kirken tåle på lik linje med andre frie organisasjoner eller hva det måtte være. Og de må, på organisasjoner eller hva det måtte være. Og de må, på lik linke med dem som målbærer kritikk mot Kirken, også tåle at Kirken er i sin fulle rett til å komme med utspill som faller ulike deler av befolkningen tungt for brystet. må få lov til å stå opp for – og snakke om – sin tolkning av bibelen, og sette innholdet i kontekst med dagens samfunn. Så får det heller være opp til Kirkens medlemmer å vurdere hvorvidt de fortsatt vil støtte Kirken eller melde seg ut. Dette er noe som Kirken både er klar over og ivaretar i sine avveininger når de kommer med felles uttalelser, vil jeg har historisk sett alltid vært av stor betydning for landets innbyggere. For mange har den også i dag stor betydning, for noen i det daglige, for andre ved spesielle anledninger, slik som representanten Gjelseth viste til. Veldig mange har opplevd Kirkens ansatte, prester og diakoner som gode samtalepartnere, og som en veldig god støtte som gir omsorg og trøst etter tragedier og andre triste hendelser. For Fremskrittspartiet betyr begrepet «folkekirke» også at det skal være tilstrekkelig med kirker tilgjengelig for medlemmer, at Kirken skal ha en særstilling i hele landet, og at Kirken skal sikres økonomisk. Representanten reiser også spørsmål om hvilke oppgaver Kirken skal ha i framtiden. Det oppnevnte Stålsett-utvalget har i den framlagte utredningen om tros- og livssynspolitikk kommet med forslag om framtidig oppgavefordeling for Kirken. Fremskrittspartiet har gjennomgått deler av rapporten, og vi ser at det er flere punkter som partiet ikke vil støtte. Fremskrittspartiet er tydelig på at dagens vigselsrett ikke skal innskrenkes. Vi mener at vigselsretten er både en god tradisjon og ivaretar borgernes valgfrihet på en god måte. Fremskrittspartiet vil heller ikke gå inn for å endre grunnlov eller opplæringslov. Når det gjelder andre punkter i utredningen, regner jeg med det vil bli rikelig anledning til å fremme sitt syn etter at saken har vært på høring hos de ulike aktørene. Avslutningsvis vil jeg holde fram at det er opp til Kirken selv å fylle den med et innhold som gjør at medlemmene mener at den bærer navnet folkekirke med rette. Som statsråden sier, kan trosopplæringen godt fylles med kristent innhold og ikke bare opplevelser. Det støtter jeg fullt ut som medlem av Den norske kirke. Men som politiker

vil bare sterkt advare her, at vi som politikere legger bånd på oss når det gjelder hva vi ytrer oss om som enkeltpersoner i sånne saker. Som medlemmer av Kirken må det være helt greit, men som politikere skal vi være veldig
Tingelstad Wøien

Senterpartiet har i hvert fall snakket lenge og varmt om folkekirken. Ja, vi har sågar et eget kapittel i programmet vårt fra 2009 som heter «Folkekirken», og vi har brukt begrepet i flere programmer før det. Det sjekket jeg senest i stad. Så for Senterpartiet er ikke begrepet «folkekirke» noe nytt, sjøl om det ble innført i Grunnloven i fjor. Det er egentlig ikke så rart, tror jeg, for dette har vært et svært viktig prinsipp for oss:

større innvirkning på Kirken gjennom en demokratisering av de kirkelige organene. Vi sier i programmet at kirkevalgene i 2009 og 2011 vil være avgjørende for hvordan vi vil behandle grunnlovsforslagene i fjor. Dette er fra programmet vårt. Så var det akkurat disse valgene som gjorde hele prosessen med å legitimere kirkeforliket vanskelig for meg. Valgordningen fungerte ikke slik verken Kirken eller vi egentlig I forliket står det i klartekst: «Reformen skal inneholde etablering av reelle valgmuligheter, økt bruk av direktevalg og kirkevalg samtidig med offentlige valg. Det bør gjennomføres forsøk med ulike ordninger som evalueres i samarbeid med kirkens organer, før Stortinget vedtar endelig ordning for valg til Kirkemøtet og Bispedømmeråd. Det legges til grunn at en tilfredsstillende demokratireform ut fra overnevnte forhold, er gjennomført i Den norske kirke i løpet av 2011.» Vi kom ikke helt dit. Så langt har vi som folkevalgte hatt mulighet til å mene noe om trossamfunnets indre liv og i mange sammenhenger kanskje bidratt til å gjøre dørene litt høyere og portene litt videre i Den norske kirke. Så skal ikke staten holde seg med en egen statskirke lenger, men vi vil ha alle. Derfor blir det avgjørende for oss at Kirkemøtet i vår bidrar til å gjøre valgordningen i Den norske kirke så god som mulig. Det må bli en reell påvirkningsmulighet for Kirkens medlemmer uten at stemmer forkastes eller at vi – spissformulert – risikerer at bispedømmeråd og kirkemøte blir bestående av folk med etternavn fra A til D. Senterpartiet tar dette på største alvor. Vi vil derfor herved invitere Stortinget til et eget seminar der valgordningen diskuteres.

Vi vil legge ulike verdier og meninger i begrepet. Like viktig vil det være at Den norske kirke sjøl diskuterer begrepet «folkekirke». Det skal de jo gjøre framover. Hva legger Kirkens representanter i begrepet? Hvem er Kirkens representanter? Hvem skal velges? Er noen stemmer mer betydningsfulle og viktigere enn andre? Hvordan gir Kirken plass til alle uavhengig av kjønn, legning eller teologisk overbevisning? Jeg er spent på årets kirkemøte. Jeg er også spent på hvordan Kirkens medlemmer vil ta grep om framtida for sin egen kirke, for nå er det opp til Kirken selv. Når båndene løsnes mellom kirke og stat, blir det enda viktigere at medlemmene sjøl tar ansvar for utviklingen av begrepet «folkekirke». Det skal bli spennende å se hvordan den debatten går framover.

kirkesamfunn som prinsipielt omfatter hele folket. Kan være statskirke, som den norske, men behøver ikke å være det. Den skiller seg prinsipielt fra foreningskirken, som er basert på individuell innmelding ifølge trosoverbevisning. Folkekirken baseres på barnedåp og ønsker å omfatte alle som ikke er utmeldt. Er folkekirken selvstendig overfor staten i styre og økonomi, kalles den en fri folkekirke. Kirkepartiet under professor A. Tarangers ledelse arbeidet på begynnelsen av 1900-tallet for fri folkekirke i Kirkepartiet under professor A. Tarangers ledelse arbeidet på begynnelsen av 1900-tallet for fri folkekirke i Norge. Det samme gjorde bl.a. Norges kristelige landslag. I de senere års kirkelige debatt har igjen tanken om fri folkekirke gjort seg gjeldende i Norge. Det er også en tendens til å sette spørsmålstegn ved selve folkekirketanken, ut fra synet på det moderne samfunn som pluralistisk og

hvor man understreket Den norske kirkes rolle som folkekirke. Men hva innholdet i en folkekirke skal være, er det etter Kristelig Folkepartis mening viktig at man diskuterer først og fremst i Kirken selv. Da jeg hørte siste innlegget fra representanten fra Senterpartiet, styrker virkelig det tanken om at dette er en debatt som Kirken selv skal styre. Det er egentlig ikke en diskusjon som vi i det politiske miljøet bør ta. Stortinget har i det siste vært ryddig på å understreke at vår jobb er å støtte opp under Kirkens egenbestemte oppdrag. Vi sier f.eks. i Innst. 12 S

Med dette som bakteppe kan en si at denne debatten sånn sett er prinsipielt overflødig, men likevel har Stortinget gjennom stat–kirke-forliket brukt et begrep som «folkekirke», og vi har grunnlovfestet det. Det er ikke bare et arbeidsuhell. Forskjellen på dette trossamfunnet og andre er etter min mening særlig den historiske relasjonen som statskirke. Den har vært en viktig del av det offentlige Norge, og som statskirke. Den har vært en viktig del av det offentlige Norge, og som representant for majoritetskonfesjonen er den hjemmet til store deler av Norges folks kulturelle og trosmessige tilhørighet og har dermed også hatt en naturlig plass ved store offisielle begivenheter. Staten bør etter min mening se seg tjent med et kirkesamfunn som tar på seg oppgaven det er å være til stede over hele landet, og til stede for folk flest ved livets og nasjonens store hendelser i glede og i sorg. Vi ser at mange mennesker har et religiøst behov når noe skjer. Da er det viktig for Kristelig Folkeparti at det finnes et sted som man ikke pleier å kontakte eller gå jevnlig til, men som man likevel føler er en del av et felleseie – et sted hvor man kan gå, som er ens eget og som møter ens behov. Vi så etter de tragiske hendelsene 22. juli at folk på eget initiativ søkte til kirkens rom for sorg og ettertanke. Jeg har en forventning om at Den norske kirke fortsatt skal ta på seg det oppdraget som vi ikke har bedt andre utføre for oss. Den er fri til å etablere seg hvor som helst, på hvor få eller mange steder den vil, men jeg har også en klar forventning til Den norske kirke Det krever at vi sikrer en finansiering som er tilstrekkelig til at det kan skje. Jeg tror at Kirken selv må ha en definisjon av folkekirkebegrepet, og kanskje er visjonen til Agder og Telemark bispedømmeråd den som vil sikre folkekirkens tilstedeværelse hos folk framover: «Nær troens kilder, nær dagens mennesker.» Sånn kan folkekirken sikres. Takk til dem som har deltatt i

sikres. Takk til dem som har deltatt i debatten. Jeg oppfatter at det fremdeles er stor enighet om noe av det grunnleggende, nemlig hva vi vil at folkekirken skal være – selv om det var ganske spennende å se hvor vidt forskjellig utgangspunkt en hadde for debatten. Det kan ha noe å gjøre med måten interpellasjonen er formet på, og det får jeg ta til etterretning. Jeg må si at vektleggingen kanskje er mer forskjellig enn jeg hadde tenkt meg. Det er enighet om at Kirken skal styre sitt indre liv selv, og det er enighet om at vi ikke skal legge oss opp i tro og lære. Men jeg synes det noen ganger trekkes litt langt når vi som politikere har innført et begrep i Grunnloven, og så sier at dette må Kirken finne ut av. Det ligger et oppdrag som man har ment noe med her. Den delen må man som politikere mene noe om, ellers skulle begrepet ikke vært i Grunnloven om, ellers skulle begrepet ikke vært i Grunnloven – for ellers kan Kirken bestemme at de ikke vil være en folkekirke. Det er bakgrunnen for at jeg har løftet denne debatten, at den delen som vi har sagt skal være på plass, den må vi kunne være tydelige på. Derfor synes jeg for så vidt at når det er egne midler som settes av i budsjettet til trosopplæring, er det prisverdig at statsråden er tydelig på å si at ja, meningen med de pengene var at det skulle være en innholdsoppgradering når det gjelder tro. Det synes jeg er flott. Jeg synes faktisk det er helt på sin plass, og jeg synes ikke det er å gå for langt. Men det er noen klare grenser mellom hva man har satt av ressurser til, og bedt dem gjøre en jobb med, og hva som ligger i den vanlige driften av et trossamfunn. Takk for tilbakemeldingene til alle som har deltatt i debatten. Vi får både om valgordning og helt sikkert om finansiering, og nye runder i nye stortingsperioder om hvordan forholdet mellom stat og kirke skal være. Det vet vi at det ligger an til, og det skal bli spennende. I mellomtiden skal vi forholde oss til et ønske om en folkekirke, som skal være der for alle, som har et oppdrag om å være der, og som skal være en åpen, raus og inkluderende kirke.

før. I budsjettproposisjonen for i år skrev vi følgende: «Et overordnet hensyn i arbeidet med kirkeordningen er å sikre at Den norske kirke opprettholdes og føres videre som folkekirke, dvs. at kirken er til stede og nærværende i alle lokalsamfunn og at den er relevant for kirkens medlemmer gjennom livet. Framtidige endringer i kirkeordningen må hele tiden ha dette folkekirkeperspektivet for øye.» Jeg synes det var ganske godt sagt, og jeg tror det må legges til grunn når vi skal jobbe videre med vårt forhold til Den norske kirke. Valgordningen blir den første prøvesteinen på dette. Der har jeg valgt å høre på Stortinget, som har bedt meg om at vi skal legge fram et forslag i nært samarbeid med Den norske kirkes organer. Så vil det bli opp til denne salen om man ønsker å gå i samme retning, eller om man ønsker å gå i andre retninger enn Den norske kirke gjør. Det vil også være interessant, for i arbeidet med råd til oss har Kirkemøtet og Kirkerådet hatt forskjellige innspill. Hvordan man vekter de innspillene, blir det interessant å se – også hvordan denne salen kommer til å takle

vil sørge for forenkling og samordning av de offentlige tilskuddsordningene. Hun spør om vi vil opprette en brukervennlig nettside med fullstendig oversikt over offentlige tilskuddsordninger samt søknadsskjemaer. Jeg legger til grunn at det er

av alkohol og narkotika, samt mot gjengangere i kriminalomsorgen. Retretten møter brukerne som likemenn og kan videreføre egne erfaringer på en slik måte at den rusavhengige, kriminelle eller pårørende kan nyttiggjøre seg et behandlingstilbud i og utenfor institusjon på en bedre måte. Det var etter komiteens møte med denne organisasjonen tidligere i år, at jeg tok initiativ til å ta en debatt. Når organisasjonene møter politikere, er det ofte for å få råd om hvor man kan søke, og hvordan man skal forholde seg til det offentlige. Det er faktisk veldig vanskelig å svare på, også for oss som bevilgende myndighet. Det er ganske uoversiktlig. Retretten er bare én av flere som opplever det tungt å konkurrere med store, velkjente og godt etablerte organisasjoner om de samme tilskuddspostene. De har ikke de administrative ressursene som kreves for å nå fram. I anbudsrunder kommer de ikke med fordi de ikke kan levere alt som kreves, og de store organisasjonene ønsker naturlig nok ikke underleverandører så lenge de kan ta oppdraget selv. Hvis disse organisasjonene skal tilpasse seg anbudssystemet, vil egenarten forsvinne. Kravet om formell kompetanse, ulike stillinger o.l. passer ikke alltid inn i konseptene til de ulike organisasjonene som baserer seg på ideologi, og ikke på det tilbudet som det offentlige vanligvis gir. Organisasjoner som i utgangspunktet er tuftet på ideelt grunnlag, eller som baserer seg på likemannsarbeid, og som fyller et tomrom i det offentlige hjelpeapparatet, må sette inn stadig mer ressurser på å skaffe midler til drift. Dette er veldig krevende for organisasjoner med forholdsvis få ansatte og små administrative apparater. Dette tar også verdifull tid og penger fra det som skulle vært brukt til å gi et godt velferdstilbud, og ikke på lobbyvirksomhet eller administrative oppgaver for å ta seg fram i jungelen av tilskuddsordninger. Det antas at lobbyvirksomheten har økt betraktelig de siste årene, men det foreligger ikke grunnlag for å tallfeste utviklingen. Fremveksten av en bransje som bl.a. utfører og bistår ved lobbyvirksomhet, kan være en indikasjon på at lobbyvirksomheten øker i omfang, og dette tilbudet kan i seg selv være med på å skape etterspørselen. Det er vanskelig å tenke seg annet enn at slik rekruttering vil gi seg utslag i en økning i arbeidsoppgaver knyttet til lobbyvirksomhet mot det offentlige. Kostnadene ved lobbyvirksomhet, særlig hvis den skjer organisert og med profesjonell bistand, er lettere å bære for økonomisk sterke organisasjoner enn for andre. Av den grunn kan lobbyvirksomheten kritiseres for å skape ulikheter i tilgangen til demokratiske beslutningsprosesser. Frivillige og ideelle organisasjoner kan fungere som instrument for offentlig politikk. Som «instrumenter» mottar de tilskudd som bidrar til å realisere politiske mål og verdier, men det helt spesielle er at de utvikler tilbud som ikke kan erstattes av det offentlige. I forbindelse med ny folkehelselov har regjeringen sagt at den vil følge opp arbeidet med at ideelle organisasjoner inkluderes systematisk og aktivt i det videre planarbeidet med Samhandlingsreformen. Jeg spør: Hva har skjedd, og hvordan tenker regjeringen å følge opp dette? Slik systemet er i dag, er det spesielt vanskelig for nye aktører som utvikler nye tilbud, å videreføre eller videreutvikle sine tilbud når forutsigbarheten mangler. Ideelt og frivillig arbeid starter med innsamlede midler og ildsjeler, men det krever fast lønnet personale etter hvert som oppgavene øker. Dette gjelder ikke bare små, nye aktører, men også velkjente, store organisasjoner som tidligere har basert seg hovedsakelig på frivillig innsats. Samfunnet er i rivende utvikling, og endringene får også betydning for frivillig arbeid og ideelle organisasjoners drift. Det er viktig at både de veletablerte, store organisasjonene og de mindre og nyere får muligheter til å bidra til å oppfylle intensjonene i stortingsmeldinger og lover som Stortinget vedtar nevner jeg bl.a. Samhandlingsreformen og folkehelseloven. De frivillige bidrar på viktige områder innenfor rus, psykiatri, fattigdom, overfor kriminelle, barn, funksjonshemmede, eldre, og jeg vil også nevne dyrevernsorganisasjonene.

som er lett å ta seg fram i. Det er bred politisk enighet om organisasjonenes viktige rolle i fremtiden som et supplement til offentlige tjenester, men de trenger bedre vilkår. Organisasjonene kan ikke leve uten bidrag fra det offentlige. Ambisjonen om at alle skal bidra i yrkeslivet med sin arbeidsevne, er også tverrpolitisk, og hvis den ambisjonen oppfylles, vil det føre til at mange som i dag bidrar med frivillig, ubetalt arbeidsinnsats, vil være i betalte jobber. Det jeg etterlyser i denne debatten, er en bedre samlet oversikt over alle tilskuddsordninger og hvordan midlene blir fordelt. Det er også nødvendig med mer forutsigbarhet og enklere søknadsprosesser som ikke skaper unødig byråkrati for organisasjonene. Det er god samfunnsøkonomi å tilrettelegge for den ideelle og frivillige sektoren, og slik jeg ser det, er unødig byråkrati bortkastet

La meg først understreke at satsningen på frivillige og ideelle organisasjoner er større under denne regjeringen enn noen gang tidligere. En av de viktigste finansieringskildene til aktiviteten i de ideelle organisasjonene er ikke tilskudd, men inntekter fra levering av velferdstjenester til det offentlige. Regjeringen har inngått en samarbeidsavtale med paraplyorganisasjonene Frivillighet Norge, Hovedorganisasjonen Virke, Ideelt Nettverk og KS Bedrift, som representerer ideelle aktører som leverer helse- og sosialtjenester til statlige virksomheter. Avtalen anerkjenner at ideell sektor er en viktig samarbeidspartner for offentlig sektor i levering av helse- og sosialtjenester til befolkningen, og skal bidra til bedre samarbeid mellom staten og ideell sektor.

Tilskuddsordningen ble etablert i januar 2010 med en bevilgning på 396 mill. kr. I 2012 mottok rundt 16 000 foreninger og lag momskompensasjon. I 2013 er bevilgningen til ordningen 948 mill. kr. Regjeringen har etablert et frivillighetsregister og et innsamlingsregister. Kulturdepartementet har satt i gang et treårig prosjekt på registerfeltet for å sikre at innrapportering av data skal være enklest mulig for organisasjonene. Registrene og dataene fra registrene skal også på en best mulig måte kunne bli benyttet av forvaltningen og andre. Arbeidet skjer i samråd med frivillig sektor. Forskningsprogrammet «Virtuelt senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor&quot; ble startet i 2008 og har bidratt med kunnskap om endringer og utviklingstrekk i frivillig sektor. Det er opprettet 135 nye frivilligsentraler siden 2005. Vi har styrket Frifondordningen med rundt 50 mill. kr over statsbudsjettet, i tillegg til at ordningen har fått økt sin Ved mer penger som fritt kan brukes til organisasjonenes eget formål, har regjeringen gjort det enklere for frivillig sektor de siste årene. Samtidig har sektoren gitt uttrykk for at kravene til søknad og rapportering oppleves som byråkratiske. De synes også det kan være vanskelig å få oversikt over alt det er mulig å søke på.

Etter ønske fra Stortingets familie- og kulturkomité har regjeringen i arbeidet med forenkling og samordning av tilskuddsordninger i første omgang særlig konsentrert seg om barne- og ungdomsorganisasjonene. Kulturdepartementet har opprettet en nettside med oversikt over tilskudd som barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke på. Det er opprettet et fast møtepunkt mellom barne- og ungdomsorganisasjonene og departementet for å sikre et vedvarende fokus på samordning og forenkling av tilskuddsordninger. Det er startet et arbeid med å utarbeide en veileder for forvaltere av tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner. Kulturdepartementet gjennomfører for tiden en kartlegging av alle statlige tilskuddsordninger som hele frivillig sektor kan søke på. Dette vil gi verdifull kunnskap til det videre arbeidet med å vurdere flere tiltak for forenkling og samordning av tilskuddsordninger. Det er en god intensjon i representanten Giltuns ønske om å opprette en nettside med fullstendig oversikt over offentlige tilskuddsordninger. Men vi må spørre oss om hvordan det er mest hensiktsmessig å samle slik informasjon. Vi har allerede opprettet en nettside med oversikt over tilskudd som barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke på. Det er fornuftig fordi det på mange måter er en ensartet søkergruppe med medlemsbaserte organisasjoner. I barne- og ungdomsorganisasjonene er det dessuten veldig høy turnover i ledelsen. Det gjør det ekstra viktig å tilrettelegge med god informasjon fra statens side. Hvis vi skal gå lenger i retning av en felles portal for alle statlige tilskuddsordninger, vil det bli vesentlig mer komplisert. Blant annet vil den måtte innrette seg mot søkere som er svært ulike både med hensyn til organisering og hvilket formål organisasjonen har. Vi må vurdere helheten, både hva som kan gjøre det enklere for dem som skal søke, og ikke minst de administrative og økonomiske konsekvensene av ulike forslag. Jeg ser at det kunne vært nyttig med mer informasjon om de ideelle organisasjonenes behov før vi tar endelig stilling til forslaget om en felles portal. Jeg vil derfor ta initiativ til å diskutere dette spørsmålet med organisasjonene i forbindelse med et av de dialogmøtene som samarbeidsavtalen legger opp til.

en del andre områder. Jeg kan ikke forstå at det kan være så veldig komplisert å lage en oversikt. Det er i hvert fall enda mer komplisert å ta seg fram i jungelen av tilskudd når man ikke har den oversikten. Det å klare å få full oversikt vil også være til hjelp for oss politikere som skal bevilge, slik at vi ser hvor pengene går. Jeg var inne på Navs hjemmeside, det var vel i fjor, og ganske tidlig på året sto det at det ikke ble gitt mer tilskudd til frivillige organisasjoner som ville søke. Det var ikke noe til nye organisasjoner, bare til dem som hadde fått allerede. Det er det som er problemet som jeg tar opp her, nye organisasjoner, altså knoppskyting av nye ideelle tilbud – det er ikke så lett for dem å komme inn i varmen. I statsrådens innlegg kom det fram at det det offentlige ville bruke ideell sektor mye i form av anbud. Der når ikke disse tilbudene fram. Dette er tilbud som er basert på likemannsarbeid, som er styrt og utviklet kun med tanke på brukeren, ikke utviklet med tanke på at det skal tilpasse seg det offentlige i forhold til ansatte, i forhold til stillinger, i forhold til kompetanse osv. Det de viser, er at det de driver med, virker. Resultater viser at de henvender seg til en målgruppe som ikke blir ivaretatt på en ordentlig eller tilfredsstillende måte av det offentlige. De fyller altså et tomrom, som er litt på utsiden av det andre. Det er viktig i årene som kommer, at vi

store gaver fra tunge aktører som Gjensidige eller store bedrifter i alle år. De er ofte med som fødselshjelpere, og når de ser at dette er noe som det offentlige trenger, forventes det at det offentlige også stiller opp. Hvis organisasjonene i det minste kunne få slippe å bruke masse penger på lobbyisme og administrasjon, ville det lette mye. Jeg håper at det

meget god side med tilskudd som gjelder innenfor helse- og sosialområdet, som det er enkelt å finne fram i, så mulighetene ligger der. Det vi ikke har, er altså en felles side for alle typer tilskudd innenfor alle sektorer. Jeg synes representanten Giltun viste forskjellen på alle typer organisasjoner som kan hente tilskudd fra det offentlige, alt fra dyrevernallianser, de som jobber med dyrevelferd, til tilskudd som retter seg mer direkte mot enkeltområder. Så Så det saken her dreier seg om, og som interpellasjonen dreier seg om, er hvordan vi kan forenkle måten vi gir disse tilskuddene på, og som jeg sa i mitt hovedinnlegg, er vi altså godt i gang med det. Så er det en helt annen sak hvilke av de ideelle organisasjonene som skal få tilskudd til å drive virksomhet for det offentlige. Noen vil levere tjenester der man må bruke anskaffelsesregelverket. Da er det åpent for å si at det er bare de frivillige organisasjonene som skal ta del i de anbudene, dersom man finner det hensiktsmessig, men det må skje innenfor de rammene som EØS-avtalen setter, og jeg regner med at Fremskrittspartiet er enig i at vi skal gjøre det innenfor de rammene som EØS-avtalen legger opp til. Vår regjering bruker mer penger nå på ideelle organisasjoner og levering av helse- og sosialtjenester enn det har vært gjort noen gang, men det

Jeg vil først takke interpellanten for en viktig interpellasjon. Slik som jeg oppfatter det, handler denne interpellasjonen ikke bare om det konkrete forslaget som løftes, nemlig at man burde forsøke i større grad å koordinere informasjonen om de forskjellige støtteordningene, men den handler om et problem som kanskje stikker litt dypere, nemlig at det er en utfordring for det offentlige systemet å koordinere. Det er det ene. Det andre er at det er veldig mange private og ideelle aktører bl.a. innenfor og ideelle aktører bl.a. innenfor det området som bl.a. arbeids- og sosialkomiteen jobber med, som lever nærmest fra hånd til munn, selv om de leverer tjenester og tilbud som jeg tror alle i det politiske miljøet er opptatt av og mener er viktig. Når det gjelder det første problemet, manglende koordinering, jeg nær sagt at det var en utfordring for Høyres relativt beskjedne gruppe å finne ut hvem som skulle ta diskusjonen her i dag. Når vi med 30 personer har problemer med å koordinere oss for én interpellasjonsdebatt, er det ikke vanskelig å forstå at staten kan ha problemer med det med så mange instanser. Det er også mange historier om at særlig grupper som faller mellom flere stoler innom fengsel, har rusproblemer, mangler arbeid og skal på den måten være i kontakt med Nav – har problemer med å orientere seg i systemet. Men så er det også en utfordring for organisasjonene som jobber med dem, og der har representanten Giltun nevnt et eksempel, Retretten, for de faller også mellom alle disse stolene når de skal oppsøke det offentlige og egentlig gjøre noe så enkelt som å få støtte til det tilbudet de driver, som alle mener er viktig. viktig. Da er det vanskelig, for skal man henvende seg til statsråd Huitfeldt, eller skal man henvende seg til Fornyingsdepartementet, eller skal man henvende seg til Justisdepartementet, Helsedepartementet ved Helsedirektoratet, f.eks. – overalt er det støtteordninger, men det er vanskelig. Derfor sendte også en samlet arbeids- og sosialkomité et brev til Arbeidsdepartementet for et par år siden, hvor man, med utgangspunkt i saken Retretten og innspill vi hadde fått der, etterlyste med utgangspunkt i saken Retretten og innspill vi hadde fått der, etterlyste en bedre koordinering. Så er den andre problemstillingen som interpellanten tar opp, diskusjonen om hva alle disse ideelle, private organisasjonene som faller utenfor stønadssystemene, skal leve av, og hvordan de skal få forutsigbarhet. Jeg må si, uten at Høyre har en detaljert plan for det, så langt er vi ikke kommet, at det må jo være et poeng at man får betalt for de tjenestene man faktisk leverer når det offentlige bruker dem. Hvis man er en godkjent tiltaksleverandør innenfor Nav-systemet, eller blir kjøpt inn av Nav, fungerer dette kjempegreit. Da får man bestillinger, og så får man betaling gitt antall plasser, og så kommer pengene inn. Hvis man derimot – for å bruke Retretten som eksempel igjen, siden det er blitt brakt opp som eksempel i denne i denne interpellasjonsdebatten – leverer en tjeneste, et tilbud, som alle er enige om at både er unikt og utrolig viktig, og som til og med blir henvist til fra Nav-kontorer rundt om i hvert fall i Oslo by, har man altså ingen stabil finansiering. Det er noe pussig ved at det offentlige systemet henviser til et privat, ideelt tilbud, men ikke samtidig har en ordning for å finansiere det. det. Den type problemstillinger tror jeg man finner igjen på veldig mange felt. Derfor er det en viktig diskusjon representanten Giltun tar opp. En Internett-side med tydelige søknader kan hjelpe en del, men for mange er det nok slik som det er for meg: Jeg vet ikke om verden er blitt veldig mye mer oversiktlig etter at Internett kom, men det kan av og til hjelpe litt. Først vil jeg takke Torbjørn Røe Isaksen for et innlegg som jeg synes det var veldig greit å høre på. Jeg er

litt. Først vil jeg takke Torbjørn Røe Isaksen for et innlegg som jeg synes det var veldig greit å høre på. Jeg er så enig i alt han sa, og han hadde tydeligvis også forstått min mening med interpellasjonen. Det var faktisk ikke så lett å vite hvem man skulle rette denne interpellasjonen til, så jeg forsøkte meg med Schjøtt-Pedersen, som så mange andre. Det gikk jo ikke! Det Det gikk jo ikke! Det er faktisk sånn at ulike tilskuddsordninger ligger under så mange ulike departementer og også innenfor kommunene. Jeg tror vi kan være enige om at det er bortkastet tid at foreninger skal bruke mange dager og uker hvert år og mange stillinger på å ta seg fram i disse systemene og søke og søke og søke. De som jobber i foreningene, de som er ansatt der og de som er ansatt der og har lønn, har en enda mer uforutsigbar arbeidsplass enn de fleste andre. Hvis vi, som jeg sa i mitt forrige innlegg, skal oppfylle intensjonene med at alle som har arbeidsevne, skal ut i betalt arbeid, hvem er det da vi mener skal jobbe gratis i de frivillige organisasjonene? Hvem er det?

systemet? Det hjelper ikke bare med en Internett-side – det var bare for å få i gang en debatt, noe må man skrive i innledningsteksten. Det kan i hvert fall være første skritt på en avbyråkratisering og forenkling. Og så er det et viktig spørsmål videre: Hvordan skal man ivareta det ideelle engasjementet og frivilligheten i årene som kommer? For det er ikke noen tvil om at man vil få mer og mer bruk for dem. Det offentlige klarer ikke å møte brukerne på samme måte.

bare de aller største paraplyorganisasjonene, for det er vel faktisk de som har minst problemer. Problemet ligger i nye, og nye er vel så viktige. Jeg vil også takke for en debatt om et tema som er

Det var også bakgrunnen for regjeringens initiativ for å få til en samarbeidsavtale med de organisasjonene som leverer tjenester til det offentlige innenfor helse- og omsorgsfeltet. Jeg oppfatter at det har vært stor oppslutning blant de ideelle organisasjonene om måten vi har jobbet med det på, både fordi vi ønsker å gi mer forutsigbarhet og for å kunne anerkjenne det som er ideell sektors særegenhet i leveransene innenfor helse- og omsorgsfeltet. Når det gjelder det konkrete spørsmålet som jeg oppfatter at interpellasjonen dreier seg om, er jeg glad for å få lov å svare på det, for jeg er jo ansvarlig for forenklinger i offentlig sektor. Det er klart at dette er et område der det går an å få til mer forenklinger. Derfor har regjeringen allerede tatt initiativ til en felles portal for de tilskuddsordningene som dreier seg om barne- og ungdomsorganisasjoner. Som jeg sa i mitt hovedinnlegg, er vi nå i ferd med å kartlegge alle typer tilskuddsordninger, sånn at vi har en full oversikt over dem. Inntil videre har vi prøvd å forbedre tilbudet ved å legge egne lenker fra hjemmesidene våre og fra de største direktoratene, der alle tilskudd er samlet. Så ønsker jeg å drøfte saken med de samarbeidspartnerne vi har etablert, nettopp for å høre hvordan man opplever det, og hvordan en sånn om det vil være hensiktsmessig å ha noe som dreier seg mer om friluftsliv, og noe som dreier seg mer om helse- og sosialtjenester. Det kan jo være en måte å organisere et sånt arbeid på. Men det viktigste for de frivillige og ideelle organisasjonene tror jeg er det løftet som regjeringen har gjort ved å øke tilskuddene til det arbeid gjør, sånn at vi fortsatt kan forsikre oss om at vi har ideelle organisasjoner som kan virke til beste for folk i samarbeid med statlige organisasjoner innenfor helse- og sosialfeltet, og også innenfor veldig mange andre områder der de gjør en uvurderlig innsats. Dermed er debatten i sak

På disse områdene er det tydelige politiske skillelinjer mellom opposisjonen og regjeringspartiene. Først og fremst gjelder det muligheter for å kunne opprettholde en sterk velferdsstat. To forhold kan etter mitt syn true den. Det første er en trygg økonomisk styring. Høyre har i Stortinget – så vidt jeg vet – ikke villet garantere at handlingsregelen skal følges. De legger opp til at milliarder skal omfordeles fra fellesskapet til enkeltindivider, og de vil svekke omfordelingen av inntekter mellom kommunene. Samarbeidet mellom Høyre og Fremskrittspartiet vil gi en politikk som er nærmere Fremskrittspartiet enn Kristelig Folkeparti. Det andre forholdet er etter mitt syn arbeidslinjen. Høyre og Fremskrittspartiets arbeidslivspolitikk legger etter min mening ikke til rette for et arbeidsliv som omfatter alle, i alle livsfaser. Garantien for dette ligger i et sterkt trepartssamarbeid, der fagbevegelsen har stort sentralt ansvar og myndighet. Høyre og Fremskrittspartiet vil ha et annet samfunn. For meg er dette to vesentlige forhold som får stor betydning for hvordan velferdsordningene kan utvikles i framtida. Arbeiderpartiet vil at velferdsordningene skal gi valgfrihet. Stortinget har tidligere vedtatt andre endringer i regelverket som forbedrer mulighetene for at begge foreldre bedre kan kombinere omsorgsoppgaver og arbeid. Ordningene for pårørendearbeid må ikke utformes slik at foreldre mister kontakten med arbeidslivet over tid, eller slik at omsorgsoppgaver faller kun på én av foreldrene. De må innrettes på en slik måte at fraværet fra arbeidslivet ikke blir så langvarig at det blir umulig å komme tilbake. Dette er også sentrale elementer i NOU 2011:17 Når sant skal sies om Det er godt å leve i et land der vi faktisk kan diskutere utvidelse av velferdsordningene og ikke – slik mange parlamentarikere i Europa må gjøre – må dekke opp statlige underskudd gjennom dramatiske kutt i viktige velferdsordninger. For Arbeiderpartiet er det viktig at politikken skal legge til rette for at foreldre skal kunne leve gode liv også når ett eller flere av barna har alvorlig sykdom. Fellesskapet skal være et sikkerhetsnett, slik at foreldre som har barn med alvorlig, ustabil helsetilstand, både skal kunne delta i pleie og omsorg av sine barn og være sikret muligheter til arbeidsdeltakelse. Ja, det er behov for forbedringer. Det gjelder flere forhold: Sykdomsbildet og overlevelsesmulighetene har endret seg. I dag lever flere barn lenger med alvorlige diagnoser enn for bare noen ganske få år siden. Det er derfor behov for rask og tydelig saksbehandling, et klart regelverk og for at samarbeidet mellom foreldre og ansatte i hjelpeapparatet har høy kvalitet. Det er viktig at man ser den enkelte, og like viktig at man har et regelverk som kan ta hensyn til individuelle behov. Hver familie er unik, selv om de har mye til felles når de har ett eller flere alvorlig syke barn. Vi vil ha et regelverk som lever i tida Når forvaltningen skal fordele velferdstiltak på fellesskapets vegne, støter de på mange krevende grenseoppganger mellom kommunenes, Navs og foreldrenes ansvar. Vedtakene skal balansere likebehandling, forutsigbarhet, rettssikkerhet og skjønnsmessige vurderinger. Jeg mener det er viktig at hver sak vurderes selvstendig, og at ansattes faglige skjønn og kompetanse har høy kvalitet. Sikkerhet og kvalitet er like viktig i denne sektoren som i sykehussektoren. Regjeringen har tatt grep for å få en mer helhetlig gjennomgang av de forskjellige ordninger knyttet til pårørendeomsorg, og det synes jeg er veldig bra. Flertallet mener derfor at det er best at vi avventer den videre behandlingen av NOU 2011:17 før det

få på plass løsninger, og vi ser fram til den videre behandlingen og oppfølgingen av NOU 2011:17. Jeg glad for at vi alle sammen ser at det er store mangler i dagens regelverk og praksis når det gjelder å god pleie og god omsorg til de mest sårbare barna som lever i vårt samfunn. Denne saken handler verken om arbeidslinjen eller handlingsregelen. Den handler – med respekt å melde – om velferdspolitikk for en sårbar gruppe; barn som er alvorlig syke. Derfor ønsker jeg å bruke mitt innlegg til å snakke om hva dette faktisk handler om. Dette handler om foreldre som kanskje har barn fra før, og som får et nytt barn med sterk funksjonshemming eller en svært alvorlig sykdom, og hvor man skal få hverdagen til å gå i hop – en hverdag hvor man skal balansere mellom arbeidsliv, fritid og det å være en god mor og far for det nye barnet som trenger omsorg, men det handler også om å være en god mor og far for de andre barna i familien. Hvordan skal vi legge til rette for at familier skal klare å fungere i en slik situasjon, både være ute i arbeidslivet og takle den strie hverdagen for å kunne gi den mest verdige omsorgen til sine barn?

Jeg synes det er signaler man skal ta på alvor. Jeg synes ikke det skal være forskjell om du har et alvorlig sykt barn og bor i Tromsø, Oslo, Bergen eller i Kristiansand. Regelverket og praktiseringen må være lik, uavhengig av hvor du måtte bo. Det er det denne saken handler om.

enn både arbeidslinje og handlingsregel. Det handler om å forstå mennesker, med sine hverdagsproblemer og hverdagsutfordringer og om hvordan vi skal klare å tilrettelegge for et godt velferdssamfunn for dem. Når det gjelder NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg og det omtalte Kaasa-utvalget, registrerer jeg at det Når det gjelder NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg og det omtalte Kaasa-utvalget, registrerer jeg at det tar ufattelig lang tid før vi får disse sakene til behandling i Stortinget. Man kan nesten stille spørsmål om det er beslutningsvegring ute og går når vi vet at utvalget ble nedsatt 25. juni 2010. Det tok riktignok ett år og fire måneder før de la frem sin utredning, og det skal vi forsvare, for de gjorde en grundig jobb. Men det har nå også gått ett år og fire måneder ett år og fire måneder etter at utredningen ble fremlagt, uten at man har klart å bringe en sak til Stortinget. Det har snart gått tre år siden utvalget ble nedsatt. Jeg forventer at man øker tempoet og får frem en sak, og at regjeringen blir tydelig på hvilken politikk man ønsker å føre overfor denne sårbare gruppen. Barna vi snakker om, har ikke tid til å vente i måneder og flere år før man får en helhetlig gjennomgang. Det som Fremskrittspartiet foreslår her, er enkle grep som kan gjennomføres fort, i påvente av den store, helhetlige behandlingen, for å sikre det velferdspolitikken handler om: mer varme, mer verdighet og mer velferd for dem som trenger det aller mest og er mest sårbare. Med det vil jeg ta opp de forslagene som Fremskrittspartiet har fremmet i innstillingen. Representanten Robert Eriksson har tatt opp de forslagene han refererte til.

enten helseproblemene er medfødt eller har kommet som følge av f.eks. en ulykke, er det klart at det setter den tidsklemma vi andre klager over, i et perspektiv. Man skal selvfølgelig ikke svartmale. Som alle andre foreldre vil man oppleve lyse og mørke stunder sammen med barnet sitt. Man vil være stolt og fortvilet om hverandre, og man vil sette barnet sitt foran alt annet. Det som er forskjellen, er vel først og fremst at et sterkt pleietrengende barn tar så mye mer tid. tid. Det å skulle kombinere den omsorgen man ønsker å gi barnet, med en vanlig 100 pst. jobb, blir vanskelig, om ikke umulig. Derfor er jeg glad for at vi har ordninger som i noen grad legger opp til dette, som pleiepenger eller omsorgslønn. Men som det allerede er blitt pekt på, fungerer ikke dagens system tilfredsstillende. Endringer i jeg ser at statsråden sier at det ikke har vært tilfelle, men det oppleves altså sånn – i tillegg til overlappende ytelser fra forskjellige offentlige instanser, har gitt de familiene som ordningene er aktuelle for, lite forutsigbarhet. Dette er spesielt uheldig fordi de familiene det gjelder, ofte er i en vanskelig livssituasjon og derfor har særlig behov for anstendige, trygge og forutsigbare offentlige støtteordninger. Det er derfor liten tvil om at det er behov for en større omlegging av dette feltet. Arbeidet med denne omleggingen er heldigvis i gang. Kaasa-utvalget leverte, som vi hørte, sin rapport i 2011. Høringsrunden er over, og saken ligger hos regjeringen. Som vi i Høyre skriver i merknadene: Vi forventer en snarlig oppfølging av denne saken. Familiene og barna det gjelder, har ventet lenge nok. Det er viktig at dette feltet ses i sammenheng. Alt henger sammen med alt, ble det sagt en gang, og på dette feltet er det spesielt viktig å få frem helhetlige løsninger. Det bør også være bredt forankret på Stortinget. Som vi har vært inne på, trenger familiene med pleietrengende barn forutsigbarhet, og det kan ikke være slik at reglene endres hvert fjerde år.

hvor Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at pleiepenger skal kunne gis foreldre i forbindelse med intensiv behandling og rehabilitering av barnet. Dette forslaget bør fremmes som en del av en større omlegging av pleiepengeordningen. Den varslede endringen av pleiepengeordningen bør innebære at pleiepengene skal kunne gis til foreldre i forbindelse med intensiv behandling og rehabilitering av barnet. Det var nemlig tilfellet inntil innstrammingen i regelverket for noen år tilbake

til å debattere handlingsregel og kommuneøkonomi. Det er en veldig vanskelig situasjon for mange pårørende, som sliter tungt og får for lite støtte og hjelp til sine omsorgsoppgaver når de har et funksjonshemmet barn. Mange klarer dette fint, og mange får god støtte, men for noen er det ikke mulig å få tid og krefter til å strekke til. For mange er det også slik at økonomien ikke strekker til. Derfor har Kaasa-utvalget utredet ulike ordninger som skal kunne bøte på dette. I tillegg til det vil jeg nevne at Kaasa-utvalget også sier at de har fått innblikk i alvorlig svikt på grunn av mangelfull oppfølging og kontroll, der bruker er blitt rammet av omsorgssvikt eller direkte overgrep. Det er en viktig side av disse sakene som vi kanskje litt sjelden diskuterer. Jeg tror det også er denne vonde følelsen som sitter i magen til en del av disse foreldrene når de ikke sjøl har omsorgen for ungene sine: at de er i et omsorgstilbud, men at de ikke føler seg trygge på det. Det tror jeg er noe av det som berører meg mest når jeg går igjennom dette og andre henvendelser fra brukerne. Det er også veldig mange foreldre som ender opp som ensomme, og som betaler med sin egen helse når de ikke får god nok hjelp, enten det gjelder økonomi eller tjenester fra kommunen. Det er riktig at denne saken må ses i en større sammenheng. Men jeg må også si at når utvalget nevner at de ordningene vi nå har, skal være bærekraftige i et samfunnsperspektiv, tenker jeg at det er veldig mange av disse omsorgsoppgavene som nok er bærekraftige i et samfunnsperspektiv, særlig når kvinnfolk gjør jobben gratis. Sånn har det vært støtt, men sånn kan det ikke fortsette å være, for dette er folk som ikke har noe valg. valg. Derfor mener jeg at vi er nødt til å ha gode ordninger for disse familiene. Jeg mener det er grunn til å se på alle de forslagene som Kaasa-utvalget kommer med, og særlig noen av endringene i ordningen, som også handler om det med diagnose og medisinsk vurdering. For det er jo vanskelig å vurdere hva som er alvorlig nok, og det

nemlig at det er viktig at mor og far har kontakt med arbeidslivet. Jeg tror at den roen og stabiliteten som litt bedre ordninger ville bidratt til, ville økt muligheten for flere til å ha kontakt med arbeidslivet, og det tror jeg er bra. Jeg tror også at de fleste av disse barna og familiene trenger å være i andre miljøer enn bare hjemme. Det kan være at det for noen er den riktige løsningen, men jeg tror at det gjelder et veldig lite mindretall.

diagnoser og vurdering – om det er en veldig ustabil fase, og hvor alvorlig dette er – kanskje ikke må være det vi legger aller mest vekt på når det gjelder denne saken. For jeg tror at det er vanskelig, også rent medisinsk, å sette disse grensene, sjøl om jeg ser at de må være der. Så er nok jeg litt mer tvilende til at ordningen med omsorgslønn i kommunal sektor nødvendigvis er en veldig god ordning. Det skal vi diskutere nærmere når vi går gjennom dette, men jeg tenker at det må være ordninger som i hvert fall er like for alle i hele landet. Det er en del ting som bør være forskjellig, og som godt kan være forskjellig i ulike kommuner, men rettigheten til å få ytelser fordi man har store og påtrengende omsorgsoppgaver for unger med alvorlige sykdommer og funksjonsnedsettelser, mener jeg bør være lik, uavhengig av hvilken kommune foreldrene bor i. Det er bor i. Det er viktige medmenneskelige forhold som tas opp i saken i dag. Det er en krevende situasjon for mange familier, og pårørende gjør en stor innsats og er en stor trygghet for Forslaget går ut på å sikre bedre rettigheter til pleiepenger for pårørende med alvorlig sjuke barn. Den holdningen er Senterpartiet enig i. Bakgrunnen for forslaget er at pårørende har fått avslag eller er fratatt pleiepenger fra Nav for barn som har vært svært alvorlig eller tidsbegrenset sjuke. sjuke. I avslagene fra Nav heter det i de aller fleste tilfellene at barnet lider av «en varig tilstand», og at det ikke er svært alvorlig sjukt, sjøl om det foreligger legeerklæring på at barnet anses å ha en livsbegrensende sjukdom eller er alvorlig sjukt. Jeg vil vise til at det hersker uenighet om hvordan man definerer «svært alvorlig sykdom» og «varig sykdom», og at det tyder på at grensene derfor er uklare. Som følge av endringer av praksis etter en dom i trygderetten har dette gitt en ny tolkning av regelverket når det gjelder retten til pleiepenger. Disse familiene har store utfordringer knyttet til å få familielivet til å fungere, også i form av helsemessige og sosiale utfordringer. Jeg vil understreke at det er viktig med et helhetlig hjelpetilbud for familier med barn som lider av livstruende eller annen svært alvorlig sjukdom. Det offentlige må samarbeide med familien for å finne den beste løsningen, ikke bare for barnet – som flere har vært inne på – men også for familien i sin helhet. Det er også viktig at det offentlige hjelper pårørende med kunnskap om den beste hjelpen, noe jeg vil Foreldre som tar hånd om barn som lider av livstruende eller annen svært alvorlig sjukdom, opplever ofte slitasje i parforholdet, og flere par makter ikke denne belastningen. Jeg vil derfor understreke viktigheten av å anerkjenne og respektere arbeidet som gjøres når foreldre må ta hånd om sine sjuke barn. Det vil for det offentlige være rimelig om slik innsats premieres med pleiepenger og gjøres i hjemmet, framfor at barnet må tas hånd om av det offentlige. Det er derfor viktig at det offentlige legger til rette for et slikt samarbeid, både med foreldre/familier og med ideelle organisasjoner uten fortjeneste som formål. For Senterpartiet er det ikke noe alternativ med private, kommersielle interesser som har som formål å tjene penger på slik virksomhet. Pleiepengene beregnes som sjukepenger og utbetales 100 pst. av sjukepengegrunnlaget til arbeidstakere, avgrenset til 6 G. Som sjølstendig næringsdrivende får en bare utbetalt 65 pst. av sjukepengegrunnlaget, avgrenset til 6 G. En likebehandling mellom pårørende, enten de er sjølstendig næringsdrivende eller lønnsmottakere, anser jeg som helt sjølsagt. Kaasa-utvalget foreslår opptil 50 pst. pleiepenger for Kaasa-utvalget foreslår opptil 50 pst. pleiepenger for pårørendeomsorg for barn med varige lidelser. Jeg vil be om at departementet så snart som mulig kommer til Stortinget med en oppfølging av Kaasa-utvalgets innstilling når det gjelder både nærmere definerte sjukdomsforhold og beløpssatser for pleiepenger til foreldre, enten de er i arbeid som lønnsmottakere eller som sjølstendig
der er

barn, barn som kanskje er syke 24 timer i døgnet, og som trenger hjelp og støtte fra foreldre. Saken er heldigvis ikke en sak som gjelder svært mange, men det er en sak som er ufattelig viktig for de få det gjelder. Familier med svært syke barn er sårbare og trenger all støtte og omsorg vi kan gi. Den siste tiden har Nav endret praksisen når det gjelder pleiepenger, noe som har medført at mange familier med barn som f.eks. har ME – og mange kan ha det i både fire og fem og seks år – store hodeskader, langvarige sykdommer eller andre alvorlig sykdommer med behov for kontinuerlig tilsyn og omsorg, har mistet denne stønaden og dermed blitt satt i en særdeles krevende situasjon. Barna som er syke, trenger sine foreldre, og de som er svært syke, trenger dem ekstra. Foreldrene kjenner barna sine og vet hvilke behov de har, og i stedet for at en fremmed person skal ta seg av det syke barnet, bør foreldrene selv få muligheten til å være hjemme. Det er barnas beste som skal være det styrende prinsipp når beslutning om pleiepenger skal gis eller ikke skal fattes. Reglene kan derfor ikke være rigide og firkantet – de må ivareta hensynet til det enkelte barn og dets tilstand. Kristelig Folkeparti foreslår derfor at pleiepengene skal gis når det beste for barnet er at foreldrene selv pleier barnet i hjemmet. i hjemmet. Grunnlaget for om det skal ytes penger eller ikke, må bero på barnets tilstand, ikke på diagnose, selv om sykdommen varer i mer enn to år. Ifølge FNs barnekonvensjon har barn rett til å bo sammen med sine foreldre. Vi er dermed – etter min mening – forpliktet til å sikre dette så langt det er mulig. Dessverre finnes det en del eksempler på at familier med svært syke barn får tilbud om plass på institusjon for barnet istedenfor pleiepenger, uten at det beste for barnet blir vurdert. Slik kan vi ikke ha det. Familier med svært syke barn har ikke bare behov for økonomisk bistand, men også for støtte og omsorg i den situasjonen de er i. Det bør derfor legges til rette for at det finnes rådgivere eller veiledere som er tilgjengelige for familiene. Disse kan bidra til informasjon, veiledning om støtteordninger og koordinere oppstarten av aktuelle støttetiltak. Pleiepenger er særdeles viktig for den enkelte familie, og det er derfor svært uheldig at regjeringen stemmer imot dette forslaget. Dette forslaget gjelder ikke mange, men for dem som er berørt, er det veldig viktig. La meg ta et eksempel som er ganske nytt. Det gjelder en familie med et nyfødt barn med en meget sjelden sykdom. Det tok ett år å få diagnosen, og i den perioden fikk familien pleiepenger. Det hadde de rett til – også etter regelverket – men så ble de fratatt det. Barnet fikk tilbud om barnehageplass og kunne få en assistent i barnehagen på full tid. Det var bare det at barnet var så sykt at det ble frarådet av legen å være i barnehage. måtte være hjemme. Pleiepenger fra Nav? Nei, det kunne de ikke få. Familien sliter. Om de får pleiepenger, blir det i beste fall bare i ett år til. Ingen kjenner denne sykdommen. Jeg har forstått at det antakeligvis ikke er noen andre i Norge som har den. Vi har et system i dag som på en annen måte må ta hensyn til de aller sykeste barna. Vi snakker altså ikke om noen som kan være på skole eller i barnehage, men som må være hjemme. Noen må faktisk være hjemme i mer enn to år fordi de er så syke. Kanskje blir de friske igjen – det er jo det foreldrene håper på. Men at man går tilbake til det regelverket og den muligheten man hadde for bare få år tilbake. – Dette kan dokumenteres.

ved erklæring fra legespesialist, at begrepet «varig ustabil tilstand» fjernes fra loven, og at retten til pleiepenger beholdes, selv om barnet i perioder kan delta i barnehage, skole og SFO. Videre er det satt fram fire tilleggsforslag i innstillingen om saken. Mange familier med omfattende pleieoppgaver møter daglig store utfordringer. Det er viktig å ha gode velferdsløsninger for pårørende til alvorlig syke barn, både gjennom tjenester og ytelser. Det er vi enige om. Det var jo bakgrunnen for at vi nedsatte Kaasa-utvalget, og utvalget har lagt fram flere forslag som vi mener vil hjelpe familier med tyngende omsorgsoppgaver. Jeg vet at foreldre med svært alvorlig syke barn er i en vanskelig situasjon. Det er derfor viktig at vi vet i hvilke tilfeller de har krav på pleiepenger, og i hvilke tilfeller kommunene har hovedansvaret for å tilby tjenester. Jeg mener at den administrative omorganiseringen av dette saksområdet har vært en forbedring. Å heve saksbehandlingen fra førstelinjen til fylkesnivå i Nav har bidratt til at håndteringen av pleiepengesaker har blitt mer ensartet over hele Norge. Så er det ikke alle som er enige i de vurderingene som er gjort, men det er i hvert fall mer ensartet enn tidligere. Det sikrer jo forutsigbarhet for brukerne. Pleiepenger erstatter tapt arbeidsinntekt på grunn av pleieoppgaver som ikke er varige. Kommunene har ansvar for å tilby sine innbyggere nødvendige hjelpetjenester og hjelpetiltak. Hovedansvaret for å hjelpe familier med store pleie- og omsorgsforpliktelser ligger altså hos kommunene i dag. Forslagsstillerne mener at deres forslag er en Slik jeg ser det, går dette forslaget betydelig utover det som er forslagene i Kaasa-utredningen. Man kan anslå en utgiftsøkning på omkring 9 mrd. kr hvis man følger alle disse forslagene når vi har regnet på det. Det er dermed ikke snakk om mindre lovendringsforslag, men ganske omfattende. Jeg vil kommentere kort de tre forslagene som blir Etter mitt syn vil automatisk innvilgelse av pleiepenger være lite hensiktsmessig, all den tid Arbeids- og velferdsetaten må ta stilling til flere vilkår – ikke bare medisinske – ved behandling av pleiepengesaker. Det gjelder opptjeningstid, minsteinntekt og selve utregningen av ytelsen. Det er basert på den inntekten man har. Derfor må etaten uansett gjøre en vurdering. Jeg mener det er lite ønskelig å overlate hele beslutningsmyndigheten til helsevesenet. Jeg tolker forslaget om å fjerne begrepet «varig ustabil» fra loven slik at det foreslås å gi pleiepenger også i varige tilfeller. I dag kan det i slike tilfeller kun gis pleiepenger når sykdommen er i en ustabil fase. Så er det en liste over hvilke sykdommer dette handler om, og ME kom på listen våren 2012. Forslaget vil innebære en vesentlig utvidelse av pleiepengeretten, med betydelig økte kostnader. Så til spørsmålet om konsekvensene av at barn i perioder deltar i barnehage, skole og SFO. Jeg kan opplyse Stortinget om at jeg nylig har bedt arbeids- og velferdsdirektøren om å utforme nye retningslinjer for å sikre at kortvarig, sporadiske og uregelmessige besøk i avlastningsordninger, som barnehage, skole osv., ikke medfører at pleiepengene reduseres eller blir redusert enda mer. Når de nye retningslinjene er på plass, vil det framkomme at slike besøk ikke skal anses som en etablert tilsyns- og avlastningsordning som fører til at pleiepenger reduseres. Jeg mener at vi nå må la Helse- og omsorgsdepartementet og mitt departement få den tid de trenger til å sikre Jeg er åpen for at det kan være behov for endringer. Det foreslås også betydelige endringer knyttet til varig sykdom i det som er Kaasa-utvalgets forslag. Så noen endringer kan vi gjøre nå, bl.a. når det gjelder kortvarig opphold i SFO eller barnehager. Men de varige endringene trenger vi noe mer tid til. Jeg mener imidlertid det er uheldig å foregripe dette arbeidet med å haste gjennom en uoversiktlig og kostnadskrevende lovendring, som vi ikke kjenner konsekvensene av. Jeg er glad for at flertallet i komiteen ser dette.

Så satte man ned Kaasa-utvalget, som startet opp med bl.a. omsorgslønn, og i tråd med det hjelpestønad. Så fikk vi en debatt fordi Nav endret praksisen sin i 2006. Vi hadde en debatt om dette i Stortinget. Da la regjeringen inn pleiepenger som en del av Kaasa-utvalget – hvis jeg ikke husker helt feil. Så her er det ikke snakk om å foregripe arbeidet. Vi sto her på talerstolen og ba den forrige om hun ikke kunne la dem få beholde pleiepengene inntil Kaasa-utvalget var ferdig – og ikke stoppe pleiepengene for så å vente på Kaasa-utvalget. Det er nemlig det som har skjedd. Jeg vil ha statsrådens vurdering av dette. Jeg er litt usikker på hva representanten mener med å stoppe pleiepengene. For dette er ikke en varig ytelse. Det har alltid vært en midlertidig ytelse. Det har heller ikke vært noen regelendring. Det som har skjedd, er at man har flyttet behandlingen av disse sakene fra det lokale Nav-kontor til fylkesnivå. Det har sikret at det har blitt en mer enhetlig praksis. Det er viktig for å sikre forutsigbarhet, så man vet hva man har å forholde seg til. Det har dermed ikke vært noen regelendringer på dette området. Dersom vi skal gjennomføre endringer, mener jeg det er viktig at det er endringer som kommer hele landet til gode. Kaasa-utvalget har foreslått en rekke utvidelser av ordningen. Hvis det er slik at vi skal lage en bedre ordning, mener jeg at det skal komme hele Norge til gode. Det er riktig at det er en midlertidig ordning i regelverket. Men Nav har for tiden – og det har de ikke gjort i veldig mange år – brukt en toårsregel. Den er etter min mening ikke politisk behandlet noe sted. Det er svært mange barn som lider av alvorlige sykdommer som kanskje kan bli friske igjen, men som kan være syke i mer enn to år. Det er også helt riktig at det har blitt en mer enhetlig praksis etter den nye praksisendringen. Det går ut på at det er blitt strammet inn. Dette er ikke vanskelig å dokumentere.

ordningen. Det er klart at omsorgslønn utbetales ulikt, slik det har vært presisert i diskusjonen her – den utbetales ulikt avhengig av hvilken kommune man bor i. Det er argumenter for å få en enhetlig, bedre pleieordning, men det har ikke vært noen endring av regelverk som har gjort at man har strammet inn på denne ordningen. Noen har blitt fratatt denne ytelsen fordi det ikke er en varig ytelse. Det har den heller aldri vært.

Det andre er jo et spørsmål om vi skal utvide pleiepengeordningen. Det er det sterke argumenter for. Det er mange som argumenterer godt for det. Det skal vi se på i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet. Vi vil komme tilbake til Stortinget med hensyn til hvordan vi følger opp denne saken. Jeg er ikke tilfreds med svaret, men jeg takker for svaret, men jeg takker for svaret. Det er ingen tvil om at den sittende regjering gjorde endringer allerede i 2006. Det er bare å slå opp og gå tilbake. Det er mulig at statsråden ikke har – og det forventer jeg heller ikke – oversikt over det på talerstolen i dag, men det er nå engang tilfellet. Vi har ventet lenge på oppfølgingen av Kaasa-utvalget. Det har nå tatt to år og åtte måneder. måneder. Snart er det tre år. Mange foreldre med svært alvorlig syke barn venter på å få et nytt regelverk på plass og en gjennomgang. Når forventer statsråden å legge frem en oppfølgingssak om Kaasa-utvalget for Stortinget? Får vi den før valget i 2013, eller må det bli et regjeringsskifte før vi får den saken på bordet til Stortinget? Helse- og omsorgsdepartementet vil i løpet av våren gi tilbakemelding til Stortinget på deler av Kaasa-utvalgets utredning, der man ser både Hagen-utvalgets utredning og Kaasa-utvalgets utredning i sammenheng, men det vil ikke være en helhetlig gjennomgang av alle Kaasa-utvalgets forslag. Med henvisning til at disse sakene er

Vil statsråden kunne komme tilbake – umiddelbart til Stortinget – med omlegging når det gjelder retningslinjer for sporadiske og uregelmessige besøk i barnehage, og at pleiepengene ikke graderes ytterligere? Svaret er nei, det kan jeg ikke love. Som jeg sa i mitt tidligere innlegg, ønsker Helse- og omsorgsdepartementet å gi en foreløpig tilbakemelding på deler av Kaasa-utvalgets innstilling til våren, men det vil ikke være en helhetlig gjennomgang av alle utvalgets forslag i denne meldingen. Replikkordskiftet er omme. De talere som heretter får ordet, får en taletid på inntil 3 minutter. Dette er ei viktig sak og eit område der ein treng eit større politisk fokus. Regjeringa har sett ned eit utval som skal greia ut i kva for grad og på kva slags måte familiar med omfattande omsorgsoppgåver skal få økonomisk kompensasjon. Kaasa-utvalets rapport heiter: Når sant skal sies om pårørendeomsorg – fra usynlig til verdsatt og inkludert. Det er ein ganske treffande tittel. Kaasa-utvalet har foreslått tre nye grep. Dei vil gradera pleiepengeordninga frå 20 til 50 pst. til foreldre med barn under 18 som har alvorlege, varige Dei vil ha ny og forsterka kommunal omsorgsstønad med nasjonale satsar som ei erstatning for dagens hjelpestønad og omsorgslønn, og dei vil ha lovfesta pårørandestøtta i kommunane med tiltak som verdset og kvalitetsikrar tenestene. Også Hagen-utvalet omtalar behovet for ein ny pårørandepolitikk i Noreg. Pårørande sin innsats må bli verdsatt og respektert og bli ein integrert del av det offentlege hjelpetilbodet. Hagen-utvalet snakkar òg om at pårørande må ha rett

familiebaserte omsorga. Om lag 100 000 årsverk blir i dag utførte av pårørande. Det er avgjerande både for velferd og for verdiskaping. Ingen ønskjer seg eit samfunn utan denne grunnleggjande omsorgsevna utgått frå familiestruktur og sosiale relasjonar. Hagen-utvalet er tydeleg på at det er viktig at den offentlege profesjonaliserte omsorgstenesta ikkje marginaliserer bidraget frå pårørande, men i staden spelar saman med den uformelle omsorga forankra i familie og lokalsamfunn. Eg er redd – og eg opplever – at vi i dag nettopp gjer det, at vi marginialiserer bidraget frå pårørande. Eg er einig i at det blir vanskeleg å gå inn på konkrete endringar i pleiepengeordninga i dag, og at vi må avventa saka som skal følgja opp forslag til ny pårørandeordning og Kaasa-utvalets utgreiing, men dette hastar. Eg registrerer at det ikkje har vore ei regelendring, men poenget er at dei der ute opplever det som vanskelegare å få pleiepengar i dag enn det var tidlegare. Har barnet ei varig liding i dag, er det ikkje gode nok økonomiske ordningar. Det er òg på ein måte eit kunstig skilje mellom varig og ikkje varig sjukdom når vi snakkar om alvorleg sjuke barn, og pårørande som då ønskjer å bidra i omsorga. Vi må sjå omlegginga av pleiepengar, omsorgslønn og hjelpestønad i ein samanheng, og eg vil bidra til at vi kan få det på plass så snart som mogleg. Jeg er helt overbevist om at statsråden, som selv er mor, har et ektefølt engasjement for de svake barna, la det ikke være tvil om det. Jeg er overbevist om – uavhengig av politisk parti – at man ønsker å yte best mulig omsorg for dem som har det vanskelig i vårt samfunn. Men jeg har samtidig problemer med å forstå argumentasjonen og den manglende oppfølgingen og oppmerksomheten denne problematikken har fått fra regjeringens side. Jeg kan kort fortelle at jeg besøkte ei jente på tre år med alvorlig hjernekreft. Hun hadde ti måneder igjen – anslått av legene – å leve, men hun har gode dager innimellom. Hun har fått innvilget pleiepenger for perioden, men hun får ikke lov til å gå i barnehage, da vil hun miste pleiepengene sine. Som den lille jenta ordrett sa til meg: Hvorfor kan jeg ikke få lov til å leke med vennene mine i barnehagen når jeg er frisk? Jeg synes som politiker at det var vanskelig å svare på et sånt spørsmål. Jeg mener at vi som politikere bør ta innover oss disse henvendelsene og prøve å gjøre de endringene som kan gjøres. Hvis vi i Norge – i fjor gikk vi med 400 mrd. kr i overskudd – ikke har råd til å gi denne gruppen denne velferden, stiller jeg meg spørsmålet om vi har fått et fattig velferdssamfunn. Det mener jeg absolutt at vi har råd til. Så har jeg lyst til krangle videre – alt ettersom det oppfattes – om det har skjedd endringer eller ikke, at den professoren som jeg viste til, går for å være en av landets fremste professorer på dette området, og som har jobbet mest med tematikken og problemstillingene. Så jeg tror nok at han har en rimelig grei oversikt over dette fagområdet.

Det høyeste anslaget vil bety 1,6–4,5 mrd. kr. Men i det høyeste anslaget har man foretatt en beregning ut fra en omlegging av pleiepengesystemet som vi ikke foreslår. Det er jo liten tvil om at disse kostnadene ikke vil være så store, mest sannsynlig vil det være noen hundre millioner. Det har den norske velferdsstaten råd til – mener i alle fall Fremskrittspartiet.

– der summen av bekymringer og summen av sand og stein i skoa har en betydning for hvordan de klarer å leve der de bor med sine barn, er viktig. Representanten Toppe tok opp dette med å marginalisere pårørendeomsorgen. Det synes jeg er viktig. Jeg har jobbet på en institusjon for alvorlig funksjonshemmede personer. De var voksne. De hadde ikke noe liv da de som barn var hjemme. På den tiden ble de flyttet på institusjon da de var ganske små. Velferdsstaten har gitt slike familier muligheten til å ha barna hjemme, og det er veldig, veldig bra. De som jeg jobbet med, var isolerte, de var ofte ensomme, og i noen tilfeller var de forlatt av sine familier. Heldigvis er vi ikke der i dag. Grunnen til at vi ikke er der i dag, er at vi har satset på gode velferdsordninger og lagt vekt på at det skal være mulig for familier å dra omsorg for sine barn, som er – som flere har påpekt her – noe av det viktigste foreldre kan gjøre og bidra med. Derfor mener jeg det også er et poeng hvordan vi utformer velferdsstaten vår, jeg det også er et poeng hvordan vi utformer velferdsstaten vår, og at vi diskuterer hvordan vi skal bruke fellesskapets penger. Jeg mener vi ikke kan dra denne enkeltsaken ut av en helhetlig forståelse av hvordan velferdsstaten fungerer. Jeg mener det er viktig at vi også i sånne vanskelige saker kan diskutere det helhetlige velferdssamfunnet vi lever i. i. Derfor la jeg vekt på i mitt innlegg at det er utrolig viktig å ha god kontakt med pårørende. Jeg mener at det å bli mye, mye bedre på det å ha kontakt med familier – hvordan de opplever sin situasjon, og hvordan de faktisk ønsker at ting skal tilrettelegges for dem – er noe av det viktigste forvaltningen kan gjøre. Da refererte jeg til det som sykehussektoren har som sin store oppgave nå: oppgave nå: å tenke sikkerhet og kvalitet. For meg er ikke det to ord som er løsrevet fra omsorg, omtanke og barmhjertighet. Det er nettopp det de begrepene skal sikre, og det er det vår velferdsstat skal bidra til å legge rammene Jeg vil understreke at det er folketrygdloven som regulerer disse forholdene. Dersom det har vært endringer i loven, må regjeringen eventuelt ha fremmet det forslaget for Stortinget. Det har vi ikke gjort. Det er ikke forskriftene som styrer pleiepengene. Det har ikke vært noen endringer på dette området i forskriftene som som tilsier at regjeringen har ønsket en endring, men vi har fått en mer helhetlig praksis. På noen områder kan vi gjøre endringer uavhengig av lov og forskrift. Når det gjelder det konkrete eksempelet som komiteens leder var inne på i stad – nemlig et barn som delvis deltok i barnehage og SFO mens det var sykt, og hvor moren mistet retten til pleiepenger – har jeg tatt kontakt med arbeids- og

Så til spørsmålet om regnestykket: Ja, dersom de høyeste anslagene slår til, kan dette være en kostnadsøkning på opptil 9 mrd. kr. Dersom man ser på deler av det som er Kaasa-utvalgets innstilling, kan det koste mye mindre, og det er beregninger som Kaasa-utvalget har lagt fram. Men slik Fremskrittspartiets forslag er lagt fram – at det skal være automatisk innvilgede pleiepenger fra

barn med store hodeskader, og da slo Stortinget fast at disse skulle ha rett på pleiepenger. Så hadde vi en ny debatt da Nav begynte det jeg kaller å stramme inn, men statsråden kaller det en mer helhetlig praksis. Jeg mener å huske at Bjurstrøm i den debatten kalte det for en ny fortolkning av regelverket. Det er helt riktig at det ikke er gjort noen lovendring, men det er i alle fall en ny fortolkning. Statsråd Bjurstrøm, husker jeg, gikk til og med så langt som til å si at det var utrolig mange familier som hadde fått pleiepenger, men nå når en hadde gått igjennom det juridisk, hadde en funnet at de egentlig ikke hadde hatt krav på det. Men de hadde hatt det. Det vi egentlig ber om, er å få tilbake den ordningen man hadde tidligere. Det vi egentlig ber om, er å få tilbake den ordningen man hadde tidligere. Det er egentlig det som har vært mitt anliggende, inntil vi kommer til bedre og mer helhetlige løsninger. Jeg vil jo inderlig håpe at de ikke vil være dårligere enn det man hadde før Stoltenberg-regjeringen tok makten. Flere har ikke bedt om ordet til sak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

2013. Nå er forslaget tidsmessig justert til framleggelsen av statsbudsjettet for 2014. Men det spiller liten rolle. Innen den tid antar jeg nemlig at regjeringen vil ha lagt fram sin bebudede stortingsmelding om levekår og tiltak for utviklingshemmede. Her vil de utviklingshemmedes livs- og levevilkår

Utviklingshemmedes deltakelse i arbeidslivet er imidlertid avhengig av tilrettelagt arbeid, oftest på varig basis. Jeg er derfor glad for at vi år for år har økt antallet VTA-plasser både i vekstbedriftene og i ordinært arbeidsliv. De siste ti årene er det opprettet rundt 2 000 nye VTA-plasser, omtrent likelig fordelt på vekstbedriftene og ordinært arbeidsliv. Dette har ikke bare kommet utviklingshemmede til gode, men også andre arbeidstakere med behov for varig tilrettelagte arbeidsplasser. Det har etter min oppfatning bidratt til større mangfold og mer varierte arbeidstilbud i bedriftene, og det har, som sagt, vært bred enighet om dette. Men Fremskrittspartiet ville ikke vært Fremskrittspartiet om partiet hadde hatt samme virkelighetsoppfatning som de andre partiene i denne henseende. Jeg kan skjønne at Fremskrittspartiet ønsker å legge premissene for en kommende stortingsmelding, men i sin kritikk av alle regjeringer etter HVPU-reformen på midten av 1980–tallet henfaller partiet til en elendighetsbeskrivelse og som jeg antar bare de selv kjenner seg igjen i. Alle som i sin tid bidro til avviklingen av sentralinstitusjonene, og som senere har opplevd forbedringen i de utviklingshemmedes levekår, ser at mye er gjort, og at verden ikke er til å kjenne igjen fra den gang. Det skyldes ikke minst kommunenes og vekstbedriftenes innsats for å skape gode bo-, arbeids- og aktivitetstilbud for de utviklingshemmede. Det betyr naturligvis ikke at vi kan lene oss tilbake i forvissning om at jobben er gjort. Fortsatt er det stort behov for skjermede arbeidsplasser, uten at vi helt vet hvor stort behovet er. En samlet komité understreker derfor at det er behov for en nærmere analyse av behovet for VTA-plasser. Enigheten strekker seg imidlertid ikke lenger enn til det, heller ikke blant opposisjonspartiene. Vel er de enige om å kreve en opptrappingsplan for utdanning og arbeid for utviklingshemmede – det er for så vidt å slå inn åpne dører – men der stopper det også. Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti går relativt langt og detaljert inn i beskrivelsen av en ønsket opptrappingsplan. Når Høyre ikke følger med på ferden, går jeg ut fra at det skyldes at de lanserte tiltakene også har en utgiftsside. Vi andre tillater oss å vente til regjeringen har gjort den jobben de har lovet å gjøre. Vi ser fram til den bebudede stortingsmeldingen og til oppfølgingen av Brofoss-utvalget om utviklingshemmedes levekår.

levekår. Jeg må si at jeg er litt overrasket over brodden i Arbeiderparti-representantens innlegg. Dette er en sak som absolutt burde vært på dagordenen for mange år siden. Det har faktisk gått 21 år siden HVPU-reformen ble iverksatt, uten at man har klart å sikre personer med utviklingshemning rett til arbeid eller utdanning. Arbeid for alle som kan jobbe, er viktig for den enkelte. Når det gjelder utviklingshemmede, er det en forutsetning at det offentlige stiller opp med nødvendig tilrettelegging. Det generelle bildet som norsk og internasjonal forskning tegner, er at funksjonshemmede generelt har vanskeligheter med å få jobb i det ordinære arbeidsmarkedet, og utviklingshemmede er gruppen som har størst vansker i så måte. Bildet er allikevel ikke helt entydig, og det finnes gode eksempler på at bedrifter som f.eks. fast-foodkjeder og butikkjeder i Danmark og Sverige har knyttet til seg utviklingshemmede medarbeidere. Vi ser også eksempler på det i Norge. En bedre oppfølging og bevisstgjøring blant norske arbeidsgivere vil kunne føre til en holdningsendring og derved økt deltakelse for de utviklingshemmede i det ordinære arbeidsmarkedet. I forskningsrapporten «Innfridde mål eller brutte visjoner?» av seniorforsker Sylvia Söderström og professor Jan Tøssebro ved NTNU fremkommer det at andelen utviklingshemmede i tiltaket Varig tilrettelagt arbeid var på 30 pst. i mens den i 2010 var sunket til 13 pst. av arbeidstakerne. Hvis det er noe Arbeiderpartiet er fornøyd med, kan ikke Fremskrittspartiet si seg enig i det. Det er ingen styrking av utviklingshemmedes muligheter til å få en arbeidsplass. Dagtilbud er ikke en tilfredsstillende løsning, og det er ganske skremmende hvor mange utviklingshemmede som går direkte fra skole til å bli sittende hjemme. De lurer på hvorfor de har gått på skole i 13–14 år hvis de ikke skal kunne få noe å gjøre. VTA-bedriftene har hatt og vil fortsatt ha en viktig rolle som varige arbeidsplasser for dem som ikke kan jobbe i de ordinære bedriftene, men også som bindeledd mellom ordinære arbeidsgivere og medarbeidere med en utviklingshemning. Ansatte ved landets VTA-bedrifter har både spisskompetanse og god og lang tradisjon for å veilede og tilrettelegge for at utviklingshemmede skal fungere godt på arbeidsplassen. Utviklingspotensialet er derfor stort for at VTA-bedriftene kan fungere som utviklingsplattformer med en klar målsetting om at flest mulig skal komme ut i det ordinære arbeidsmarkedet. Fremskrittspartiet mener at en av de viktigste faktorene for å lette overgangen fra skole til arbeid er bruk Vi er kjent med at Kunnskapsdepartementet nylig hadde høring på forslaget om hjemling av individuell plan i opplæringsloven, og forventer at høringsinnspillene som styrker lovgivningen ytterligere, vil bli tatt til følge. Vi mener også det er nødvendig å bedre forståelsen for hva planene skal inneholde, og hvordan de skal gjennomføres. Personer med utviklingshemninger må på lik linje med andre få mulighet til en utdanning som gjenspeiler deres interesser og anlegg. anlegg. Det bør derfor satses mer på tilpasset, kvalifisert opplæring som styrker elevenes egne anlegg og interesser, med tanke på jobbmuligheter. I forslaget har vi tatt opp mange viktige punkter for å bedre overgangen fra skole til jobb. Vi håper at regjeringen vil ta det med seg når de nå utarbeider en helhetlig plan. Vi mener også at lærerkandidatordningen, som bidrar til å gi elevene fagbrevkompetanse gjennom praktisk arbeid, bør styrkes, og ser at det kan være problemer ved at det er Nav som finansierer tiltakene. Fremskrittspartiet ser også at personer med funksjonsnedsettelser og utviklingshemning vil ha stor glede av å jobbe i bedrifter der de selv er medeiere. medeiere. Jeg vil der vise til Erlandsen konditori i Drammen, som åpnet i august 2012 – jeg besøkte dem på åpningsdagen – der utviklingshemmede har startet sin egen bedrift der de er medeiere. Nå viser det seg at det ikke finnes tiltak og støtteordninger som bidrar til at utviklingshemmede kan starte egne bedrifter. Jeg håper at regjeringen også tar med seg det. Det er tverrpolitisk enighet om at det er viktig at utviklingshemmede får oppfylt retten til arbeid, men Fremskrittspartiet kan ikke se at regjeringens arbeidsstrategi for personer med funksjonsnedsettelser ivaretar dette på tilfredsstillende måter. De fleste har erfart å være på en arbeidsplass hvor man ser utviklingshemmede som viser stor arbeidsglede og stolthet over arbeidsplassen sin. Vårt mål er at alle skal få rett til arbeid hvis de kan og vil, og de aller fleste

Først vil jeg berømme forslagsstillerne for å ha tatt opp til debatt et veldig viktig tema. Det er dessverre altfor sjelden at vi i denne salen får mulighet til å snakke om psykisk utviklingshemmede og deres muligheter. En av grunnene til at vi ikke snakker om det så ofte, er kanskje, kan man håpe, at det er et felt der det heldigvis er liten politisk uenighet tross et sivilisert samfunn måles kanskje først og fremst på hvordan man behandler dem som er minst i stand til å ivareta sine egne interesser – de som samfunnsøkonomisk sett ikke gir penger i kassa, men som likevel er så uendelig verdifulle. Det tror jeg alle i denne sal er enige om, og det er jeg glad for. Vi har en plikt til å at psykisk utviklingshemmede på lik linje med alle andre får muligheter til å bruke og utvikle sine evner på best mulig måte. For denne gruppen har masse å bidra med. Nei, det er ikke slik at alle kan ha en vanlig jobb, men det er neimen ikke slik at ikke alle kan det heller. ikke alle kan det heller. Som alle andre kommer psykisk utviklingshemmede i mange former. Med riktig utdannelse og riktig oppfølging har mange utviklingshemmede mye å gi. For de aller fleste, både psykisk utviklingshemmede og alle oss andre, er et liv med meningsfylt aktivitet både på jobb og hjemme svært mye bedre enn et liv i passivitet. Jeg vil derfor, som andre har gjort før meg her, berømme de mange vekstbedriftene vi har i Norge. Varig tilrettelagt arbeid er et viktig tilbud som gir meningsfylt arbeid til personer som ellers har liten mulighet til å komme inn i arbeidslivet på normale lønns- eller arbeidsbetingelser. Høyre er derfor glad for at antallet VTA-plasser har økt de senere årene, og støtter at VTA er utskilt i en egen budsjettpost fra og med årets budsjett. Det vil bidra til å gi bransjen og dem som arbeider i den, større trygghet og forutsigbarhet. Jeg er også glad for at vi har fått på plass kravet om politiattest i denne bransjen. Den beskyttelsen skylder vi å gi de menneskene som det her er snakk om. På svært mange måter var HVPU-reformen for nå godt over 20 år siden en suksess. Utviklingshemmede ble integrert i samfunnet på en helt annen måte enn før, og det tror jeg var bra, både for dem og ikke minst for samfunnet for øvrig. Likevel er det sånn at det fortsatt er et stykke igjen. Det er fortsatt et godt stykke mellom intensjon og praksis på en god del områder. Jeg er derfor enig med forslagsstillerne når de etterlyser en opptrappingsplan på dette feltet. Det etterlyser også Høyre. Jeg er glad for at regjeringen i forbindelse med behandlingen av denne saken har signalisert at de jobber med en stortingsmelding på feltet, men jeg må jo si at vi nå er svært utålmodige også i denne saken. Det begynner å bli ganske mange saker som vi venter veldig på. Jeg ser fram til å få denne stortingsmeldingen i hus så snart som mulig og få behandlet den. Men en stortingsmelding er jo én ting, konkrete tiltak må også til. Høyre vil derfor – i likhet med våre venner på ikke-sosialistisk side – fremme et forslag hvor vi ber regjeringen om å legge fram en opptrappingsplan som tar sikte på å sikre utviklingshemmede bedre rett til arbeid og utdanning. Vi ber om at denne planen fremmes i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2014, og at nødvendige midler derfor følger med. Jeg tar avstand fra det som representanten Gullvåg fremførte her for litt siden, at når Høyre ikke støtter forslagene, går jeg ut fra – som han sa – at det er fordi forslagene har en utgiftsside. Tenk det! Vi andre – jeg refererer representanten – vil vente til regjeringen legger fram Brofoss-utvalgets innstilling. Det er jo derfor vi ikke vil komme med denne serien med detaljer, men er på et annet nivå når vi fremlegger dette. Detaljene – men ikke på noen måte intensjonen – skiller vårt forslag fra forslaget fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Det skyldes rett og slett at en i en slik opptrappingsplan må se feltet i sin helhet. Vi mener at det ikke er riktig å legge for detaljerte føringer fra Stortinget i en sak. Jeg tar opp Høyres forslag i denne Representanten Sylvi Graham har tatt opp det forslaget hun refererte til. Ansvarsreformen knesatte prinsippet om likestilling og en selvfølgelig rett til å være en del av lokalsamfunn, skole og arbeidsliv – også for mennesker med utviklingshemning. Det er en stund siden reformen kom. Erfaringene viser at dessverre har en del Det er en stund siden reformen kom. Erfaringene viser at dessverre har en del tiltak i en del kommuner igjen blitt mer og mer særomsorg. Derfor er det nødvendig det som regjeringen skal gjøre, nemlig legge fram en helhetlig gjennomgang av denne politikken. Det har også blitt sendt ut et informasjons- og de lovbestemmelsene som foreligger. Det er nødvendig. Ute i kommunesektoren er det ingen grunn til å vente på at det skal komme en ny stortingsmelding før man gjør det man allerede har forpliktelser til. Arbeid er viktig. Vekstbedriftene lagde en bok for noen år siden som het «Arbeidsglede». Det tror jeg er veldig riktig beskrevet, for på få steder møter jeg så mye arbeidsglede som i vekstbedriftene – og kanskje spesielt hos folk med utviklingshemning, som bidrar med utrolig mye bra arbeidskraft og er veldig gode til å produsere både ulike tjenester og ulike varer. De har også en veldig stor arbeidsglede. Noen av oss har et slagord som sier «arbeid til alle». Da må det være arbeid til alle. annet er varig tilrettelagt arbeid en viktig bit av den politikken. Jeg har holdt på med dette arbeidsfeltet i Stortinget veldig lenge. Det er mange regjeringer som ikke akkurat har vært frampå på dette feltet. Stortinget har stort sett vært enstemmig – samlet – om at varig tilrettelagt arbeid er en viktig del av statens politikk, og at man vil styrke dette. Det har vi gjort. Det er viktig – det skal vi fortsette med fordi det trengs. Men det trengs også en rekke andre ting. I Meld. St. 18 for 2010–2011 Læring og fellesskap la man på utdanningsområdet fram en satsing som man kalte «Vi sprenger grenser». Det er en veldig viktig satsing, som handler om at alle skal ha mulighet til å få opplæring også på videregående skole-nivå. Her er det ulike ordninger, som er en ordning for dem som i utgangspunktet kanskje ikke kan oppnå fagbrev, men som har veldig mange gode evner og ferdigheter. Og mestring kan læres. Opplæringsloven § 3-1 gir alle som har fullført grunnskolen, rett til videregående opplæring i det tidsrommet som læreplanen fastsetter. Denne retten omfatter ikke bare elever og lærlinger, men sjølsagt også dem som er i Vi er altså forpliktet til å gi også disse elevene tilpasset opplæring. Lærekandidatordningen har fungert veldig bra for mange av dem som har fått benytte den. Mange av dem som er i lærekandidatordningen nå, samarbeider med vekstbedriftene. Blant annet har Østfold fylkeskommune inngått kontrakt og har også et opplæringskontor – der de gir elever med utviklingshemning eller andre typer massive lærevansker opplæring etter lærekandidatordningen. Det er utrolig viktig at vi greier å styrke også satsingen på dette. Dette må man følge opp ganske tidlig – for man vet jo ganske tidlig hvem disse elevene er

får denne opplæringen, som de kan få gjennom bl.a. disse bedriftene, vil de utvikle kompetanse og ferdigheter som er brukelig både i disse bedriftene og i ordinært arbeidsliv framover. En av de store utfordringene framover er jo å utløse mer arbeidskraft – det trengs flere som kan jobbe. Jeg er helt overbevist om at veldig mange mennesker med har mulighet til å jobbe mer, til å bidra positivt i arbeidslivet på mange områder, hvis vi gir dem opplæring i en takt, med metoder og på måter som gjør at også de kan utvikle hele sitt potensial, slik som alle andre skal det.

og understreke det. Det er gjort forbedringer – som representanten Karin Andersen også var inne på – men på dette området har vi ikke nådd langt nok. Ut fra min erfaring fra regjeringskonferanser vet jeg at den gruppen mennesker som vi her snakker om, ikke er den gruppen som er lengst framme når det gjelder å få forbedret sin sak. Dessverre, sånn fungerer altfor mange av de prioriteringene jeg har Varig tilrettelagt arbeid – først og fremst i skjermet sektor – er for Senterpartiet helt sjølsagt, men det er også sjølsagt at vi i større grad må kunne benytte det ordinære arbeidslivet. Innenfor det ordinære arbeidslivet er det for dem som er

men – som flere har vært inne på – det er mange flere personer som oppfyller betingelsene for å få varig tilrettelagt arbeid. Det som skjedde i statsbudsjettet for inneværende år, at VTA-arbeidsplasser i skjermet sektor fikk egen post – og at det ble flere slike plasser – har gitt større forutsigbarhet. Jeg håper at dette er en post som statsråden vil fokusere på, og sikre at den blir utviklet slik at en kan ta unna noen av de mange som ønsker seg arbeid. Det snakkes om en helhetlig vurdering av situasjonen for de utviklingshemmede – det er viktig. Det er noe som bør kunne prioriteres, og jeg synes at det som går på å starte med det som kalles for individuelle planer for den enkelte utviklingshemmede kanskje to år før grunnskole og videregående skole er avsluttet, burde være en sentral oppgave. En vet hvem dette gjelder, en vet hva som er utviklingsløpet. Det utviklingsløpet. Det er for meg ganske sterkt å erfare foreldre som kommer til meg og sier: Per, her er det ikke klart hva som er veien videre når jenta mi går ut av skolen. Sånn kan det ikke være. Det er så forutsigbart at en bør ha det løpet helt klart. Om så staten ikke har gjort nok, har jo så staten ikke har gjort nok, har jo hver enkelt kommune et selvstendig ansvar – kommunene er også involvert i Nav – og kan sikre at det blir en oppfølging på det punktet. En slik ordning – i god tid før en går ut av grunnskole eller videregående skole – vil kunne gi forutsigbarhet, vil kunne gi tilvenning til en ny situasjon for dem det gjelder, og det vil kunne gi trygghet for den som som da kan senke skuldrene og være sikre på at her er de i de beste hender. Saken vi har til behandling i dag, er

er et samfunn som er godt for alle, og like riktig er at et samfunn som er godt for dem med psykisk utviklingshemning, er et samfunn som er godt også for alle. Et fellesskap som bidrar til at alle får være med og bidra til å bruke sine evner og anlegg, er et godt samfunn å leve i. Vi som politikere har et ansvar for å skape mulighetene for å sikre dette for hvert enkelt individ.

at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en stortingsmelding om levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemning, men tiden er knapp. Jeg vet ikke om vi har tid til å vente på den, for det er jo allerede godt over et år siden Stortinget vedtok dette. Det var i helsekomiteen at forslaget kom, og det ble vedtatt her i denne sal 6. desember 2011. Jeg tror at forslagene som blir lagt på bordet i dag, ville gitt et stort løft til utsatte mennesker. Det er derfor trist at posisjonen ikke vil være med på det som foreslås. Inkludering i arbeidslivet er viktig for det enkelte mennesket, fordi arbeidsplassen gir den enkelte et fellesskap, en plass man hører hjemme, og en plass hvor man får lov til å være med å bidra og bety noe for andre. Det er også lønnsomt sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. VTA- og VTO-plasser er svært viktige virkemidler for å sikre at mennesker med psykisk utviklingshemning får et tilbud hvor de får bruke sine evner og anlegg. Vekstbedriftene gjør i så måte en svært god jobb. For å sikre at mennesker med psykisk utviklingshemning får muligheten til dette, er det viktig de sikres en tilpasset utdanning, og at de dermed får en basiskompetanse som er viktig for å fungere i samfunnet. samfunnet. For å sikre at overgangen fra skole til arbeidsliv blir gjennomført på en god måte mener vi det bør innføres en mentorordning, som også er et av forslagene i dag. For å gi et egnet og individuelt tilpasset tilbud til den enkelte er det også viktig at arbeidsevnen blir vurdert. Vi har alle forskjellige egenskaper og forutsetninger. Jeg mener at forslaget som fremmes i dag, ville ivaretatt disse utfordringene. Det er derfor svært trist at regjeringspartiene stemmer mot. Vi vet som sagt ikke når regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en helhetlig melding. Kristelig Folkeparti stemmer subsidiært – i likhet med Fremskrittspartiet – på Høyres forslag dersom vårt forslag mot formodning faller. Det er notert. Arbeid og utdanning er viktig for personer med utviklingshemning fordi det

også en målsetting om størst mulig grad av integrering av funksjonshemmede i vanlig skole, ordinært arbeid og ordinære arbeidsmarkedstiltak. Derfor vokser dagens barn opp med et helt annet forhold til utviklingshemmede enn det som var tilfelle tidligere. Vi har sett på mange skoler at det å inkludere personer som er utviklingshemmet, gjør at skolen også blir bedre til å se de individuelle forskjellene blant de andre barna. Det skaper et mer positivt samfunn. Det er få utviklingshemmede i ordinært arbeid, men mange deltar enten på kommunale dagsenter eller i varig tilrettelagt arbeid. Et mindretall deltar på tiltak som skal integrere yrkeshemmede. De aller fleste personer med utviklingshemning har uførepensjon som den viktigste inntektskilden. Forslagstillerne ønsker en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med Jeg er enig med representantene i betydningen av å styrke virkemidlene på arbeids-, utdannings- og velferdsområdet for denne målgruppen. Det gjelder også arbeidsrettede tiltak i ordinært arbeidsliv og i skjermet sektor. Samtidig vil jeg understreke at det har skjedd mye positivt de siste årene. Antall plasser og ikke minst innholdet i varig tilrettelagt arbeid har endret seg betydelig siden de første arbeidssamvirkene ble etablert på 1970-tallet. Fra å være enkle arbeidsoppgaver er produksjonen nå preget av et vidt spekter av produkter som ofte produseres med avansert utstyr. Det tilbys en rekke ulike tjenester, f.eks. å drive kafeer, selge skolemat og være med i tjenester ute i andre bedrifter. De seneste årene har det også vært gjort en stor innsats for å sikre bedre kompetanse og kvalitet i tiltakene, gjennom bl.a. godkjenningsordninger hvor rutiner og krav i bedriftene blir gjennomgått og forbedret. For å styrke tryggheten er det også innført krav om politiattest for de ansatte. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2013 besluttet Stortinget at de støttet regjeringens forslag om at arbeidsmarkedstiltaket varig tilrettelagt arbeid skulle inn på egen post. I tillegg økes antall plasser noe. Når det gjelder behovet for tilpasset opplæring, har regjeringen allerede planlagt og iverksatt flere tiltak som både direkte og indirekte vil ha elever med utviklingshemning som målgruppe. I Meld.St. 18 for 2010–2011, Læring og fellesskap, som ble lagt fram i 2011, omtaler regjeringen en strategi for tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og Regjeringen arbeider nå med et høringsnotat der vi vil se på utviklingshemmedes levekår i lys av intensjonene i ansvarsreformen og levekårene for øvrig. En sentral dimensjon er tilgangen til utdanning og arbeid. Høringsnotatet og uttalelsene vil danne utgangspunkt for arbeidet om de utviklingshemmedes levekår. Her vil regjeringen identifisere utfordringer og omtale videre arbeid med å bedre levekårene for utviklingshemmede. Tiltak for å styrke tilgangen til relevant og tilrettelagt utdanning og arbeid vil bli vurdert. Spesielt overgangen fra utdanning til arbeid er en viktig fase som krever helt spesiell oppmerksomhet. Det blir replikkordskifte. Som Lundteigen sa, er

Vil regjeringen sørge for at det blir en rettighet for disse elevene å gå over i arbeidslivet, da de er helt avhengige av det offentlige for å kunne gå inn i arbeidslivet? De er også helt avhengige av at det finnes midler hos Nav som kan tilrettelegge for en arbeidsplass, enten det er en varig tilrettelagt arbeidsplass eller om det er andre typer som har vært nevnt i debatten. Vil regjeringen sørge for at dette blir en rettighet, eller skal det fortsatt være tilfeldig om utviklingshemmede kommer seg ut i jobb etter endt skolegang? Det som er viktig, er jo å øke antall plasser i Det som er viktig, er jo å øke antall plasser i skjermede virksomheter, og det antallet har økt betydelig de siste årene – fra 3007 plasser i 2001 til 8 000 i 2012 – og det ligger også en delvis økning i budsjettet for inneværende år. Så til spørsmålet om nye rettigheter: Dette er jo et spørsmålet som eventuelt blir drøftet i en stortingsmelding, og jeg kan ikke foregripe behandlingen av den
representanten Sylvi Graham

For når det gjelder arbeidsmarkedstiltaket varig tilrettelagt arbeid, så er dette en ordning som har økt de siste årene. Men jeg tar dette veldig alvorlig og vi skal sette i gang en undersøkelse senere i år om hvor stort behovet for slike arbeidsplasser er.» Dette sa Hanne Bjurstrøm, som ikke utelukket at det var en underdekning. Mitt spørsmål til statsråden er: Er den undersøkelsen foretatt, og kjenner man per dags dato til hvor mange plasser som mangler, og om det er en underdekning?

Lundteigen hadde ordet og snakket om at denne saken er midt i hjertet av det rød-grønne området. «På dette området har vi ikke nådd langt nok», lot han seg sitere på. Da blir mitt spørsmål til statsråden: Hvilke forhold innen de utviklingshemmedes levekår mener statsråden representerer det vi ikke har nådd langt nok på? Det er en diskusjon som både handler om tiltak innenfor utdanning og innenfor arbeid, men det handler også om holdningsendringer og det å tilrettelegge mer i ordinært arbeidsliv. Så det handler om et vidt spekter av områder, og jeg mener at vi har kommet et stykke på vei med ansvarsreformen. Personer som er utviklingshemmet er mer inkludert i vårt samfunn enn det er fortsatt et stykke igjen. Det handler noe om politikk, men det handler også om hvilket syn vi har på våre medmennesker. Jeg takker statsråden for svaret. Det er jo interessant

til behandling før sommerferien? Ja, dette har jeg jo svart på en rekke ganger, og jeg står fast ved mine svar, at dette vil vi følge opp fortløpende. Det er deler av dette som vil bli forelagt Stortinget i løpet av dette året, men hva som kommer på hvilket tidspunkt, kan Stortinget vente seg at de får en fortløpende gjennomgang av. Til det siste svaret fra statsråden: Betyr det at vi faktisk ikke får en helthetlig oppfølging og

få en mer tallmessig gjennomgang av dette spørsmålet. Så til spørsmålet om Brofoss: Brofoss-utvalget handler jo om en rekke ting. Det handler både om metode, om frivillige organisasjoner, og det handler om måter å anskaffe ulike plasser på. Så det som er viktig for meg, er å få er å få fulgt opp deler av Brofoss-utvalget fortløpende, og det vil vi altså gjøre i forhold til Stortinget. Men det er ikke slik at dersom man lager en omfattende, helhetlig stortingsmelding, så får man en raskere gjennomgang av saken. Jeg tror det er enkelte punkter fra Brofoss som vi kan løse ganske tidlig, og så er det noen ting vi trenger noe mer tid på. Da handler det bl.a. om hvordan vi anskaffer en del av disse plassene. Da handler det bl.a. om hvordan vi anskaffer en del av disse plassene. Da er replikkordskiftet omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Dette er på mange måter en etterlengtet debatt. Men samtidig er det en debatt som vi kanskje – i anførselstegn for ofte, for samtlige har signalisert at vi er utålmodige, at vi ikke har nådd langt nok på området. Det betyr at vi er nødt til å være veldig fokusert på gjennomføringen. Det er veldig viktig at vi nå klarer å holde et godt grep om denne saken, og faktisk får gjennomført. Så derfor tenker jeg når det gjelder litt av debatten: Når det vedlegges protokollen, så avvises det jo ikke. Men det er rett før vi skal melde en helthetlig pakke for hele området, og det synes jeg er viktig å ta med i denne runden. Men det jeg ønsker å ta opp, det jeg ønsker å si noe om, er at VTA er jobb. Noen av oss på dette huset er av og til litt tekniske nerder, og vi er opptatt av en budsjettpost eller nummer og rammeområde og i det hele tatt – men grunnen til at vi flyttet dette over på en egen post,

og her ser vi at det som leveres, er produkter. Det er ikke «lagde» arbeidsplasser. Et av de områdene som fascinerte meg mest da vi nå hadde presentasjon av bedriften hvor kompetansekravet var at «du kan ikke kunne lese og skrive, for du skal makulere sensitiv dokumentasjon». Så kan du lese det, så er du ikke egnet til jobben. Det utelukker ganske mange, iallfall de som sitter rundt i denne salen, og ganske mange andre rundt omkring i ganske mange andre rundt omkring i landet. Det betyr at det er en reell jobb som utføres, det er reelt behov for det norske samfunnet. Så finansierer vi det kanskje – jeg vil bare si «kanskje» – på en annen måte enn en del andre oppgaver i dette landet. Men det finnes da virkelig en del andre jobber i det norske samfunnet som er finansiert av staten, eller av staten i kombinasjon med en kommune – eller, Det er ikke tiltaksplasser, det er oppgaver det norske samfunnet har behov for å levere, og det er arbeidsplasser vi har behov for å styrke og videreutvikle. Det er det vi skal ta tak i, og det er vi ikke kommet i mål med, for enda snakker vi om tiltaksplasser. Jeg har lyst til veldig kort å nevne Østfold som eksempel. Her har man tatt dette på alvor ved å lage opplæringskontorer som klarer å sikre at det er riktig kompetanse som kommer til de riktige plassene. Det er noe vi har lyst til å kikke mer
gripe fatt i en mulig misforståelse – eller iallfall få fakta brakt på bordet – for i replikkordvekslingen sa statsråden at de har foretatt en gjennomgang av hva denne NTNU-rapporten peker på, og at andelen utviklingshemmede i arbeidslivet ikke var svekket, men hadde vært ganske konstant. Jeg registrerer at gjelder NTNU-rapporten Innfridde mål eller brutte visjoner?, sier den som har ledet arbeidet med den, professor og forsker Jan Tøssebro: «I rapporten går det frem at det i løpet av de siste ti årene har vært en kraftig nedgang i andelen utviklingshemmede i tiltaket varig tilrettelagt arbeid . I tillegg har andelen utviklingshemmede som står

er det departementet eller statsråden som har misforstått mitt spørsmål, eller så er det vel sånn at vi har svært dårlig utdannede professorer i dette landet, for alle professorer kan jo ikke ta feil. Jeg skal være enig i at til tider tar enkelte professorer feil i enkelte spørsmål, men at de skal gjøre det i hver eneste sak, synes jeg virker litt spesielt. Det er liten tvil om at andelen utviklingshemmede i arbeidslivet og i VTA-plasser har gått ned. ned. Her er spørsmålet om man ønsker å styrke det, å si at man skal ha flere inn i et arbeidsrettet tilbud, eller om vi skal akseptere en stadig økning når det gjelder dagplasser og dagsentre. Jeg er ganske overbevist om – og det viser også den rapporten som ble lagt frem for to år siden ved Norges Handelshøyskole – at det samfunnsøkonomisk er langt mer gunstig og VTA-plasser eller arbeidsrettede tiltak fremfor dagsentertilbud. Kostnadene er mye bedre samfunnsmessig fordelt. Da burde det være opplagt at man styrker det som både er best for den enkelte og – ikke minst – også det samfunnsøkonomisk mest hensiktsmessige. Derfor håper jeg at regjeringen legger frem en opptrappingsplan for antall VTA-plasser og åpner for at flere utviklingshemmede kommer raskere inn i de plassene.

skjedd foreløpig, så jeg håper vi ikke må vente i 18 nye måneder. Jeg føler etter denne debatten grunn til å understreke at det gjøres et aldeles utmerket arbeid rundt omkring i landets kommuner for å sikre at utviklingshemmedes levekår stadig blir bedre. Jeg føler ingen trang til å snakke ned

vi i større grad bør reservere VTA-tiltaket for utviklingshemmede, vil jeg faktisk advare mot det. Vi kan være enige om at vi trenger flere plasser, men jeg var nettopp i denne uka på besøk hos en bedrift som ligger på og hvor man har 40 VTA-plasser for arbeidstakere med ulike forutsetninger og ferdigheter som til sammen skaper et stimulerende arbeidsmiljø. Fra denne bedriften rekrutteres arbeidskraft til det ordinære arbeidslivet, også utviklingshemmede. Jeg tror likevel vi skal innse at det først og fremst er vekstbedriftene som kan dekke arbeidsplassbehovet for utviklingshemmede. Det er et stort behov. Jeg er sikker på at regjeringen kommer til å følge opp dette behovet i årene som kommer, slik den har gjort til nå. Derfor er det så viktig at vekstbedriftene inngår som en naturlig del av det lokale næringslivet. Slik landet vårt er geografisk utstyrt, er geografisk utstyrt, er disse bedriftene svært viktige arbeidsplasser som bidrar til å hindre utstøting og uførhet. De er faktisk nødvendige bidragsytere i et lokalt næringsliv. Derfor bør vi etter min oppfatning se nærmere på virkemiddelbruken på ulike områder for å skape flere slike arbeidsplasser. Men det er en sak vi skal komme

Den rettigheten har aldri blitt lovbestemt, og den er ikke på langt nær oppfylt. Det er et stort utviklingspotensial. Jeg kan nevne arbeidssamvirkebedriftene. Mange av dem har veldig god økonomi, men de har ikke mulighet til å opprette flere plasser, for Nav vil ikke betale. Det som ble sagt til meg senest i forrige uke, var at det ikke er kommunens ansvar å betale, det er Navs ansvar å komme med støttemidler. Kommunen har ansvaret for dagtilbudet. Det er et delt ansvar som er politisk ønskelig, og der blir også disse brukerne kasteballer i systemet. Når det gjelder utviklingshemmede, er de en helt spesiell gruppe, som som regel er født med et handikap som gjør at de ikke kan søke ordinært arbeid på lik linje med alle andre. De er helt avhengige av offentlig støtte for å kunne tre inn på en arbeidsplass, enten det er en privat arbeidsplass eller det er et eller annet varig tilrettelagt arbeid som kommunen har. Det er det jeg også etterlyser rettigheter til. Når en elev går ut av skolen, vet man at det må finnes støtteordninger som hjelper den personen i arbeid. Hvis ikke blir den personen sittende hjemme eller havner på et dagtilbud hvor det ikke skjer noe særlig produktivt. Det er helt feil bruk av midler å plassere unge mennesker på et dagtilbud i stedet for å la dem, etter å ha fullført en skolegang, gå over i jobb. Det er dette som må og å se på hva slags evner og interesser den enkelte har, for å føre eleven i retning av å kunne få en så tilrettelagt arbeidsplass som mulig. Da hjelper det ikke å si i denne salen at vi har økt antall plasser når behovet er økende og når stadig flere sitter hjemme og ikke får noe å gjøre. Hvorfor skal de fullføre et skoleløp når de blir plassert hjemme i årevis etterpå, og de samtidig vet at det finnes en arbeidsplass i kommunen eller et eller annet sted hvor de kunne være med og bidra hvis bare det offentlige hadde kommet med midler. Jeg skulle ønske at det var automatikk i at stønadsmidlene fulgte disse brukerne så de kom rett ut i jobb når det var mulig og ønskelig. Jeg føler bare behov for å minne representanten

Men på arbeidsområdet er det slik at det er tatt positive beslutninger de siste årene. Det er ingen uenighet om, slik jeg har opplevd det i denne salen, at man ønsker at utviklingshemmede skal få arbeid. Tvert imot, vi har nå i dette budsjettet økt antall plasser og sikret at disse pengene, slik som representanten Brandvik sa i sitt innlegg, er øremerket arbeid og ikke blandet inn i tiltakspotten. Det har vært utrolig viktig. Stortinget har også bedt om en oversikt over hvem det er som har behov for slike plasser, men det har vært vanskelig å få gode tall på det til nå. Det stod i statsbudsjettet, som vi fikk framlagt i høst, og som ble behandlet for en stund siden. Men det er sjølsagt at man må gå videre med det, for det har heller ikke vært noen registrering i kommunene av hvem som har behov for et slikt arbeid, og det har heller ikke blitt registrert i Nav. Så vil jeg også understreke at vi ikke må finne på å si at noen av disse ungdommene ikke skal gå på skole fordi man ikke er helt sikker på hva slags arbeid de skal få. Nei, disse elevene skal ha like god opplæring som alle andre og få sine evner maksimert. maksimert. Så er det vår jobb etter hvert å sikre at flere av dem får arbeid, både i ordinær virksomhet og også i flere VTA-bedrifter. Det har vist seg at den metodikken de bruker i en del av disse vekstbedriftene, er veldig velegnet for mange andre personer også, som i ulike livsfaser og i ulike situasjoner situasjoner kan ha nytte av den samme opplæringsmetodikken eller samme arbeidsmetodikken. Det betyr at vi må utvide det i stedet for å gjøre dette til en kamparena mellom mennesker med utviklingshemninger og mennesker med andre typer problemer. Da må vi sørge for at det blir nok av disse tilbudene, og ikke si at dette skal være for den ene eller den andre gruppen. Nei, tvert imot, dette er noe vi har sagt skal være for alle. Utviklingshemmede skal ikke være i en bås for seg, der det er bare de som holder på med dette arbeidet. De skal være på arbeidsplasser der det er mange andre ulike mennesker. Det er bra, det! Så får vi slåss for at det blir flere plasser, og at det blir nok plasser til alle.

kraft. Så varsles det en stortingsmelding som det kommer til å ta nærmere to år å lage. Hva er det som er mer forpliktende i en ny stortingsmelding enn i HVPUreformen? Det varsles ikke noen løfter om å innføre noen lovbestemte rettigheter. Jeg må si jeg blir direkte bekymret når Karin Andersen sier at utviklingshemmede ikke bør få en større trygghet for å komme i arbeid enn andre. De er en gruppe som er en ganske forutsigbar størrelse, og som det er fullt mulig å vite antallet på. Det som er problemet for dem, er at de blir sidestilt med andre. Jeg må si jeg faktisk blir litt bekymret etter denne debatten over at regjeringen er så lite imøtekommende med å gi utviklingshemmede rett til tilpasset utdanning og arbeid. Karin Andersen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Så

at hun heller ikke er villig til å se at vi nå er inne i et godt løp der vi styrker dette området og der alle sammen sier at vi ønsker å styrke det. det. Det er det vi jobber for. Det er ingen uenighet mellom partiene i Stortinget om at vi ønsker å styrke det, men vi ønsker å styrke det både når det gjelder opplæring og skoletilbud, arbeid og også når det gjelder bolig, for det er veldig viktig at mennesker med utviklingshemning kan få lov til å bo der de vil og bestemme sjøl over sine liv, slik som vi andre gjør. Det kommer også til å være en viktig del av den stortingsmeldingen som kommer.

Dersom det er slik at representanten Giltun vet svaret på det spørsmålet, skjønner jeg lite av hennes innlegg her i dag. Det er nå en gang slik at den AFI-undersøkelsen som er foretatt, ikke gir noe klart svar på hvor stort behovet er. Her har Nav, kommunene og tiltaksarrangørene ulike anslag på behovet for VTA-plasser. Sluttelig føler jeg trang til å understreke at igjen har vi sett at opposisjonen filer videre på mantraet om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

som ikke minst har satt folkehelse på den øverste politiske dagsorden, hvor forebygging og helsefremmende tiltak står heilt sentralt. Samhandlingsreformen har satt søkelyset på de store folkesykdommene i kategorien kroniske, ikke-smittsomme sykdommer, som i stor grad kan forebygges ved endringer i livsstil som røykekutt, et mer moderat alkoholforbruk og gjennom å være meir fysisk aktiv. Kols er en av de mest alvorlige sykdommene som påviselig har røyking som hovedårsak. Både kols og andre kroniske lungesykdommer rammer en stor gruppe mennesker. Antall kolssyke i Norge er ca. 370 000 og øker med 20 000 per år. Hos ca. 70 pst. av pasientene er årsaksfaktor alene mens andre tilfeller er knyttet til yrkesmessige forhold – i eller uten kombinasjon med tobakk. Det var for å møte denne virkeligheta at regjeringa i 2006 lanserte Nasjonal strategi for KOLS-området 2006–2011 og opprettet Nasjonalt KOLS-råd som en del av strategien. Denne strategien har vært et nødvendig og nyttig virkemiddel i arbeidet mot den kolsepidemien vi ser konturene av. Også FN og Verdens helseorganisasjon har retta oppmerksomhet mot kols som en svært alvorlig sykdom. I regjeringas kolsstrategi inngår bl.a. etablering av nasjonalt kvalitetsregister for personer med kols – i drift fra 2011 – og det er utgitt nasjonale retningslinjer og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging knyttet til I brev til helse- og omsorgskomiteen av 14. desember 2012 peker statsråden på at den videre satsinga for å hindre kols bør skje integrert i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet som er nedfelt i folkehelseloven, og i oppfølginga av Samhandlingsreformen. Her understrekes det at Samhandlingsreformen nettopp fokuserer på bedre og mer koordinerte behandlings- og rehabiliteringstilbud. Og flere kolspasienter kan få tilbud gjennom f.eks. intermediærenheter, i kommunenes ø-hjelpstilbud eller også i egen heim, f.eks. ved hjelp av ny medisinsk teknologi. I 2011 er det bevilget 30 mill. kr til behandling og rehabilitering av kronikere i Flere steder i landet pågår prøveprosjekter der pasienter med kols skal prøve ut en kolskoffert ved hjemmebehandling. Utstyret gir en toveis kommunikasjon med lyd og bilde mellom medisinsk personell og pasient, og hensikten er at utstyret skal gi økt trygghet for pasientene ved å bedre oversikten over f.eks. hjerte- og lungefunksjon og gjennom justering av behandlingstiltak. Målet er å få til bedre sykdomsforløp og dermed større mulighet for pasienten til å kunne bo heime. Også dette tiltaket skal evalueres. Den langsiktige primærforebygginga må ta sikte på å redusere forekomsten av kols. Dette bør først og fremst skje gjennom å søke å få til betydelige og gjennom et aktivt arbeid mot helseskadelig inhalasjon i arbeidslivet. Tidlig diagnostisering av kols er viktig og gir mulighet for tidligst mulig intervensjon gjennom røykeslutt og livsstilsendring. Et svært positivt resultat av kolsstrategien er at antall dagligrøykere i befolkninga går ned, og at dette særlig skjer blant de yngste. Jeg er glad for at denne regjeringa har stor oppmerksomhet på folkehelsearbeidet gjennom forebygging og helsefremmende tiltak, og jeg ser fram til folkehelsemeldinga som kommer i vår. Jeg tror det er rett å se arbeidet for å redusere de store folkesykdommene – herunder kols – som en integrert del av den breie folkehelsestrategien som vi nå skal ha, og ikke som særskilte tiltak som krever egne,

Samtidig har vi fått avslørt at kunnskapen hos allmennlegene om diagnostisering, behandling og oppfølging av kolspasienter er svært mangelfull. Fremskrittspartiet har gjennom flere budsjettbehandlinger gått inn for å styrke kunnskapen om sykdommen samt å øke behandlingen og tilbudet til denne pasientgruppen – uten å få gjennomslag for det. Vi har foreslått tiltak for å følge opp og videreføre kolsstrategien. Regjeringspartiene avslutter nå det nyttige arbeidet som har skjedd gjennom kolsstrategien 2006–2011, og legger ned Nasjonalt Regjeringen lener seg tilbake under henvisning til at den videre satsingen når det gjelder kolspasienter, skal skje som en del av Samhandlingsreformen og folkehelsearbeidet. Det er etter min oppfatning en kraftig nedtrapping av satsingen rettet mot en av de raskest voksende kronikergruppene her i landet. Det mener jeg er uakseptabelt. En varslet ny stortingsmelding som omtaler problemstillingene i forbindelse med kolspasienter, vil i stor grad bli som å slå opp åpne dører.

og bl.a. røykeavvenningskurs slik at vi kan redusere antallet som rammes av sykdommen. Fremskrittspartiet har flere ganger advart mot at kronikere kan bli skadelidende som følge av Samhandlingsreformen, og med regjeringens tilnærming frykter vi at vi kan få rett. Pasienter med kroniske, ikke-smittsomme sykdommer krever en annen tilnærming og oppfølging over tid enn det vi ser i dag. Vi vet at kolspasienter er blant de mest hyppige svingdørspasientene i spesialisthelsetjenesten med opp til 40 pst. reinnleggelser i løpet av et år. Når regjeringen nå peker på at Samhandlingsreformen skal være virkemiddelet overfor kolspasientene, ser det nesten ut til at de mener at de økonomiske insentivene som ligger i kommunal medfinansiering, skal presse 429 kommuner til å få på plass et godt, forebyggende og behandlende tilbud til kolspasienter på kort tid. Det er utopi! Jeg er også lei meg for den litt slagsidepregede tilnærmingen til kolssykdommen knyttet opp mot tobakksbruk. Det medfører selvsagt riktighet at et stort antall av dem som har fått kols, røyker eller har røkt. Og det er viktig med tilbud om røykeavvenning. Men vi skal ikke glemme at det finnes mange andre faktorer som kan være medvirkende og utløsende for å utvikle denne lungesykdommen. Luftkvalitet både ute og inne har en vesentlig betydning. Selv om vi etter hvert lever i et mer postindustrielt samfunn, vil det fortsatt være mange som sliter med ettervirkninger av å ha ha arbeidet på usunne arbeidsplasser med dårlig luft og eksponering for farlige gasser eller partikler. Det er ikke lenge siden vi så bilder også fra sykehusbygg her i landet hvor man hadde tapet igjen dørene med gaffatape for å begrense asbest fra å trenge inn i personalets garderobe. Forskning har også vist at kosthold og inaktivitet kan være utløsende faktorer for kols, og ofte er det vel slik at noen eksponeres for flere av disse faktorene samtidig og over tid, noe som øker faren for å utvikle sykdom.

kolsepidemien. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og fagmiljøene har uttalt at Norge må få på plass en ny kolsstrategi, og har påpekt at det er store mangler i tilbudet til denne pasientgruppen, og at det gjøres for lite for å få bukt med lidelsene dette medfører. Det er også bakgrunnen for at Høyre har foreslått en ny kolsstrategi, og vi er glad for støtten fra Fremskrittspartiet og Det er bra at regjeringen og regjeringspartiene ser utfordringene knyttet til kols og behovet for bedre diagnostikk, forebygging, behandling og rehabilitering. Derfor er jeg noe forundret over at de verken drøfter eller begrunner sin motstand mot å få på plass en ny kolsstrategi – ikke minst fordi de selv har gitt så stor anerkjennelse av betydningen av den forrige kolsstrategien, slik nettopp representanten Knutsen Noe av det siste Nasjonalt kolsråd vurderte, var gjennomføringen av kolsstrategien og oppfølgningen av den. Blant anbefalingene som Kolsrådet ga, var at helsemyndighetene måtte utarbeide en ny kolsstrategi som et sentralt dokument for politikkutforming, ikke minst når det gjaldt Samhandlingsreformen. Samhandlingsreformens intensjoner underbygger viktige deler av en strategi for å forbedre tilbudet til kolssyke, men det er oppfølgingen og ressursene, at tilbudet kan forbedres, ikke i målsettingene. God behandling og ikke minst rehabilitering av kolssyke er svært viktig. Denne pasientgruppen har behov for bedre diagnostikk og bedre tilrettelegging for mestring, behandling, rehabilitering og lindring, også utenom helsefeltet. Derfor mener vi at det er viktig med en helhetlig utformet og tiltaksorientert strategi. Det vil sørge for at vi bedre møter problemene kols medfører for pasientene og for samfunnet. Nasjonalt kolsråd gjorde en stor innsats og fikk bl.a. utført omfattende undersøkelser blant allmennleger. Undersøkelsene viste særdeles mangelfulle kunnskaper om diagnose, behandling og oppfølging av kols. Det fremkom også at det kun var 18 pst. som Vi vet at det i dag finnes en stor andel pasienter som er underdiagnostiserte. Det er etter vårt syn helt avgjørende for denne pasientgruppen å øke kunnskapen om kols og styrke kvaliteten på behandlingen. Frivillige organisasjoner har, som på mange andre områder, igjen gått i front for å få fram informasjon og kunnskap og få i gang tiltak til dem som er rammet av Regjeringspartiene mener at den videre satsingen for å bekjempe kols skal skje som en del av folkehelsearbeidet og gjennom oppfølging av Samhandlingsreformen. Det er for så vidt Høyre enig i, men vi mener det er en altfor passiv tilnærming til en alvorlig og stadig økende folkesykdom. Vi har vært og er opptatt av faren for at kronikerne er de som skal bli lidende som en følge av Samhandlingsreformen. Kroniske sykdommer krever en annen tilnærming og oppfølging over tid enn det vi ser i dag. Det viser seg også at kolspasienter er blant de mest hyppige svingdørspasientene i spesialisthelsetjenesten med opptil 40 pst. reinnleggelser i løpet av ett år. Rehabiliteringstilbudet for kolspasienter er også mangelfullt. Regjeringens endring av refusjonstakster har ført til at mange tilbud nå er lagt ned. I tillegg ser vi at spesialisthelsetjenesten bygger ned sine rehabiliteringstilbud før kompetansen i kommunene er bygget opp. mange tilbud nå er lagt ned. I tillegg ser vi at spesialisthelsetjenesten bygger ned sine rehabiliteringstilbud før kompetansen i kommunene er bygget opp. Tilbudet om god lindrende behandling, som er særdeles viktig også i siste del av sykdomsforløpet ved kols, er mangelfullt. En samlet opposisjon foreslo i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2013 å få på plass en tilskuddsordning for etablering av hospiceplasser hos både offentlige og private ideelle aktører. Høyre men i likhet med Landsforeningen for hjerte- og lungesyke er vi svært skuffet over at regjeringspartiene og regjeringen ikke kunne stille seg bak forslaget om en ny kolsstrategi. Foreløpig hjelper det dessverre ikke om vi ønsker det, men det er bare

og som fører til uføre og tidleg død. Både FN og Verdas helseorganisasjon har retta merksemda nettopp mot dei ikkje-smittsame sjukdommane og tiltak for å avgrensa desse. Verdas helseforsamling vedtok i mai 2012 eit mål om å redusera for tidleg død av ikkje-smittsame sjukdommar med 25 pst. innan Noreg har gitt si tilslutning til denne globale målsettinga. Verdas helseorganisasjon har definert ikkje-smittsame sjukdommar i denne samanhengen som hjarte- og karsjukdommar, kreft, kroniske lungesjukdommar og diabetes. Helsedirektoratet i Noreg har sett ned eit ekspertutval til å sjå på dette, som nyleg la fram si anbefaling til myndigheitene om tiltak som kan bidra. Mange av dei tiltaka som dei føreslo, er tiltak som vil kunna Eg er einig i det som helse- og omsorgsministeren skriv i brevet til komiteen, at førebygging og behandling av kols heng nøye saman med kor godt folkehelsearbeidet fungerer, og kor godt vi lykkast med Samhandlingsreforma. Med den nye folkehelselova har kommunane fått større formelt ansvar for folkehelsearbeidet. Både mindre luftforureining frå biltrafikk, auka fysisk aktivitet t.d. i skulen, tiltak for å få ungdom til å la vera å begynna å røyka er viktige kolsførebyggjande tiltak. Forslagsstillarane ber regjeringa leggja fram ein ny kolsstrategi som ei oppdatering av Nasjonal strategi for KOLS-området 2006–2011. Senterpartiet deler forslagsstillarane sin ambisjon om å kjempa og behandla kolsepidemien, men eg trur helseministeren har rett i at det viktige som no må skje, er at det som er utvikla må implementerast i den ordinære helsetenesta, m.a. gjennom Samhandlingsreforma si satsing på kommunane og på fastlegane for å styrkja arbeidet med tidleg diagnostisering. Det viktige folkehelsearbeidet som skjer med ny tobakkslov, må eg òg få lov til å nemna. Det er ei sak som Stortinget har til behandling. Der blir det føreslått fleire tiltak som nettopp kolsstrategien omtalar. Eit eksempel er å innføra røykfri skuletid. Røyking er som kjent den viktigaste årsaka til kols. Samhandlingsreforma har som viktig mål å endra innsatsen i helsetenesta, slik at kommunehelsetenesta blir prioritert for å få meir fokus på dei store pasientgruppene, altså på kronikarane. Eit viktig forsøk som kom i gang i samband med Samhandlingsreforma, er Kols-kofferten-prosjektet som er etablert som ein del av samhandlings- og Målet med prosjektet var å få auka fokus nettopp på kolsgruppa og laga ei solid behandlingskjede rundt akkurat den gruppa, slik at pasientane kunne få fleire gode dagar heime, hindra innlegging og reinnlegging med auka tryggleik og meistringsevne. I dag dekkjer prosjektet 18 kommunar og 330 000 innbyggjarar. Eg er opptatt av at vi må sikra drift av dette vidare og helst utvida liknande tilbod i heile Det viktigaste med å avgrensa kolsepidemien er å ha vilje til å driva førebygging og ha ein aktiv folkehelsepolitikk, og at vi styrkjer kommunehelsetenestene og gjer fastlegane flinkare til å behandla og få kontakt med denne pasientgruppa. strategien er jo berre eit tiltak for å nå målet. Eg er sikker på at vi kan nå det ved å satsa på det som ligg i Samhandlingsreforma, og ved å

fordi vi vet at 70 pst. av kolstilfellene utelukkende skyldes røyking. Derfor er det med stolthet jeg representerer Kristelig Folkeparti her i denne salen og i denne saken med de grepene som statsråd Høybråten og Bondevik II-regjeringen gjorde i røykeloven. Men vi må gjøre mer. Ren luft er viktig både ute og inne, og ifølge Landsforeningen for hjerte- og lungesyke står luftforurensning i arbeidsmiljøet for 15 pst. av kolstilfellene. Vi vet også at arvelige faktorer spiller inn når det gjelder risiko for å utvikle kols. Det er også mulig at fysisk inaktivitet og kostholdsfaktorer kan påvirke risikoen. Det er mange som har kols uten å vite om det. Man tror at man har dårlig pust, at det skyldes alder, og at man har trent for lite.

ikke. I den sammenheng vil jeg få vise til spennende forskning som professorene Gulsvik og Bakke ved Haukeland universitetssykehus har gjort, som tyder på at arv er viktig for å utvikle denne sykdommen. Men i likhet med mange andre sykdommer er det flere årsaker til at man utvikler denne sykdommen. Derfor er det flere tiltak som må settes inn. Kristelig Folkeparti er enig med representanten Kjersti Toppe at forebygging og folkehelsearbeid er avgjørende viktig. Vi er også enig med representanten Toppe i at en nasjonal strategi kun er et virkemiddel. Men det er et viktig virkemiddel for å se helhetlige tiltak for at færre mennesker skal måtte oppleve å få kols. Derfor støtter Kristelig Folkeparti å få dette virkemiddelet, en nasjonal strategi, på plass. om: at færre mennesker skal måtte få kolssykdommen. Men da må vi kunne forebygge mer, vi må kunne vite mer om hvorfor noen mennesker får kols og andre ikke, og legge til rette for at færrest mulig får nettopp det. Jeg kunne være fristet til å si: Vi har en strategi for å bekjempe kols – vi har bygget kunnskap, vi har en vilje, og

nasjonale strategier for bl.a. diabetes og kols. En rekke tiltak knyttet til forebygging, diagnostisering, oppfølging og rehabilitering av kols ble iverksatt. Disse tiltakene følges nå opp som en ordinær del av tjenestene til mennesker med kols. Vi har lært mye på denne tiden. Arbeidet med kols blir også videreført som en sentral del av folkehelsearbeidet. Røykingens store betydning er gjentatt her i salen, og vi kan glede oss over at antallet røykere i Norge går ned, særlig blant de unge. I kolsstrategien var det flere tiltak knyttet til bedre forebygging og diagnostisering gjennom kompetanseutvikling og retningslinjer. Dette er nå videreført i veilederen jeg peker på her, og i nasjonale retningslinjer for kols fra november 2012. Her gis det bl.a. føringer for tidlig diagnostisering hos fastlegene, og direktoratet arbeider for at veilederen skal tas i bruk i kommunene. Vi var ambisiøse med kolsstrategien. Vi tar ambisjonen videre. Skal vi løse fremtidens helseutfordringer, må vi sørge for at ressursene i større grad går til forebygging og til de store kronikergruppene. Det er dette Samhandlingsreformen virkelig handler om. Mange av tiltakene er ikke diagnosespesifikke, men like aktuelle for flere ulike helseproblemer. Derfor må vi se dem i sammenheng – ikke stykke dem opp. Tilbudet til mennesker med sykdommer som kols og diabetes organiseres ikke best på siden, gjennom separate og som sentrum for oppmerksomheten i helsetjenesten. Denne våren legger jeg fram to stortingsmeldinger – om folkehelse og om innovasjon i omsorg. I begge disse vil livsstilssykdommene stå sentralt. Forebygging, effektiv rehabilitering og et sammenhengende behandlingstilbud til kronikergrupper, slik som kolspasienter, vil være viktige temaer. Tiltakene i Samhandlingsreformen skal gi kolspasienter en bedre hverdag. Mange kolspasienter har opplevd hyppige innleggelser på sykehus – svingdørspasienter ble de kalt noe som må være en påkjenning. Utviklingen innen medisin og teknologi gjør at pasienter med kols nå kan få tryggere tilbud i hjemkommunen. Kommunene har fått økonomiske incentiver til å bygge opp alternative tilbud slik at innleggelser kan unngås, såfremt det er medisinsk forsvarlig. Kommunene får også midler til å bygge opp øyeblikkelig-hjelp-døgntilbud. Det vil si at pasienter med kjent kronisk sykdom kan få akutt hjelp i nærheten av der de bor. Mange vil dermed slippe påkjenningen ved sykehusinnleggelse.

kronikere. Dette gir trygghet og mer tilgjengelig hjelp. Lindrende behandling er også et viktig satsingsområde for regjeringen. Direktoratets veileder, som jeg pekte på, har et eget kapittel om lindrende behandling av mennesker som dør av kols, som svar på behov som ble avdekket i satsingsperioden. Mange ønsker å dø hjemme. Vi har derfor etablert en egen tilskuddsordning for å styrke kompetansen innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt utenfor sykehus. I tillegg gjør investeringstilskuddet til omsorgsplasser det mulig for kommunene å bygge flere palliative enheter.

diabetespasienter. Jeg tror at det fremover blir viktig å benytte det store forebyggingspotensialet vi har, bl.a. for å hindre at livsstilssykdommer utvikler seg til alvorlige kroniske sykdommer. Dette er også et spørsmål som gjelder sosiale ulikheter i helse, og må ses i sammenheng. Det vil stå sentralt i folkehelsemeldingen og i meldingen om innovasjon i omsorg. Jeg vil til slutt si at vi lytter til de innspill vi får fra brukerorganisasjonene, og vi vil fortløpende vurdere ytterligere tiltak som kan målrette og heve Det blir replikkordskifte. Regjeringspartiene avviser altså å få på plass en ny kolsstrategi, og lener seg tilbake og peker på Samhandlingsreformen og det folkehelsearbeidet som skal skje ute i kommunene. Som jeg sa i mitt innlegg, er kolspasienter de hyppigste svingdørspasientene i spesialisthelsetjenesten, med opptil 40 pst. reinnleggelser i løpet av et år. Spørsmålet blir da: Er det etter statsrådens mening utelukkende trusselen om økte utgifter som følge av kommunal merfinansiering som skal få redusert antallet reinnleggelser, eller har statsråden ytterligere tiltak som kan begrense behovet for at kolspasienter må innlegges på sykehus så hyppig, med den belastningen det medfører for hver enkelt pasient?

alt fra hvordan fastlegene jobber, hvilke diagnoseverktøy de har, denne veilederens betydning, støtte til etablering av frisklivssentraler, arbeidet mot tobakk, osv. Jeg ser at det å vedta en strategi kan få det til å se ut som om man er veldig foretaksom og gjør noe målrettet – og vi har vedtatt strategier – men min mening er at en strategi sikrer en opptrapping, og så integrering. integrering. Det gjelder også for diabetes, som er et viktig og stort problem – med en viktig pasientgruppe. Det er når det integreres i det løpende helsevesen, blir forstått av de mange ulike aktørene og ikke blir stykket opp i enkeltstrategier, at jeg tror vi får til effektive tiltak på dette Statsråden sa nettopp at han ville lytte til brukerorganisasjonene. Jeg regner også med at han vil lytte til fagmiljøene. Han sa videre at han ville ta alle gode råd som måtte komme. Men nettopp fagmiljøene og pasientorganisasjonene, brukerorganisasjonene, krever jo en ny kolsstrategi, for de ser at det fremdeles er nødvendig, og at det er behov for det for å få konkrete tiltak. Mener da statsråden at de tar feil, og at de ikke har innsikt i eller oversikt over hva som skal til av virkemidler for å kunne bedre tilbudet til kolspasientene?

og må se på bl.a. samspillet mellom spesialisthelsetjenestene, arbeidet i kommunene, fastlegen, veiledere – det apparatet vi setter i gang. Det jeg ser i oversikten over det, er at når det gjelder de kroniske sykdommene, må vi også ha en enhetlig tilnærming. Jeg anklager ikke en pasientorganisasjon for å ha et annet syn. Jeg lytter til det. Vi har lært mye av de samtalene. Men jeg er urolig for at hvis vi får der vi har strategier for de ulike sykdommene, kan vi ende opp med fem, seks, syv, ti ulike strategier, som vil skape en dårlig virkemåte i hvordan vi vil at tjenestene skal fungere. Vi er nå inne i en situasjon med flere reformer i helsevesenet, bl.a. Samhandlingsreformen, og vi venter på en sak om omsorgsteknologi og bruk av ny teknologi. Et av de prosjektene som gjelder denne pasientgruppen, er KOLS-kofferten ved Dalane Distriktsmedisinske Senter i Egersund. Det en sak om omsorgsteknologi og bruk av ny teknologi. Et av de prosjektene som gjelder denne pasientgruppen, er KOLS-kofferten ved Dalane Distriktsmedisinske Senter i Egersund. Det er et prosjekt som svarer til Samhandlingsreformen gjennom at en får desentraliserte spesialisthelsetjenester. Det svarer til å ta i bruk ny teknologi ved at folk kan få hjelp hjemme, kan ha kontakt med helsevesenet hjemme, og det det svarer til å gi denne pasientgruppen et bedre liv, rett og slett fordi en slipper å bruke så mye tid på sykdommen sin, og kan være hjemme og mestre sin egen situasjon. Vil statsråden ta noen initiativ til at dette prosjektet får lov til å fortsette? Hvis ikke er jeg redd for at dette vil bli avsluttet før vi er kommet i gang med mange av de målsettingene som ligger i den meldingen som vi venter på

Men jeg ser og forstår at de ønsker å evaluere erfaringen etter noen års bruk. Det handler om kostnaden rundt teknologi. Er dette den eneste måten å gjøre det på? Jeg tror vel en slik koffert kan koste opp mot 1 mill. kr. Finnes det andre måter? Det er det de ansvarlige foretaksmyndighetenes ansvar å vurdere. Men jeg er sikker på at de positive erfaringene ved evalueringen vil telle med. Dette er av denne type ting vi kommer til å komme inn på i nettopp stortingsmeldingen om bruk av teknologi, hvor vi nok gjennomgående ligger for lavt i vårt helsevesen. Så håper jeg det vil komme også kolspasientene til nytte. Replikkordskiftet er dermed omme. Flere har ikke bedt om ordet til sak

Så håper jeg det vil komme også kolspasientene til nytte. Replikkordskiftet er dermed omme. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 12. Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletid. Det blir videre foreslått at de Det anses vedtatt. Første taler er Tove Karoline Knutsen som

Etter abortforskriften skal et foster regnes som levedyktig dersom det ville vært i stand til å overleve utenfor mors liv på tidspunktet for avbruddet. I vurderingen skal det tas hensyn til eksisterende muligheter for behandling etter forløsning. Modige jordmødre ved Rikshospitalet meldte fra om aborter hvor fosteret levde etter aborten. Det gjorde inntrykk på oss alle. Helsedirektoratet tok tak i saken og har presisert at det ikke skal innvilges abort på bakgrunn av kvinnens fysiske og psykiske helse, livssituasjon eller forhold som rammes av straffeloven, etter at fosteret er 22 fullgåtte uker. Vi er enige i den tolkningen. Unntak kan bare gjøres når fosteret etter en konkret vurdering likevel ikke kan anses å være levedyktig, eller når svangerskapet medfører overhengende fare for kvinnens liv eller helse. Det var gledelig å høre jordmødrene ved Rikshospitalet i media den 10. mai i fjor si at de allerede hadde merket seg en endring. Det var viktig å få en avklaring fra Helsedirektoratet, ikke minst for dem som har den ansvarsfulle jobben i abortklagenemnda. Vi støtter helseministeren i at den praksis som har vært avdekket, gir grunn til en gjennomgang og en vurdering av om det er flere deler av abortregelverket som bør bli gjenstand På bakgrunn av den praksis som har vært avdekket, har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet i oppdrag å sette ned en uavhengig ekspertgruppe til å framlegge en rapport. Ekspertgruppen har fått et bredt oppdrag. Den skal gjennomgå både regler, praksis og saksbehandling vedørende svangerskapsavbrudd etter 18. svangerskapsuke. Den skal vurdere en tolkning av regelverket samt behovet for tiltak for å bedre saksbehandlingen i nemndene og eventuelt foreslå tiltak.

Dersom skade hos fosteret fjernes som selvstendig grunnlag for abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke, må kvinnen overbevise nemnda om at hun er i en vanskelig livssituasjon, eller at det er en urimelig belastning for hennes helse å føde barnet. Kvinner med alminnelig god psykisk og fysisk helse som er i en stabil og god livssituasjon, vil etter forslaget ikke kunne få abort på grunn av skade hos Kristelig Folkeparti fremmer de to forslagene de nå gjør, er jo forventet og en politikk de har stått for hele tiden. Men jeg må si jeg er mye mer usikker på hva Høyre mener i denne saken. Jeg var nok litt forvirret fra før, men nå forstår jeg enda mindre. Høyre vil fjerne abortloven § 2 c som et selvstendig kriterium. Samtidig hevder Høyre at det ikke skal svekke kvinners rett, sammenlignet med dagens regelverk, og at kvinners egen bedømmelse skal vektlegges. Det er dette jeg ikke forstår; jeg forstår ikke hva Høyre vil. Når de ønsker at dagens praksis skal fortsette, hvorfor vil de da spre usikkerhet til kvinner som er i en veldig vanskelig situasjon? Dette blir ja takk, begge deler – eller sagt på en annen måte: Høyre forsøker å ri to hester. Jeg mener Høyre bør være tydelig på om § 2 c skal gjelde som kriterium eller ikke. Det er viktig at vi som politikere er tydelige og klare, slik at vi ikke skaper usikkerhet om hva som er gjeldende regelverk. Arbeiderpartiet er opptatt av at kvinner som har tatt det vanskelige valget, fortjener tydelighet. Det siste de trenger, er den usikkerheten Høyre legger opp til. Kvinner i dette landet fortjener klarhet. Høyre svekker kvinners rettigheter ved å si at § 2 c først trer i kraft når kvinnen søker på Arbeiderpartiet er opptatt av at kvinner som er i en veldig vanskelig og sårbar situasjon, skal føle trygghet. Derfor vil vi ikke fjerne § 2 c som et eget selvstendig kriterium. Derfor foreslår vi at forslagene ikke vedtas. Fremskrittspartiets representanter har støttet dagens gjeldende abortlov og mener fremdeles at den er

Fremskrittspartiets representanter er derfor fornøyd med at helse- og omsorgsministeren i sitt brev av 23. november i fjor til komiteen bebuder en gjennomgang og en vurdering av om det er deler av regelverket rundt aborter som bør bli gjenstand for en presiserende tolkning. Ekspertgruppen som Helsedirektoratet har satt ned, skal avgi sin innstilling 1. mars i år, og Stortinget vil sannsynligvis få seg forelagt en ny sak basert på innholdet i denne innstillingen. Forslaget i Dokument 8:148 S for 2011–2012 innebærer også fjerning av enhver mulighet til å abortere et foster med store skader, uansett skadens omfang og fosterets tilstand, dersom det er i stand til å overleve utenfor livmoren etter uke 12. Det fjerner også kvinnens egen innflytelse på fosterets og egen framtid. Kvinnen vil i slike tilfeller måtte overbevise nemnda om at det vil være en helt urimelig belastning for hennes helse å føde barnet.

På denne bakgrunn vil Fremskrittspartiets representanter stemme imot forslagene fra Kristelig Folkeparti. Forslaget fra Høyre om endringer i abortloven § 2 c vil fjerne egenskaper ved fosteret som selvstendig abortkriterium. Begrunnelsen for forslaget er den diskriminering forslagsstillerne mener at mange av dem som i dag lever med tilstander som omfattes av Fremskrittspartiets medlemmer anser imidlertid at en eventuell endring i § 2 c ikke vil endre realitetene for denne gruppen og ikke vil kunne bidra til å endre den situasjonen som beskrives. Vi ser imidlertid ikke bort fra at den bebudede innstillingen fra det nedsatte ekspertutvalget vil kunne belyse dette nærmere, og vi vil eventuelt komme tilbake til saken når den kommer til Stortinget. Jeg anbefaler på denne bakgrunn Fremskrittspartiets representanter om å støtte flertallsinnstillingen.

ikke fordi en ikke tror at kvinnen i den vurderingen vektlegger at fosteret har en egenverdi. Etter 12. uke er det tverrpolitisk enighet om at en må behandle søknad om abort i nemnd. Dette forslaget fra Kristelig Folkeparti tar opp en sak som jeg tror berørte oss alle da vi fikk vite at utviklingen knyttet til svangerskapsavbrudd etter 18. svangerskapsuke hadde utviklet seg i strid med det som var Stortingets intensjon. Høyre er derfor glad for at helseministeren den gangen så raskt reagerte og fikk satt i gang et arbeid i regi av Helsedirektoratet nettopp for å belyse disse spørsmålene, og vi ser fram til den avklaringen som arbeidsgruppens arbeid vil komme med i begynnelsen av mars. Hvis det vil innebære behov for lovendringer, regner vi selvfølgelig med at det også vil komme til Stortinget. Forslagsstillerne fra Kristelig Folkeparti tar også opp et forslag om å fjerne abortloven § 2 c. Høyre har programfestet også i sitt prinsipprogram at en ikke ønsker at egenskaper ved fosteret skal være et selvstendig Det er imidlertid ikke sånn at Høyre dermed kan stemme for forslaget om å fjerne § 2 c uten videre. For det første er begrepet «selvstendig» helt vesentlig i denne diskusjonen, nettopp fordi vi opplever at mange av dem som lever gode, fullverdige liv med de forholdene som gir et selvstendig grunnlag for abort etter 12. uke, opplever lovens utforming som diskriminerende. Vi ønsker derfor at det skal være tydelig at forhold som ikke er forenelig med liv, selvfølgelig også skal være et selvstendig abortkriterium etter 12. uke, og at egenskaper ved fosteret fortsatt skal være et kriterium i abortloven. Det er der vi skiller oss fra Kristelig Folkeparti. Det betyr at Høyres forslag ikke vil innebære noen svekkelse av kvinnens rett til medbestemmelse over svangerskapsavbrytelsen sammenlignet med dagens regelverk. Så kan mange da hevde: Hvorfor foreslår Høyre dette? Jo, det er fordi vi mener at loven slik som den er utformet i dag, oppleves som diskriminerende. For å ta et bilde på hvordan dette kan oppleves diskriminerende selv om det ikke vil innebære noen endring i praksis, vil jeg ta dere tilbake igjen til diskusjonen om felles ekteskapslov. et bilde på hvordan dette kan oppleves diskriminerende selv om det ikke vil innebære noen endring i praksis, vil jeg ta dere tilbake igjen til diskusjonen om felles ekteskapslov. Ett av forslagene som kom fram i den diskusjonen, var å etablere to ekteskapslover – en for samkjønnet ekteskap og en for ekteskap for to av ulike kjønn. Det kunne oppleves som et kompromissforslag, men etter min oppfatning var det et grunnleggende diskriminerende forslag, nettopp fordi ville vært bygd på den samme argumentasjonen som de som kjempet for like retter i USA, møtte under diskusjonen om borgerrettighetene, nemlig at alle fikk kjøre buss, men de fikk ikke kjøre med samme buss. Alle fikk lov til å sitte, men de fikk ikke lov til å sitte på samme sete. Det er på den måten Høyre mener at dagens abortlov oppleves for de menneskene som lever opp med de egenskapene som i dag gir et selvstendig grunnlag for abort. Derfor mener vi at den bør omformuleres, og vi fremmer derfor et forslag om at regjeringen skal komme tilbake igjen, ikke for å fjerne egenskaper ved fosteret som et abortgrunnlag, men for ikke å ha det som et selvstendig abortgrunnlag etter 12. uke, slik at loven framstår som at det finnes en grense for fri abort for fostere som en ikke kjenner egenskaper ved, og en annen grense for fri abort for fostere som en kjenner egenskaper ved. Loven oppleves i dag av mange som grunnleggende diskriminerende, selv om Høyres forslag i praksis ikke vil innebære en innstramming i kvinnens muligheter til å påvirke og få abort også etter 12. uke. Representanten Bent Høie har tatt opp

lovverk. Det er positivt at Helsedirektoratet har sett ned ei ekspertgruppe som skal sjå på gjeldande reglar om svangerskapsavbrot etter veke 18, og om det er behov for fleire presiseringar av regelverket for å unngå mistolkingar. Spesielt er det viktig at gruppa òg gjer ei fagleg vurdering av betre metodar for fastsetjing av svangerskapslengd, sidan ein del av sakene som tilsette melde frå om, gjaldt foster som helsepersonellet meinte var Det er òg positivt at Helsedirektoratet har presisert at abort etter veke 22 ikkje er lovleg. Helsedirektoratet fastslår at det ikkje skal innvilgast abort på grunn av kvinnas fysiske og psykiske helse, livssituasjon eller på grunn av forhold som blir ramma av straffelova etter at fosteret er 22 fullgåtte veker. Direktoratets presisering av gjeldande rett gir ei veke mellom abortgrensa og det som blir praktisert som levedyktigheitsgrensa ved norske

provosert abort etter veke 12. Eg meiner det er eit poeng at menneske som har og lever med slike sjukdommar, vil kunne oppfatta dette som diskriminering. Det er viktig at vi har eit lovverk som legg til rette for å sikra samfunnet mot sortering på bakgrunn av eigenskapar. Ein seinabort er ikkje ei enkel avgjerd å ta. Eg trur at i praksis vil fleire punkt gjelda. Så

dersom det ikkje er foreinleg med liv. Så til Kristeleg Folkeparti sitt forslag om å senka grensa for seinabort til veke 18. Eg oppfattar at det som Helsedirektoratet skal sjå på no, nettopp er litt av dette. No kjem Kristeleg Folkeparti med fasiten først, men dette blir utgreidd. Poenget er jo at i takt med den medisinske utviklinga er det i dag mellom det som er grensa for pårekna levedyktigheit, og den abortgrensa vi har. Det er sånn at det kan vera vanskeleg å treffa 100 pst. sikkert med svangerskapslengd, og dei har sett, tenkjer eg, at vi burde hatt nokre veker imellom som ei buffersone. men eg vil berre formidla at eg synest eg har forståing for at dette blir tatt opp. Eg synest det er viktig at vi har ein ordentleg debatt om dette, og ikkje brukar dei store orda. Det som eg likevel synest er skremmande, er at dette som kom opp gjennom media, nettopp kom opp gjennom media. Eg reagerer på at ikkje dette blei oppdaga i helsevesenet sjølv, og at det ikkje er ei kvalitetssikring for å sikra at praksisen er i strid med gjeldande lovverk. Så det som eg kan komma med ei anbefaling om, er at det ekspertutvalet som Helsedirektoratet har sett ned,

og har ukrenkelige rettigheter fra unnfangelse til naturlig død. Retten til liv er den mest grunnleggende av de ukrenkelige rettighetene som vi har bare i kraft av å være menneske, og retten til liv er en forutsetning for de andre rettighetene. Derfor mener Kristelig Folkeparti at vi bør ha en abortlov der fosterets rett til liv legges til grunn, og at avgjørelsen knyttet til liv og helse tas i dialog mellom pasient og lege.

jeg vi alle er berørt av de opplysningene som har kommet fram. Disse må vi ta på alvor. Vi har hørt mange historier om enkelttilfeller fra jordmødre og annet helsepersonell. De forteller om barn som blir lagt til side for å dø etter abort – aborterte fostre som har framstått som helt friske. Våren 2012 kom det fram i mediene at det i perioden fra og med 1999 til og med 2010 ble utført 113 senaborter etter uke 22 i Norge. Klagenemnda har altså innvilget søknader om senabort i strid med gjeldende lovverk. Helsedirektoratet opplyste i mai i år at abortklagenemnda har lagt til grunn en tolkning av abortloven og forskriften som innebærer at det normalt ikke skal innvilges svangerskapsavbrudd etter utgangen av 22. svangerskapsuke, men at levedyktighet oppstår etter utgangen av 24. svangerskapsuke. Denne praksisen er ikke i tråd med abortforskriften § 18 om definisjonen av levedyktighet. Helsedirektoratet kom så med en presisering av regelverket. Abort etter uke 22 + 0 dager er presisert som ikke lovlig. Folkeparti er glad for at komiteen i innstillingen slår fast at vi tar på alvor de bekymringsmeldingene rundt senaborter som kom fra fagfolk. Vi er også glad for de presiseringene som komiteen gjør i innstillingen. Det er bra at Helsedirektoratet, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, har satt ned en uavhengig ekspertgruppe som bl.a. skal gjennomgå regelverk, praksis og nemndenes saksbehandling.

kan aborteres, mener Kristelig Folkeparti at abort etter uke 18 ikke skal kunne utføres med mindre det er overhengende fare for mors liv og helse, eller at fosteret har en tilstand som er uforenlig med liv, slik at det aldri vil bli i stand til å overleve utenfor livmoren. Mennesket har krav på både menneskeverd og liv, simpelthen fordi det er et menneske. Derfor fremmer vi det første forslaget vårt. Vi fremmer også forslag Vi fremmer også forslag om fjerning av § 2 c i dagens abortlov. Det handler om at fostre ikke bør aborteres etter 12. svangerskapsuke utelukkende på bakgrunn av barnets egenskaper eller mangler, f.eks. ved indikasjon på sykdom, nedsatt funksjonsevne eller Downs syndrom. Vi vet at stadig flere barn aborteres grunnet mindre lyter, feil kjønn og andre egenskaper som foreldrene ikke ønsker. Dette er en utvikling Kristelig Folkeparti advarer mot, fordi hvert enkelt barn, uansett egenskaper, har sitt menneskeverd og skal behandles som den ressurs alle barn er. Jeg vil spørre: Hvilke signaler sender vi til samfunnet når egenskaper ved barnet godkjennes som selvstendig abortgrunn? Gjør det det enklere, eller gjør det det vanskeligere, å være annerledes? Gir det et mer inkluderende samfunn eller et mindre inkluderende Jeg tar med dette opp Kristelig Folkepartis forslag i innstillingen. Da har representanten Hjemdal tatt opp de forslagene hun omtalte. Abortloven har i dag regler som skal balansere hensynet til den gravide kvinnen på den ene siden og Før utgangen av svangerskapets 12. uke veier hensynet til kvinnen tyngst. Da bestemmer hun selv om svangerskapet skal avbrytes. Utover i svangerskapet vektlegges hensynet til fosterets rettsvern stadig tyngre. Etter 12. uke er det abortnemndene som avgjør om et svangerskap kan avbrytes. Er svangerskapet kommet så langt at det har passert 18 uker, skal det særlig tungtveiende grunner til for at nemndene kan tillate svangerskapsavbrudd. Dersom det er grunn til å tro at fosteret er levedyktig, kan avbrudd bare gjennomføres dersom det er overhengende fare for den gravide kvinnens liv eller helse. Et foster regnes som levedyktig dersom det er i stand til å overleve utenfor mors liv på den tid avbruddet finner sted. I den vurderingen skal en ta hensyn til de muligheter som finnes for behandling etter en eventuell forløsning. For å unngå at levedyktige fostre aborteres foreslår Kristelig Folkeparti at svangerskapsavbrudd etter 18. svangerskapsuke bare skal være tillatt dersom det er overhengende fare for kvinnens liv eller helse eller fosteret har en tilstand som er uforenlig med liv. Jeg kan ikke støtte dette forslaget. Etter min mening er det ikke nødvendig å endre loven for å ivareta fostres rettsvern. Men det er viktig at dagens abortregelverk overholdes, og at fosterets økende rettsvern i takt med svangerskapets lengde respekteres. Abort av levedyktige fostre skal ikke forekomme med mindre svangerskapet utgjør en overhengende fare for den gravides liv og helse. Derfor er også jeg glad for at Helsedirektoratet har presisert at et foster normalt skal regnes som levedyktig etter 22 fullgåtte svangerskapsuker, og at unntak bare kan gjøres dersom fosteret etter en konkret vurdering likevel vurderes ikke å være levedyktig. Det kan f.eks. være fordi det har skader som er uforenlige med liv. Jeg er enig i denne tolkningen. Jeg ser nå fram til å få rapporten fra ekspertgruppen som gjennomgår dagens regelverk for senaborter og abortnemndenes praksis. De skal bl.a. vurdere om det er behov for flere presiserende tolkninger av regelverket, og om saksbehandlingen i primær- og klagenemnda kan forbedres. I sitt arbeid må ekspertgruppen legge vekt på kvinnens behov for en god og trygg behandling av sin abortsak, og også på fosterets økende rettsvern i takt med svangerskapets lengde. Ekspertgruppen har bedt om og fått utsatt frist for å levere sin rapport – ikke mye, men til 8. april 2013. La meg også kommentere Kristelig Folkepartis og Høyres forslag om å fjerne skade hos fosteret som henholdsvis indikasjon og selvstendig indikasjon for svangerskapsavbrudd etter utgangen av 12. svangerskapsuke. I dag har kvinner rett til å få utført abort mellom 12. og 18. svangerskapsuke dersom det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom. Dette er i praksis definert til å omfatte

tilfellene. Jeg ønsker ikke å legge stein til byrden for disse kvinnene ved å tvinge dem til å måtte overbevise abortnemndene om at de er i en vanskelig livssituasjon, eller at det vil være en urimelig belastning for deres helse å føde barnet. Dersom skade hos fosteret fjernes som selvstendig grunnlag for abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke, mener jeg at kvinnene må gjøre nettopp det. Kvinner med alminnelig god psykisk og fysisk helse, som er i en stabil og god livssituasjon, vil etter dette forslaget ikke kunne få abort av skader hos fosteret. Jeg mener at alvorlig skade hos fosteret skal opprettholdes som et selvstendig grunnlag for å innvilge abort mellom 12. og 18. svangerskapsuke. Det blir replikkordskifte. Det er dokumentert at abortklagenemnda de siste årene har innvilget søknader om senabort som er

Likevel er ikke dette noe vi kan være 100 pst. sikre på. Lignende tilfeller ble avdekket ved Haukeland sykehus i 1994, uten at praksis ble endret. Kan statsråden gi et signal om hvordan helsepersonell skal forholde seg hvis lignende situasjoner skulle oppstå ved norske sykehus i framtiden? Skal det gis livreddende behandling, eller skal helsepersonell forholde seg passive til

slik at også helsepersonell kan være trygge i de vurderingene de gjør i forhold til de retningslinjene de har. Jeg er gjennomgående trygg for at norsk helsepersonell har en høy etisk bevissthet på det ansvaret de har når det gjelder å redde liv der hvor det står i fokus. Derfor håper jeg at det arbeidet som Helsedirektoratet nå skal gjøre, vil bidra til å fjerne den usikkerheten som kan ha oppstått. Statsråden begynte sitt innlegg med å si at det er balansehensynet mellom kvinne og barn som er det styrende i dagens abortlov, og at barn har et økt rettsvern utover i svangerskapet. Det er viktige ting å ta med seg. Men vi vet også at stadig flere barn blir abortert på grunn av feil, sykdom, kjønn eller andre egenskaper som foreldrene ikke ønsker. Jeg har stor respekt for statsrådens innlegg og statsrådens politiske ståsted, men min utfordring handler om et litt overordnet perspektiv, om hvorvidt statsråden ser at gir oss utfordringer når det gjelder det å være et inkluderende samfunn – og ikke et mindre inkluderende samfunn. Jeg har først lyst til å si at jeg også vil bekjenne stor respekt for dem som har annen konklusjon enn meg i disse spørsmålene. Jeg skjønner at dette er spørsmål som også går til kjernen av etiske og samvittighetsmessige verdier som jeg har stor respekt for – også hos dem som ikke deler mitt syn. Jeg vil vektlegge at den teknologiske utviklingen i alle livets faser gir oss økt tilgang på kunnskap. Kunnskap er i noen sammenhenger en stor ressurs, og kunnskap er i noen sammenhenger en stor utfordring. Derfor er det viktig at vi som samfunn har et regelverk som setter oss i stand til å håndtere den kunnskapen på en etisk forsvarlig måte. Jeg mener at denne debatten har påvist en del av de spørsmål som reiser seg. Jeg synes at representanten Høie ga en interessant vurdering av de vektleggingene han foretar der. For meg kommer det allikevel tilbake til det grunnleggende forhold av de vektleggingene han foretar der. For meg kommer det allikevel tilbake til det grunnleggende forhold at jeg har tiltro til at mor i perioden mellom 12. og 18. uke skal ha det avgjørende ordet, og at hun er i stand til å ta den avgjørelsen. Så får vi som samfunn igjen ha en løpende debatt om hvordan vi behandler kunnskapen, slik at vi er et inkluderende samfunn, ikke et sorteringssamfunn, som representanten viser til. Flere har ikke bedt om ordet til replikk. Aller først vil jeg si at jeg er

Høyres representant Høie framførte som begrunnelse for sitt forslag, altså rundt § 2 c. I den begrunnelsen er det et par spørsmål som dukker opp der jeg ikke helt skjønner hva Høyre egentlig mener. For det første begrunner man intensjonen i endringen med at noen opplever en diskriminering med dagens lovverk. Jeg skal la det ligge, men det er interessant i mange perspektiv i denne sal. Det andre går på hvordan man praktiserer regelverk. Det er det interessante både i diskrimineringsperspektiv og fordi regelverket gjelder. Når man da, som Høyre nå ønsker, fjerner § 2 c som et selvstendig kriterium, men samtidig sier at det ikke skal ha noen praktisk betydning, hadde det vært interessant å høre hvordan man da mener at det skal bli mindre diskriminering. Det er det ene. Det andre er hvordan man mener man skal praktisere det. I dag er det fem selvstendige kriterier som girmulighet for abort etter uke 12. De fire andre kriteriene handler utelukkende om mors tilstand – fysisk, psykisk eller sosialt – eller om graviditeten har kommet som konsekvens av voldtekt eller incest.

lyve hvis alt egentlig er perfekt i livet for øvrig – hvis psykisk og fysisk helse er bra, og sosiale kår er bra? Må man da legge til litt for at man skal kunne nå gjennom med begrunnelsen for hvorfor man ønsker å avbryte svangerskapet? Det er store spørsmål rundt hvordan man da skal se for seg den praksisen, og hvordan det reelt sett skal foregå for hver enkelt kvinne, i nemnda. Det siste er det som blir en nyvinning Forenlig med liv – hva er det? I dag har vi en rekke trisomier som naturlig avbryter svangerskap fordi fosteret ikke overlever. Vi har tre trisomier hvor man får en del overlevelse av fostre. Med f.eks. Pataus syndrom kan et foster overleve og leve opp til tiårsalderen. Er det forenlig med liv? Det er et nytt etisk dilemma Høyre da innfører. Hvordan skal man tolke den forståelsen? Er det to måneder etter fødsel, er det fem måneder etter fødsel, er det mye eller lite lidelse? Her innfører man nye etiske dilemmaer i et forsøk på å unngå å si det man egentlig mener.

Når skal et foster egentlig tillegges personstatus og ha krav på beskyttelse? Dette er et spørsmål som Kristelig Folkeparti ofte går inn i i vanskelige etiske debatter. Det er vanskelige avveininger som skal gjøres hver gang vi diskuterer disse temaene, men det er viktig for Kristelig Folkeparti å være en stemme som sier noe om at alle mennesker er like mye verd, helt uavhengig av hva vi evner å prestere, eller om vi har diagnoser eller avvik. Dette er viktig for oss i Kristelig Folkeparti. Barn med sykdom og diagnoser er spesielt utsatt i mors mage, og vi er opptatt av at de skal få en stemme og et styrket rettsvern. Derfor er det tre ting som er viktige i denne saken. Det ene er abortgrensen fram til 12. uke, og der er vi uenige Men det handler også om grunner for abort etter 12. uke, nemlig om hva som skal til for at man velger bort. Der ønsker vi et sterkere rettsvern for syke barn. Det tredje punktet handler om hvilken grense flertallet ønsker skal gjelde for mulig innvilgelse av senabort. Etter å ha hørt statsråden og det er sånn at man vurderer om man faktisk burde, med den teknologiske og medisinske utviklingen som har vært, senke grensen for tillatt senabort? Er det et tema som denne ekspertgruppen ser på, eller er det avvist allerede? For det er sånn at utviklingen har gått forbi lovverket, og det er viktig at vi ikke har grenseoppganger som skaper tvil.

Der reiste de tverrpolitisk en del av de spørsmålene som dette representantforslaget berører. Men man kan på mange måter si at abort ikke ble 1990-tallets debatt. Kanskje er den utviklingen vi har sett, et resultat av det, at det har vært veldig vanskelig å diskutere abortloven og abortlovens grenser selv om den medisinske utviklingen kanskje burde ha ført til at man hadde fulgt opp den tverrpolitiske oppfordringen fra kvinnene fra Kristelig Folkeparti, Høyre og SV den gangen. Når det gjelder spørsmålene fra representanten Breen, vil jeg egentlig starte med å vise til innlegget fra representanten Kjersti Toppe, som ga uttrykk for at hun hadde forstått denne nyansen og egentlig redegjorde ganske godt for forskjellen. Breen kan lese det innlegget etterpå hvis han ikke forstår mine forklaringer av dette. Så hoppet han elegant over det som er hele grunnlaget for Høyres standpunkt, nemlig at vi mener at dagens lov i seg selv oppleves som diskriminerende. Men så er spørsmålet: Hvordan vil regelverket eventuelt praktiseres med Høyres forslag? Vi sier at vi ønsker å ta vekk § 2 c som et selvstendig kriterium, men beholde det som et kriterium. Abortloven har fem selvstendige kriterier, men det er ikke de eneste forholdene nemnden vurderer når den vurderer en søknad. I leddet etterpå står det at man legger stor vekt på at kvinnen har søkt om abort, som et grunnlag for å innvilge abort. Det er også et moment som vektlegges. I den sammenhengen ville det vært naturlig også å ha skrevet inn forhold og egenskaper ved fosteret. Dermed fjernes det som et selvstendig kriterium, men ikke som et kriterium. Det er altså ikke slik det kunne framstå av statsrådens svar, at det er kvinnen som har det avgjørende ordet i uke 12–18. Nei, det er nemnden som har det avgjørende ordet i uke 12–18. Det er det ingen partier – så vidt jeg registrerer – som har tatt opp motforslag mot. så vidt jeg registrerer – som har tatt opp motforslag mot. Representanten Breen reiser også spørsmålet om begrepet «uforenlig med liv» og prøver å problematisere det. Da vil jeg vise til representanten Breens og de andre medlemmene av komiteens fellesmerknad, der vi bruker dette begrepet, til statsrådens svar der han bruker dette begrepet, og ellers si at det er et ganske godt innarbeidet begrep i

på grunnlag av alvorlig sykdom for en som er f.eks. arbeidsledig, har sosiale problemer, og som vil bli godkjent i en nemnd, enn en som kanskje representerer det motsatte, med en livssituasjon som en nemnd mener bør kunne bære fram et funksjonshemmet barn. Hvorfor er det ene mer etisk riktig enn det andre? Dagens lov oppleves som diskriminerende. Diskriminerende for hvem? Det er et grunnleggende spørsmål som Høyre ikke svarer på. Jeg er veldig skeptisk til at Høyres forslag skal få gjennomslag, men det gjør det heldigvis ikke.

hvert fall en forholdsvis objektiv faktor, mens kvinnens livssituasjon, helse, fysiske og psykiske tilstand ikke er objektive faktorer. Jeg synes at Stortinget i denne debatten fortjener at Høyre svarer på hvordan man vil takle en slik situasjon, og hvorfor man mener det ene er mer etisk riktig

skal sjå på. Eitt punkt er at ho skal «gjennomgå den medisinske utviklingen knyttet til fosterets levedyktighet og på denne bakgrunn vurdere om det er behov for å sette i gang et eget arbeid som ser på grensen for når fosteret skal antas å være levedyktig etter abortloven og om grensen bør settes lavere enn 22 fullgåtte uker». Då er resonnementet mitt at dersom ekspertgruppa kjem fram til det, vil det ha ein naturleg konsekvens òg for òg for grensa for seinabortar. Vidare er det eit punkt om at ekspertgruppa skal «vurdere om det bør innføres særskilte prosedyrer eller andre tiltak som sikrer at vurderingene av grensen for levedyktighet etter abortloven hele tiden er i samsvar med den medisinske utviklingen». Det er det som er poenget mitt, og dette er ein debatt som vi heilt sikkert

gjennomgå praksis og saksbehandlingen i primærnemndene og i den sentrale klagenemnda knyttet til innvilgelse eller avslag på begjæringer om svangerskapsavbrudd etter 18. svangerskapsuke vurdere om det er behov for flere presiserende tolkninger av regelverket vurdere om det er behov for tiltak for å bedre saksbehandlingen i primærnemndene og den sentrale klagenemnda, og eventuelt foreslå tiltak gjennomgå den medisinske utviklingen knyttet til fosterets levedyktighet og og på denne bakgrunn vurdere om det er behov for å sette i gang et eget arbeid som ser på grensen for når fosteret skal antas å være levedyktig etter abortloven og om grensen bør settes lavere enn 22 fullgåtte uker». Det er altså en ganske åpen invitasjon til gruppen om å gå igjennom den medisinske utviklingen og så vurdere om det er behov for et eget arbeid. Vi kan ikke vente å få en konklusjon på det i april, men vi kan antakeligvis vente å få en tilråding om det er behov for et eget arbeid for å justere det som gjelder tallet 22 fullgåtte uker. Til sist skal gruppen «vurdere om det bør innføres særskilte prosedyrer eller andre tiltak som sikrer at vurderingene av grensen for levedyktighet etter abortloven hele tiden er i samsvar med den medisinske utviklingen». Jeg går ut fra at det også vil fange opp en del av de spørsmålsstillingene som representanten Hjemdal er opptatt av, nemlig de etiske spørsmålene som kommer som følge av kunnskap.

Det var mitt spørsmål. Man åpner altså på nytt en etisk debatt i forsøket på å unngå en etisk debatt rundt § 2 c, og det er det som undrer meg litt. Jeg synes at fordi dette er et vanskelig felt for alle partier – alle synes dette har dilemmaer ved seg – burde det være ganske tydelig når man først mener noe rundt en endring.

regelrett rettsvern i henhold til lovverket ut fra hvordan man praktiserer det i dag. Bent Høie har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Høyre er ikke et parti som driver og snekrer lover og forskrifter i Stortinget. Det er også en av grunnene til at vi ikke går på et direkte forslag om å endre loven, men ber om et utredningsforslag. Det er da naturlig å bruke begrepet «uforenlig med liv», fordi det er det begrepet en bruker i denne sammenheng. Da vil jeg vise til komiteens merknad der en sier: «likevel ikke kan anses å være levedyktig I arbeidet med lov og forskrift, og i det arbeidet som direktoratet nå gjør knyttet til dette begrepet,

Kjernen i Riksrevisjonens rapport kommer fram som kommentar til Helse- og omsorgsdepartementets svar: «Etter Riksrevisjonens vurdering har verken HSØ eller departementet håndtert rapportert kritisk risiko med å tilpasse styringen og iverksette nødvendige korrektive tiltak tidlig nok. Siden det er eier som besitter virkemidlene for å håndtere kritisk risiko knyttet til de overordnede rammene for omstillingsoppdraget, innebærer dette at eierstyringen etter Riksrevisjonens vurdering ikke er utøvd på en god nok måte innenfor de formelle rammene som følger av helseforetaksloven.» Riksrevisjonens rapport vil bli gjenstand for en egen sak i Stortinget. Men den må sies å være en knusende dom over eierstyringen av prosessen, og den har ført til innrømmelser både fra ledelsen i Helse Sør-Øst og hos helseministeren. Hensikten med denne interpellasjonen er å reise en debatt om disse erkjennelsene også fører til endring i eierstyringen. Manglende planlegging, risikostyring og forutsetninger for prosessen har i dag faktiske konsekvenser for pasienter og dem som jobber ved Oslo universitetssykehus og Ahus. Dette har en langtidsvirkning, problemene er ikke Hvis Helse- og omsorgsdepartementet erkjenner at omstillingen ikke ble ledet fra eier på en god nok måte, vil en gjøre det annerledes nå når en er nødt til å rydde opp i konsekvensene og langtidsvirkningen av dette? Her har inntrykket så langt ikke vært oppløftende. Mange forventet å få flere svar i helseministerens tale om og til spesialisthelsetjenesten den 30. januar. Da fikk vi høre: «Vi følger også det arbeidet som ledelsen ved Akershus universitetssykehus gjør med sykehusets utfordringer. Departementet har klare forventninger til Helse Sør-Øst og ledelsen ved Ahus, om at sykehuset skal ha gode faglige tjenester og rasjonell drift.» Da fikk jeg nesten en dakapo-opplevelse i forhold til det den forrige helseministeren svarte på interpellasjonen som jeg reiste i Stortinget den 12. oktober 2010: jeg reiste i Stortinget den 12. oktober 2010: «Jeg har lagt opp til mye mer jevnlige møter med Helse Sør-Øst, nettopp for å følge denne prosessen, følge opp avvik, og også disse rapportene som er sett på når det gjelder å følge opp avvik, for å kunne justere og iverksette tiltak og sørge for at det skjer. Det er ikke slik at ansvaret er pulverisert, men det er et ansvar på hvert enkelt nivå. Derfor har også Oslo universitetssykehus et stort ansvar når det gjelder gjennomføringen av sin egen Videre i redegjørelse til Stortinget 10. juni 2011: «Jeg følger situasjonen ved Oslo universitetssykehus nøye. Min vurdering er at Oslo universitetssykehus har arbeidet målrettet og konstruktivt for å sikre et forsvarlig og godt tilbud til pasientene, også i en krevende omstillingsprosess.» Videre som svar på interpellasjon 28. november 2011: «Jeg gjentar gjerne det jeg sa i den første saken som var oppe i dag, dette er en prosess som vi følger tett – selvsagt gjør vi det». Nå har vi svaret: Kritisk risiko ble rapportert opp, ansvar ble skjøvet ned, selv om virkemidlene for å gjøre noe med det som ble rapportert i forhold til kritisk risiko, var og ble beholdt på eiernivå. Jeg er redd for at det samme skjer nå når en skal rette opp langtidsvirkningene av dette. Oslo universitetssykehus og Ahus har begrensede virkemidler. Helse Sør-Øst og Helse- og omsorgsdepartementet må sette seg ned rundt samme bord for å diskutere åpent hva en skal gjøre for å komme seg videre. Det er nødvendig for å rette opp feilene, bygge opp igjen tilliten hos publikum og få en positiv prosess sammen med de ansatte. Veldig mye av de utfordringene som denne omstillingsprosessen har møtt på, har vært manglende bygningsmessige forutsetninger, det har vært utfordringer knyttet til å få bemanning til å håndtere de oppgavene som sykehusene var pålagt, og det har vært manglende IKT-infrastruktur. Alle disse tre forholdene er forhold som det er svært vanskelig for de enkelte sykehusene, Oslo universitetssykehus og Ahus, å håndtere på egen hånd uten en aktiv medvirkning fra eier, Helse Sør-Øst og Helse- og omsorgsdepartementet. En vet nå at overføringen fra Oslo universitetssykehus til Ahus ikke var planlagt godt nok fra eier. Nødvendig bemanning fulgte ikke med over til Ahus, og det skapte store vanskeligheter for sykehuset og pasientene, spesielt vinteren og våren 2011. Vi ser fortsatt langtidsvirkninger av dette. Et av de forholdene som ble påpekt før og under omstillingen fra de ansatte ved Ahus – og fortsatt påpekes – var knyttet opp til om sykehuset hadde kapasitet til å ta imot de pasientene som det skulle ta imot. Nå ser vi at styret nylig har behandlet en sak om dette, der en har tatt i bruk en del virkemidler for å øke kapasiteten, bruke kapasiteten ved Ski sykehus, gjøre om pasienthotellet til sykehusavdelinger og en rekke andre tiltak. Det betyr at et av våre nyeste sykehus, som har vært planlagt i lang tid, og der mange av disse forutsetningene har vært kjent lenge, nå er blitt et sykehus som tar i bruk en rekke midlertidige, provisoriske løsninger. Det spørsmålet en bør stille seg i en sånn situasjon, er: Når dette ble identifisert tidlig i prosessen som de sentrale risikofaktorene, hvorfor ender en da opp med å måtte ta i bruk midlertidige løsninger så sent ute i prosessen, istedenfor å ha brukt identifiseringen av risiko til å igangsette tiltak på et tidlig tidspunkt, sånn at et av våre nyeste sykehus faktisk framsto som et sykehus dimensjonert for de oppgavene det skulle ha, og ikke et sykehus som blir preget av midlertidige løsninger? Det er et sentralt spørsmål. Det andre sentrale spørsmålet som jeg håper å få svar på i dag, er: Hvordan vil erkjennelsen av at eierstyringen i prosessen ikke var god nok, føre til endringer i eierstyringen i oppfølgingen av langtidsvirkningene av at prosessen ikke var styrt godt nok? Det har vært mye oppmerksomhet rundt sykehusene i hovedstadsregionen. Omstillingen var og er

ting som var opptakten til debatter i ulike organer i Stortinget, men jeg skal la det ligge. Når det gjelder omstillingene ved Oslo universitetssykehus, mener jeg vi kan erkjenne at bl.a. manglende bemanningsplaner og manglende realisering av prosjektet «klinisk arbeidsflate» påvirket fremdriften i omstillingsprosessene på en negativ måte. Under besøk på Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus i fjor høst ga jeg uttrykk for at planleggingen og gjennomføringen av omstillingen fremsto som mangelfull. Jeg forstår at særlig de ansatte har reagert på dette, men også befolkningen i hovedstadsregionen. Det er jo slik at det er truffet flere tiltak for å rette opp disse manglene, og vi ser i dag en rekke eksempler på at sykehusene utløser det potensialet i en bedre tilrettelagt sykehusstruktur som kan levere bedre tjenester til pasientene. I mitt svar til Riksrevisjonen, som er til behandling i Stortinget, er jeg tydelig på at tiltakene som ble iverksatt våren 2011 overfor styre og ledelse ved Oslo universitetssykehus, burde ha vært satt i gang tidligere. Det ville ført til at budsjettoverskridelsene hadde vært mindre og fremdriften raskere. Jeg har lagt vekt på at en i den gjenværende fasen av omstillingen trekker lærdom av disse erfaringene. Det er ikke stilt noe eksakt krav til hvor raskt de ulike omstillingene skal gjennomføres. Enhver omstilling av et slikt omfang og en slik kompleksitet krever evne og vilje til justeringer og tilpasninger underveis. Slike avveininger må løpende gjøres av dem som har ansvar for å gjennomføre tiltakene og den daglige driften. Jeg anser at svært mye nå er oppnådd, og jeg har ikke hørt noen ytre seg i retning av å spole tilbake igjen til situasjonen før omstillingene. Jeg har tillit til at det nye styret og ledelsen ved Oslo universitetssykehus leder sykehuset på en god måte. Overfor Helse Sør-Øst, og i direkte møter med sykehusledelsen ved Oslo universitetssykehus, har jeg særlig understreket betydningen av å sikre forankring av gjenværende omstillinger blant sykehusets ansatte. Og la meg si til representanten Høie: Jo, vi sitter rundt samme bord, både en og to og flere ganger, for å sikre at vi trekker i riktig retning. Det var viktig å rydde opp i arbeids- og funksjonsdelingen i hovedstadsområdet. Da denne regjeringen overtok i 2005, var sykehusene i økonomisk ubalanse. Nå tilsier foreløpige regnskapstall at alle helseregionene vil gå i økonomisk balanse i 2012. Det skyldes økte bevilgninger og at det har vært jobbet systematisk for å få bedre oversikt over og kontroll med kostnadene. Jeg vil berømme de ansatte, som har gjennomført store omstillinger og endringer. Utviklingen ved Oslo universitetssykehus er nå på rett spor. Det er min klare mening. De viktigste samordningene er gjennomført. Det gir sterke fagmiljøer og gode medisinske resultater. Det er arbeidet godt sammen med Oslo kommune om etablering av Samhandlingsarena Aker, og det er utviklet strategier og planer på kort og lang sikt. Her kan det ligge et spennende utviklingsarbeid som vil ta opp i seg lærdom underveis. Oslo universitetssykehus er nå pådriver i et prosjekt for å sikre felles pasientadministrative systemer i hele Helse Sør-Øst. Jeg mener også det var riktig å bygge Akershus universitetssykehus. Befolkningen i området fortjente et nytt, moderne sykehus, og det er dette sykehuset. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus arbeider godt med sykehusets utfordringer. Departementet har klare forventninger til Helse Sør-Øst og ledelsen ved Ahus om at sykehuset skal ha gode faglige tjenester og rasjonell drift. Regionen har ansvar for at kapasitet, ressurser og infrastruktur er tilpasset opptaksområdet. Bekymringsmeldinger om Ahus tas på alvor – det kan jeg forsikre om, og Helsetilsynet og Fylkesmannen følger sykehuset tett gjennom egne tilsyn. Jeg har bedt disse to særskilt om å uttale seg om forsvarlig drift og har tillit til at de tilsynene de har iverksatt, skal klarlegge det. Tall fra Kunnskapssenteret som kom i forrige uke, viser at totaloverlevelsen ved Ahus har økt fra 2010 til 2011, og at sykehuset ikke skiller seg ut fra gjennomsnittet. Det betyr ikke at alt er vel ved Ahus, men det gir i hvert fall ikke holdepunkter for å si at dette sykehuset er et mindre godt sykehus i norsk målestokk. Nå treffes tiltak for å sikre tiltrengte legehjemler ved sykehuset, akuttmottaket utvides, og det vurderes et opplegg for å øke antallet sengeplasser. Det er ikke nytt at man tar i bruk både midlertidige og langsiktige tiltak for å avbøte en situasjon som oppstår i et område som er så stort som det Ahus betjener. Ledelsen og de ansatte understreker at de ønsker å beholde dagens opptaksområde, og jeg har ingen umiddelbare planer om å endre det. Men jeg mener det er rimelig at Helse Sør-Øst og de andre regionene vurderer opptaksområdene fortløpende

Styret har bedt administrerende direktør om å intensivere vedlikeholds- og utbedringsprosjekter på bakgrunn av de forhold som er framkommet i tilsyn. Ahus har gjennomgått store endringer de siste årene, og det er nå viktig at organisasjonen får ro og rom til å sikre god drift. Ahus og Helse Sør-Øst ser på kapasiteten på nytt. Det har vært utfordrende for Ahus å finne en tilpasset og riktig kapasitet i løpet av 2012 når det gjelder bemanning og senger. Det har bl.a. sammenheng med usikkerhet om hvilke effekter samhandlingsreformen ville gi, og at sykehuset har hatt store variasjoner i antallet akuttpasienter fra dag til dag og fra uke til uke gjennom året. Gjennom høsten og vinteren har de derfor gjort nye justeringer – noe som vi foreløpig ikke har sett full effekt av. Sykehuset må se grundig på kompetansesammensetning, døgnrytme, sengefordeling basert på pasientstrømmer, akuttmottak og pasientforløp, liggetider mv. Jeg har merket meg at styret ved Ahus har foreslått en rekke tiltak for å øke sengekapasiteten, styrke akuttmottaket og øke bemanningen, og at det jobbes med å utrede de økonomiske konsekvensene av disse tiltakene. Jeg vet at Helse Sør-Øst følger dette løpende, og jeg kan forsikre at jeg gjør det. Etter endringene i helseforetaksloven har jeg et ansvar for å følge med på disse spørsmålene, med den årvåkenhet som jeg forsøker å legge opp til. Jeg håper vi kan bruke debatten her i dag til å drøfte hva regjeringen og Stortinget kan gjøre for å styrke og hjelpe de ansatte ved sykehusene våre. Det er lett å kritisere det som går galt, og det skal vi gjøre. Like viktig er det likevel hvilke tiltak vi velger for å bli bedre. Interpellanten skal ha honnør for at han vært aktiv med en rekke forslag til organisering i sykehussektoren. Tillat meg da å si at etter min mening vil flere av disse forslagene – og de mest inngripende av dem – neppe gjøre situasjonen bedre ved Ahus. Jeg mener f.eks. at det er en styrke å kunne se alle sykehusene innen en region som en helhet. Å fjerne det regionale nivået vil føre til at vi mister økonomisk fleksibilitet til å støtte opp om sykehus som i en periode strever med økonomi og drift. drift. Jeg vil legge til at dersom private skal få fri tilgang til sykehusenes budsjetter, slik Høyre går inn for, vil det bli krevende å drive Ahus, med alle sine samfunnspålagte funksjoner – fra akuttmottak til forskning og opplæring – på en god nok måte. Jeg har nylig – i min tale den 30. januar – lagt fram en rekke tiltak som vil komme sykehusene i hovedstadsområdet til gode. Representanten gikk med harelabb over dem, men la meg nevne noen: lengre åpningstider ved sykehusene og utredning av hvordan vi kan bruke bygninger, utstyr og personell bedre enn i dag, for å møte befolkningens behov innføring av en heltidskultur som kan bidra til å utnytte kompetansen bedre en bedre oppgavedeling mellom dem som jobber ved sykehusene, der de mange yrkesgruppene i økende grad samvirker tettere og på tvers i team en avvikling av systemet med kvotefordeling av legestillinger som skal tre i kraft fra juni i år – noe som vil gjøre det enklere for Ahus og andre sykehus å tilpasse sin bemanning Det er også besluttet å øke driftskredittrammen til Helse Sør-Øst gjennom en omfordeling av driftskredittrammene mellom regionene, som fases inn over tre år. Helse Sør-Øst vil med dette få økt handlefrihet til å møte utfordringene i hovedstadsområdet, samtidig som vi harmoniserer fordelingen av driftskreditt i tråd med fordelingen av den ordinære inntektsfordelingen. Jeg gjør også tiltak for å bedre ledelsen ved sykehusene. Omstillingene i hovedstadsområdet har fått mye oppmerksomhet i media og i denne salen. Det kan være på sin plass å minne om at det har vært gjennomført krevende omstillinger også i andre deler av landet. Det er ikke slik at hovedstadregionen skiller seg spesielt ut. Jeg har god dialog med både ansattrepresentanter og ledelsene ved foretakene i hovedstadsområdet. Mitt inntrykk er at de nå er inne i et godt spor; utfordringene anerkjennes, og det tas tak i dem. Det betyr at krevende arbeid fortsatt ligger foran oss, og at vi erkjenner det. Det aller viktigste er at pasientene mottar et godt tjenestetilbud, og jeg mener at den nye organiseringen i hovedstadsområdet vil bidra til dette. Jeg vil minne om at dette ikke var en reform som var ment for å spare penger, men den var ment for å utnytte ressursene på en klokere måte, for et hovedstadsområde i rask utvikling. Ingenting er viktigere for meg enn å sørge for at disse sykehusene leverer opp til sitt potensial, vel vitende om at dette er en region der befolkningen er raskt voksende og der eksisterende, midlertidige og nye satsinger vil være nødvendig for å gi befolkningen et godt helsetilbud.

ansatte. Hvis man ser tilbake på mange av målsetningene og visjonene som lå bak etableringen av OUS, som jeg oppfatter at det er tverrpolitisk enighet om, er det likevel en del forutsetninger som må være på plass for at de skal bli en realitet, og som jeg mener at dagens system ikke legger til rette for å etablere. Man ser bl.a. at

Det samme gjelder spesielt også for de bygningsmessige forholdene. Skal man realisere fordelene av å etablere dette som et stort sykehus, der en samler mange fagmiljøer og får på plass og dyrker opp under spennende forskningsmiljøer, tror jeg de fleste ser at man da også er avhengige av å ha helt andre bygningsmessige forhold enn i dag.

kunne begynne å planlegge for hvordan man skal ha en permanent kapasitet for det befolkningsgrunnlaget som det skal betjene? Dette er spørsmål som er grunnleggende, som det er eiers ansvar å avklare, og som jeg mener vi må ha en diskusjon om. Jeg er glad for at representanten

hardt. Det er vanskelig å si det i februar 2013, men jeg har håp om at vi i 2013 skal kunne se en utvikling mot balanse i budsjettene, også i hovedstadsregionen, selv om Helse Sør-Øst nå også går i balanse. Og jeg merker meg at på styremøtet i OUS på slutten av fjoråret, var det samling om både strategi, retning og budsjett. Så er utfordringen at dette er et sykehus med Jeg besøkte rusmottaket som har bygninger fra 1850-årene; det var for øvrig noen av de flotteste bygningene. Men det er altså den bygningsstrukturen som er. Man må gjøre det beste man kan med det. Jeg har tiltro til at den prosessen som nå starter når det gjelder idéfase for OUS’ fremtid, er en spennende fase. I mellomtiden, fram mot en eventuelt ny visjon om samling rundt Rikshospitalet, må det gjøres utbedringer underveis, og det må det planlegges for. Når det gjelder IKT, mener jeg at det har skjedd betydelig Investeringsbudsjettet for 2013 er godt. Det skal satses nesten halvannen milliard på forskjellige oppgraderinger, på alt fra bygg til IKT, til medisinsk-teknisk utstyr, og dette ble det også nylig uttrykt anerkjennelse for på sykehuset. Det er klart at mangelen innen IKT sammen med bygg som ikke er tilpasset ny drift og i tillegg karakteriseres av betydelig vedlikeholdsetterslep, har påvirket etableringen negativt. Dette er nå i bedring, men mye arbeid gjenstår. Man kan diskutere ulike finansieringssystemer og ulike styringssystemer, men man kan ikke fremskaffe mer penger ved å skifte finansieringssystem eller ved å endre styringssystem. I dag har man etter min mening et system som sikrer mulighet for store investeringer i Sykehus-Norge. Det investeres som aldri før rundt om i Sykehus-Norge. Det er til og med slik at man har kunnet tillate seg en liten uro for at vi ikke nå kommer i en situasjon med Men sykehus som går i balanse, kommer fort i den fasen at det er mulighet for å investere og satse. Når det gjelder Ahus, mener jeg at midlertidige tiltak er en definisjon man setter på tiltak et sykehus møter for å tilpasse seg varierende behov. Ofte kan midlertidig bli mer permanent med tiden. Men jeg er ikke uenig i at det å ha et pasienthotell som dekker behovene til sykehuset, er viktig i Men jeg er ikke uenig i at det å ha et pasienthotell som dekker behovene til sykehuset, er viktig i planleggingen. Jeg har i alle fall tillit til at både sykehusledelsen og Helse Sør-Øst kan se den helheten og bruke de ressursene som er i regionen, til å treffe gode vedtak. Jeg er blitt oppløftet over hvordan ledelsen ved både Ahus og Helse Sør-Øst i dialog med departementet har identifisert behov, tatt tak i dem og nå gjennomfører tiltak både på hjemler, på senger og på akuttberedskap. Så får vi sørge for at

helsetilbudet gjennom den strukturen man har. Det er sånn at de to sykehusene man her snakker om, OUS og Ahus, til sammen har 30 000 ansatte. Man skal serve over 800 000 innbyggere, og man har et budsjett i år på drøyt 24 mrd. kr. Så det er klart at det er kompliserte strukturer, og det blir fort spørsmål om liv og død i debattene. debattene. Omstilling er som kjent krevende i små strukturer, og det er definitivt krevende i store strukturer, spesielt når omstillinger skal foregå mens det er normal drift underveis. Da man startet prosessen, visste man jo at dette var vanskelig, man visste også at det kom til å ta tid, og man forutså at det kom til å bli mye debatt. Jeg mener – for å ha sagt det – at mye av debatten har vært riktig. Man har sett underveis at ting ikke har gått helt som planlagt, man har sett underveis at ting har vært mer komplisert en forutsatt, og man har ikke lyktes med alle de grep man skulle ta og hadde planlagt for. Et eksempel på det er jo at da man flyttet pasienter og skulle ta ned bemanningen på OUS, var det mer komplisert enn man hadde trodd. Folk søkte ikke jobb på Ahus, noe som skapte problemer, både på Ahus, i forhold til kompetanse, og på OUS, fordi man da brukte for mye penger. man da brukte for mye penger. Man fikk ikke budsjettet godt nok ned. Så er det sånn at i slike prosesser er det også mange agendaer. Når pasientombudet ved Ahus er bekymret, er det grunn til å lytte som politiker, men det er ikke dermed sagt at pasientombudet i seg selv alltid har rett, men han er jo selvfølgelig gjennom sitt mandat forpliktet til å være bekymret på pasientenes vegne. Når leger er bekymret for sin situasjon, skal man selvfølgelig lytte, men det er ikke alltid gitt at legene snakker objektivt i forhold til pasientens situasjon. Noen ganger kan man også tro at de snakker for sin egen situasjon. Og når ledelsen snakker, må man vekte det ledelsen sier, opp mot alle de andre virkelighetsbildene man får, og så må man som politiker finne en balanse for hvordan man skal håndtere de utfordringene som beskrives. Og media har jo som kjent sin egen dynamikk i sånne saker. så må man som politiker finne en balanse for hvordan man skal håndtere de utfordringene som beskrives. Og media har jo som kjent sin egen dynamikk i sånne saker. Det som har overrasket meg mest i de to årene man nå har diskutert dette ganske jevnlig i Stortinget, er at når man begynner å gå inn i materien, i de faktiske, påståtte forhold som kommer fram i media, blir det veldig ofte lite igjen når tilsynene våre har undersøkt og at jeg på bakgrunn av den erfaringen man har gjort over to år, og der tilsynet har gransket, mener at sykehusene har vært for lite offensive med hensyn til å komme ut og forklare pasientene at ting ikke er så ille som man kan få inntrykk av i oppslag. Vi hørte i går på høringen i helsekomiteen om en episode der en lege kunne referere til en mor som hadde mistet sin sønn ved Ahus – en tragisk historie – og som hadde gått rundt i to år og trodd at det skyldtes en sykehustabbe. sykehustabbe. Så viste det seg når hun endelig torde å adressere denne problemstillingen til legen, at det slett ikke var tilfellet. – Og dette fordi det da hadde vært mye støy rundt sykehustabber ved Ahus. Så hun hadde da i en veldig vanskelig situasjon fått en tilleggsbelastning over to år som burde vært unngått. Der har selvfølgelig ledelsen et ansvar, media har et etisk ansvar, men også vi har et ansvar for ikke å situasjonen. Det er fortsatt sånn at ingen av tilsynene har avdekket at kvalitetsforholdene er verre ved de to sykehusene vi nå diskuterer, enn ved øvrige sykehus i landet. Og vi er alle opptatt av at kvaliteten skal økes ved alle sykehus. Vi har en felles interesse uttalt fra denne talerstol, fra alle partier, om at man ønsker å drive kvalitetsheving. Da gjenstår det tunge og kanskje vanskelige ansvaret: Hvordan skal man adressere disse utfordringene? Slik jeg ser det, er de utfordringene? Slik jeg ser det, er de svarene interpellanten kommer med i sin nye politikk, det motsatte av hjelp. Det vil bare gjøre omstillingstakten enda høyere og situasjonen enda vanskeligere for de offentlige sykehusene fordi man da skal finansiere det private helsevesenets

hensynet til pasienten, trygghet og et verdig tilbud for den enkelte. Slik pasienter tidvis opplever situasjonen i dag, er ikke et velferdssamfunn verdig. Er det noe som borgere av dette landet med rette er opptatt av, er det nettopp et trygt, godt og velfungerende helsetilbud når man trenger det. I tillegg til pasientenes opplevelser er det også på sin plass å nevne ansattes frustrerende og vanskelige situasjon. Det er de som blir stående midt oppe i en krevende hverdag, samtidig med at dette så langt bare har vært diskutert – uten handling. Er det noe jeg er helt sikker på, er det at de ansatte ønsker å drive en god pasientbehandling. Den muligheten er tidvis begrenset under dagens situasjon. Fremskrittspartiet er glad for at Ahus den siste tiden har foreslått nye grep, som ombygging av pasienthotellet og nye senger på Ski sykehus, men frykter at det ikke er tilstrekkelig. Man kommer ikke utenom at befolkningsveksten i Oslo og Akershus er så stor at kapasiteten i regionen totalt sett er for liten. Dette bildet styrkes også av at det har blitt 1 700 færre sengeplasser i sykehusene under den rød-grønne regjeringen. Fremskrittspartiet mener derfor det er på grensen til uansvarlig at Stensby sykehus fases ut i en tid da kapasiteten åpenbart er for lav. Fremskrittspartiet vil derfor oppfordre statsråden til å sørge for opprettholdelse av Stensby sykehus frem til alternativ kapasitet er stilt til rådighet. Aker sykehus bør også gjenåpnes med sengeposter for å bidra til å øke den totale kapasiteten. Et annet viktig tiltak er massive investeringer i IKT og nytt, moderne utstyr som øker effektiviteten, slik at flere kan behandles. Dette har det vært snakket om i årevis, men vi har ennå til gode å se konkrete resultater. Tiden for debatt bør være forbi. Regjeringen bør nå vise handlekraft. Forslagene fra Fremskrittspartiet har de tilgjengelig. Det er bare å iverksette dem. Jeg synes det er

ved både Ahus og Oslo universitetssykehus – har meldt om i lang tid. Det har vært bred politisk enighet om behovet for en bedre samordning av spesialisthelsetjenesten i hovedstadsområdet for å sikre bedre kvalitet i behandlingstilbudet og å styrke både forskning og utdanning. Høyre har vært spesielt opptatt av at denne prosessen ble gjennomført på en måte og kvaliteten på helsetilbudet og i tillegg sikre et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Derfor har vi vært kritiske til hvordan omstillingene har vært planlagt og risikovurdert og hvordan de har vært gjennomført til nå. Vi har også fått mange tilbakemeldinger til Stortinget om at tempoet i omstillingen har vært for høyt. Det har i enkelte situasjoner gått på bekostning av både kvaliteten og pasientsikkerheten. Det må det være lov til å si, selv om vi nå skal se fremover. Jeg vil understreke at de aller fleste pasientene er fornøyd med den behandlingen de får, og vi vet alle at de ansatte ved både Oslo universitetssykehus og Ahus gjør en fantastisk innsats, til tross for den situasjonen de er i.

pårørende. Ansatte har vært tydelige på at dette har vært – og fremdeles er – svært krevende og i mange tilfeller på grensen til det uforsvarlige. Det har vært for mange uheldige hendelser, noen dessverre med dødelig utgang. Det har vært stor medieoppmerksomhet rundt sykehusene om enkeltepisoder som er ganske opprørende. Fylkeslegen konkluderte i sin tilsynsrapport med at risikoen i perioder har vært så høy at det kan ha bidratt til uforsvarlig drift. Ahus innrømmer at de har hatt flere pasienter enn de egentlig hadde plass til, og beleggsprosenten har i enkelte perioder ligget på over 100. Det har da medført et høyt antall korridorpasienter, med den risiko og de ulemper det har ført til for pasienter og ansatte. Så det har vært et stort sprik mellom den virkeligheten som ansatte og pasienter opplever, og den situasjonen som vi har fått beskrevet av flere helseministre her i Stortinget. Det må også nevnes. Jeg synes det er bra – og helt nødvendig – at Ahus nå har fått midler fra Helse Sør-Øst til åtte nye legestillinger. legestillinger. Samtidig har Ahus vedtatt å utvide sitt akuttmottak og i tillegg omgjøre pasienthotellet til også å romme sykehussenger. Det vil kunne lette situasjonen noe, men vi må jo innrømme og innse at dette er midlertidige løsninger, og at det fremdeles er store Det ble nylig kjent at fylkesmannen i Oslo og Akershus opprettet tilsynssak mot Ahus etter å ha mottatt en anonym bekymringsmelding fra ansatte. Flere leger og sykepleiere har dessuten sagt opp sine jobber på grunn av denne pressede situasjonen ved sykehuset. Det mener jeg er bekymringsfullt. Det er en omfattende plan sykehusstyret nå har lagt fram. Men spørsmålet er om den er tilstrekkelig kvalitetssikret til å møte de store utfordringene som sykehuset nå står overfor. Jeg opplever at situasjonen ved Ahus spesielt er både uoversiktlig og krevende. Jeg synes det er bra at de nå tar i bruk sengene ved Ski sykehus. Det er et godt sykehus som vil kunne gi god behandling og pleie. Jeg tillater meg likevel å undres over at styret i Ahus har valgt å stenge Stensby sykehus fra 1. april når de fremdeles har så stor mangel på sengekapasitet og ansatte. Pasientene kan selvfølgelig ikke få den samme behandlingen på Stensby som ved Ahus. Til det har ikke Stensby tilstrekkelig med legeressurser, men jeg vil tro at det i denne situasjonen kunne vært en avlastning for enkelte pasientgrupper fram til kapasiteten ved både Ahus og Ski er utbygget. Det er nå viktig at det skapes en felles forståelse både for utfordringene og for mulighetene som ligger i omstillingsprosessen, og ikke minst at helseministeren tar det ansvaret han faktisk har. har. Få omleggingar i spesialisthelsetenesta har skapt så mykje kritikk og vore så mykje debattert i Stortinget som hovudstadsprosessen. Så har det også vore ei stor omlegging som gjeld mange pasientar og tilsette, og omlegginga har ikkje vore uproblematisk. Det er lett å vera etterpåklok når det gjeld om det var rett å slå saman Helse Sør og Helse Øst og å slå saman sjukehusa i Oslo-området. Men det var stor politisk einigheit om at tiltak var nødvendig for å sikra betre samordning av sjukehustilbodet i hovudstadsområdet og meir lik fordeling av sjukehustilbodet i heile Helse Sør-Øst og i resten av av landet. Det er rett at fleire i ettertid har innrømt at etablering av Oslo universitetssykehus og overføring av pasientar til nye Ahus var for dårleg førebudd. Eg meiner at éin ting vi kan læra av saka, er tendensen vi har til å overvurdera effektiviseringsgevinsten og undervurdera investeringsbehovet ved fusjonar, og at fusjonar er noko av det vanskelegaste vi gjer i alle organisasjonar – og spesielt i ein sjukehusorganisasjon. Eg vil visa til kva ein sjukehusekspert og forskar som heiter Soki Choi, sa i Dagsavisen den 18. desember i fjor: viste at tre av fire sjukehusfusjonar i Sverige var klassifiserte som mislykka. Ho etterlyste meir forsking og kunnskapsbaserte avgjerder om fusjonar. Interpellanten spør kva regjeringa vil gjera for å gjenoppretta tryggleik og tillit til Oslo universitetssykehus og Ahus, og korleis eigarstyringa er i dag. Eg meiner at helse- og omsorgsministeren har gitt eit veldig klart og godt svar på korleis dette blir følgt opp av regjeringa no: At det å skapa tillit er ei leiaroppgåve er viktig å understreka, at vi må ha tillit til styret og leiinga ved Oslo universitetssykehus, at dei skapar gode prosessar vidare. Føresetnaden for dette er gode leiarar. Eg har lyst til å nemna at det ikkje kan vera ei ulempe i denne situasjonen at styreleiaren ved Oslo universitetssykehus, Stener Kvinnsland, blei kåra til årets helseleiar i 2013. Han blei nominert av sine eigne – av sine tilsette. Det

heilt eller delvis ikkje var til stades. Ifølgje Den norske legeforening var det tilsette der som aldri hadde møtt sin eigen leiar. Dette er det no teke tak i. Eg har forstått det slik at Oslo universitetssjukehus no legg vinn på å auka leiinga sitt nærvær på alle stadene dei driv sjukehus. Det trur eg er ein viktig føresetnad for å få omstillingsprosessen i hamn, og spesielt for å få eit godt forhold til dei tilsette, som er så viktig. Jeg har også lyst til å takke representanten Bent Høie for denne viktige interpellasjonen. Det er

at man tar lærdom og så går videre. Det er lett å være etterpåklok. Jeg må likevel få påpeke at flere fra opposisjonen, inkludert flere fra eget parti, var tvilende underveis til om det var nok kapasitet og bemanning til å overføre 160 000 pasienter til Ahus. Representanten Dagfinn Høybråten stilte spørsmål ved bemanningssituasjonen senest da hele 1 000 årsverk ble lagt ned ved Oslo universitetssykehus. Stillingene ble lagt ned til tross for at tillitsvalgte protesterte, og sykehusdirektør Siri Hatlen valgte å gå av fordi hun ikke mente at det var mulig å legge fram en spareplan innenfor de rammene som var gjeldende for styret ved Oslo universitetssykehus. I svaret til representanten Høybråten svarte statsråd

Ettertiden har vist oss at dette ikke har stemt for alle pasienter. Driften ved Ahus har blitt dokumentert av Helsetilsynet å være uforsvarlig i 9 av 12 måneder i 2011. I januar 2011 manglet hele 550 leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Det har kommet fram at to pasienter har dødd på grunn av forholdene ved Ahus. I tillegg er ytterligere 13 dødsfall ved Ahus betegnet som unaturlige og har blitt gransket. Utover dette har det blitt registrert 87 krav fra Norsk pasientskadeerstatning etter skader ved Ahus i 2011. Representanten Hans Olav Syversen har stilt spørsmål om det stemmer at statsråd Strøm-Erichsen fikk bekymringsmeldinger om manglende faglig og personellmessig forsvarlighet i forkant av overflyttingen fra Oslo universitetssykehus til Ahus. Statsråden svarte at det hele tiden hadde vært en kjent risiko ved prosjektet. Vansker med IKT-systemer, for få sengeplasser og mange korridorpasienter er andre problemfelt som vanskeliggjør arbeidet og pasientbehandlingen ved for få sengeplasser og mange korridorpasienter er andre problemfelt som vanskeliggjør arbeidet og pasientbehandlingen ved OUS og Ahus. Skal man ikke være i de beste hender når man kommer inn på sykehus? Skal det virkelig være nødvendig at denne saken må behandles i kontroll- og konstitusjonskomiteen for at pasientbehandlingen ved OUS og Ahus skal bli forsvarlig? Riksrevisjonens rapport i høst understøtter opposisjonens uro. Ja, vi skal se framover. Ser vi framover, må vi ha en sykehusstruktur der ansatte føler at de blir tatt på alvor når de melder fra om kritikkverdige forhold. Det som ikke fungerer, må rettes opp umiddelbart. Det må ledes bedre. Pasienter og pårørende må sikres god informasjon, både om uønskede hendelser og om konsekvenser, klager og videre rettigheter. Folkeparti mener at den enkelte ansatte skal ha meldeplikt om skader, nestenulykker og ulykker, ikke bare institusjonen. Vi mener at det må bygges opp spesialkompetanse i politiet på etterforskning av saker i helsesektoren, og at det skal opprettes en kommisjon for undersøkelser i helsesektoren. Innenfor IKT har vi store utfordringer, ikke bare i hovedstadsprosessen, men også her. Det er viktig at vi alle føler oss trygge på at den dagen vi selv eller noen av våre nærmeste får behov for helsehjelp, blir vi ivaretatt på en verdig og faglig forsvarlig måte. For oss i Kristelig Folkeparti – og jeg tror egentlig for alle i det politiske miljø – handler dette om det vi legger i selve begrepet menneskeverd, at vi får en behandling som fungerer, og som er forsvarlig den dagen vi trenger det.

Jeg tenker først og fremst på de ansatte, på pasientene og de pårørende. De ansatte står i en krevende prosess. Samtidig opplever de press fra pasienter og pårørende, som igjen bare krever det de har rett på – gode helsetjenester. Store omstillingsprosesser er krevende og vil sjelden gå helt uten heft. Jeg mener at omstillingene har vært helt riktige og nødvendige. Men det må være lov å si at det kanskje skjedde vel mye på kort tid, og at det er det som gjør at man har fått den situasjonen vi har sett utspille seg. Det er en lærdom å ta med seg til senere, både i helsesektoren og i andre sektorer. Omstillinger tar tid for å sette seg. Man skal skynde seg langsomt for å få på plass ting i rett rekkefølge. Så er også mitt inntrykk som Akershus-politiker at svært mye har gått bra, og mye går bra. Det er det ikke alltid like lett å få formidlet. Så kan vi diskutere det som har skjedd, og på en måte ta debatten dakapo. Jeg er mer opptatt av «presente», nåtid, og hva som faktisk blir gjort for å bedre situasjonen. Jeg føler statsråden ga et godt svar på interpellantens utfordringer. utfordringer. Med den siste tids beslutninger i styret og ledelsen på Ahus om økt sengekapasitet, økt bemanning og styrket akuttmottak både ved å benytte deler av pasienthotellet og å ta i bruk senger på Ski sykehus, har man tatt viktige og nødvendige grep. Man var nødt til å ta noen grep. Det var bra at ledelsen og styret også innså det. Det handler om en bedre hverdag for de ansatte og pasientenes trygghet – menneskene bak prosessene som foregår. På Ski har man det som en gang var et fullverdig lokalsykehus, med ledig kapasitet. Det er bra at Ahus nå vil benytte denne bygningsmassen for å bedre forholdene. Da Ski sykehus tidligere lå under Aker, ble tilbudet på Ski redusert til dagkirurgi og palliativ enhet. Heldigvis ser Ahus at sykehuset kan benyttes. Samtidig vet jeg at Follo-kommunene allerede har sendt inn et ønske om å leie senger på Ski sykehus til et lokalmedisinsk senter,

Det må allerede nå planlegges for hvordan man skal forholde seg til en situasjon om 15 år, med mange flere pasienter i opptaksområdet. Å justere opptaksområdet er diskutert, men det hjelper ikke mye på lengre sikt om f.eks. Søndre Follo går til det nye sykehuset på Kalnes i Østfold. De rundt 15 000 tilsvarer den samlede årlige forventede befolkningsveksten i opptaksområdet til Ahus, så etter få år vil den effekten være borte. Derfor må det planlegges for framtiden nå. Jeg forutsetter at ledelsen og styret ved Ahus og i Helse Sør-Øst er bevisst på disse utfordringene, og kan ta kvalifiserte valg om hva som må til for å møte befolkningsveksten, og at dette er en problemstilling også ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet vil følge nøye, slik at vi sørger for tilstrekkelig kapasitet også på lang sikt. Til slutt: Det blir alltid mye Det er viktig med oppmerksomhet om det for å få til forbedringer. Men det er også viktig å få sagt at Ahus er et godt sykehus som på mange områder er best i landet, som på visse typer kreft. Ikke minst har det raskest svartid på patologi, som er viktig i diagnostiseringen av kreft. Det er Norges største akuttsykehus, og man er gode på akuttbehandling. Nå skal akuttmottaket også utvides. Sykehuset er ledende i overgangen til To tredjedeler av kirurgien foregår nå som dagkirurgi. Det er for øvrig et godt eksempel på at sengeplasser alene ikke er et tilstrekkelig mål på kapasitet. De ansatte på Ahus gjør en god jobb og fortjener honnør for det. Det er viktig å ha med seg dette, sånn at ikke alt fokuset blir på det som ikke fungerer. De positive tingene er også bra å ha med seg når man skal løse de

Jeg vil ikke overdramatisere. Jeg er enig med statsråden i at vi ikke skal det. Men folk er bekymret, Riksrevisjonen er bekymret, pasientombudet er bekymret, og vi har hørt at de ansatte er bekymret. Ahus fikk den 1. januar 2011 ansvaret for 160 000 nye pasienter, bl.a. fra Follo-regionen, og er nå Norges største akuttsykehus. Hele 470 000 innbyggere sogner nå til dette sykehuset. Allerede høsten 2010 spurte undertegnede daværende helse- og omsorgsminister Strøm-Erichsen om hvorvidt hun kunne forsikre at det var nok fagfolk på plass ved Ahus når sykehuset skulle ta over Follos befolkning. Som vi hørte fra representanten Breen i dag, var det grunn til å spørre om nettopp det. Statsråden svarte den gangen at ingen pasienter skulle flyttes fra ett sykehus til et annet før man var trygg på at de var sikret et like godt eller bedre tilbud. «Historiens lys» har talt, og det taler for seg selv. Som interpellanten har pekt på, har pasientene nå krav på å få vite at vi har en helse- og omsorgsminister som tar tak i disse utfordringene, og gjenoppretter tilliten til at vår region har et trygt og godt sykehustilbud, der ingen pasienter skal måtte oppleve at man ikke får det rette tilbudet rette tilbudet når man trenger det, og ingen pårørende skal måtte oppleve at deres kjære dør i en korridor. De ansatte ved Ahus og Oslo universitetssykehus har hatt en tøff tid. Jeg er ikke i tvil om at de har strukket seg langt for å gi pasientene et godt og forsvarlig tilbud siden den store omleggingen trådde i kraft.

hadde skrevet bekymringsbrev, der de påpekte et høyt antall korridorpasienter, stor arbeidsbelastning og manglende motivasjon hos de ansatte. De mente da at det manglet 70–100 sengeplasser ved sykehuset, og at dette gikk ut over pasientsikkerheten. Det ble satt i verk ekstratiltak den gangen. Det er i det hele tatt veldig mye «on-off» i sykehustilbudet i vår region: Stensby ned, Ski ned, Ski opp 10 plasser i 2011, så ned igjen, og nå 32 nye plasser på Ski. Dette er ganske krevende for kommunene rundt, og jeg er bekymret for dialogen med kommunene om samhandlingsreformen. samhandlingsreformen. Den har hjulpet helseforetakene godt ved at kommunene og bydelene har hatt kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter raskere enn kanskje forventet. Og så planlegges det nye lokalmedisinske senger: I Follo har det pågått et planleggingsarbeid for 25 akutte døgnplasser. De skulle legges til de ubrukte lokalene ved Ski sykehus. Senest for én uke siden fikk Follo-kommunene bekreftet det. Men mandag, tror jeg det var, kom det beskjed om at det var umulig. Og det skjønner vi, for vi vet nå at Ski sykehus skal trappe opp bruken av sengene selv. Det betyr at Follo-kommunene ikke får sendt inn søknaden om støtte til dette lokalmedisinske senteret innen 1. mars, som er fristen, fordi nå vet ikke Follo-kommunene hvor dette akuttmedisinske senteret med døgnsengene sine skal ligge. Det er en krevende situasjon, og det er min bekymring at dette dette blir som å selge strikk i metervis, og at det salderes mot kommunene, som egentlig skal være helseforetakenes partnere i samhandlingsreformen. Jeg regner med at statsråden også vil ha en årvåkenhet på akkurat denne utfordringen for kommunene i området til Ahus. Jeg vil takke for en god diskusjon. Flere har referert til dakapo i diskusjonen, og det er Jeg vil takke for en god diskusjon. Flere har referert til dakapo i diskusjonen, og det er riktig at denne saken har vært diskutert i Stortinget flere ganger. Det er da interessant å se at når Riksrevisjonen i sin rapport setter spørsmålstegn om regjeringen har informert og involvert Stortinget nok i denne prosessen, viser Helse- og omsorgsdepartementet til en rekke saker der Stortinget har vært involvert, og det handler nesten utelukkende om initiativ opposisjonen har tatt for at Stortinget skal bli orientert om situasjonen. Det er snakk om spørsmål, interpellasjoner og henvendelser om redegjørelser. Hadde ikke opposisjonen tatt den typen initiativ, hadde denne omstillingen i norsk helsevesen, som jeg mener er den største omstillingen gjennomført i norsk helsevesen noen gang – som så til de grader berører ansatte og pasienter direkte – knapt vært omtalt i de årlige budsjettene. budsjettene. Derfor er jeg enig når statsråden og andre viser til at det har vært store omstillinger i andre helseforetak også, men jeg mener at denne endringen som har foregått i Helse Sør-Øst, knyttet til hovedstadsprosessen, allikevel er i en særstilling i omfang ved at den berører så direkte både pasienter og ansatte. Historien, og oppfølgingen av Riksrevisjonens rapport, skal vi selvfølgelig komme tilbake til. Helse- og omsorgsministeren tok i sitt svar opp noen spørsmål som det er politisk uenighet om. Ett av temaene var spørsmålet om organiseringen av helsevesenet – styringssystemet. Det er en interessant diskusjon når en ser på denne prosessen. Jeg mener det er grunn til å stille spørsmål ved i hvor stor grad styrene ved Ahus og Oslo universitetssykehus har ved Ahus og Oslo universitetssykehus har hatt evnen til å være tydelige på hvorvidt de rammebetingelsene de hadde for denne omstillingen, var på plass eller ikke. Jeg mener at dagens organisering, med regionale helseforetak der en hadde ansatte direktører sittende i styrene, undergravde styrenes mulighet til å være de reelt styrende i virksomheten. ikke. Jeg mener at dagens organisering, med regionale helseforetak der en hadde ansatte direktører sittende i styrene, undergravde styrenes mulighet til å være de reelt styrende i virksomheten. Med Høyres styringsmodell – der en ikke hadde hatt dette mellomliggende nivået, men der styrene ved Ahus og Oslo universitetssykehus hadde vært de reelt styrende – tviler jeg på at styrene hadde vært villig til å gå inn i disse store endringene uten å ha gitt beskjed til eier om at rammebetingelsene ikke var på

med mennesker i livets skjøreste faser og med mange grupper dyktig fagpersonell. Jeg ser det som min oppgave å ta tak i utfordringene, jobbe med å rette opp alle de saker hvor vi har anledning til å gjøre det, men samtidig sette saker i perspektiv. Rundt 85 pst. sier de er tilfreds eller svært tilfreds med sykehusene våre. Mens det stormet om Ahus, hadde de prosenttall på over 80. 80. Jeg sier ikke dette for å gi noen politisk ledelse ros, men for å gi dem som jobber på dette sykehuset, ros. De pasientene som har vært der, har – som mange her har betonet – forlatt sykehuset tilfredse. Det vil jeg gjerne ta med. Så skal vi være varsomme med ord. Fylkesmannen har sagt at Ahus ble drevet med høy risiko, men jeg kan ikke stå her og si at liv har gått tapt som følge av denne prosessen, slik noen – i grenseland – har uttalt seg. seg. Derfor mener jeg at vi må basere oss på det at vi har helsetilsyn. Og vi har Fylkesmannen som skal vurdere disse spørsmålene og gjennomføre tilsyn når det er nødvendig. Jeg må lytte til disse. Da jeg fikk urovarsel fra bl.a. legene på Ahus, kalte jeg de to tilsynene til meg – jeg ville iallfall høre og forsikre meg om hva slags tilsyn de drev, for å være sikker på at dette ble fulgt godt opp.

i Europa som ledende teknologiske sykehus med store medisinske prestasjoner. Ledelse er viktig. Vi tar tak i det på overordnet nivå og nede på klinikknivå. Som det også ble sagt her tidligere, ledelsesfunksjonene ved Oslo universitetssykehus gjennomgås nå, med klar intensjon om å gi stedlig ledelse fullmakter på de nødvendige nivåene. Her er det mye å ta tak i. Vi kan være sikre på at dette er en sektor i kontinuerlig omstilling. Som representanten Kjernli sa, er dette et område som folk flytter til. Det betyr at vi må benytte kapasiteten godt. Det var spørsmål om Ski sykehus. Hva kan det huse – støtte til Ahus eller lokalmedisinsk senter for Folloregionen? Det siste jeg hørte, var at kanskje kan sykehuset betjene begge. Dette er i en diskusjonsfase. Vi får håpe det blir godt ivaretatt, slik at det kan få et godt utfall. Debatten i sak nr. 14 er avsluttet. Ingen har bedt om ordet. Det

mål å være dominerende på

og reiser